hvor mye vi har gitt til sykehusene når vi er ferdige med denne fireårsperioden. Vi sa ikke at vi hvert eneste år kom til å bevilge 3 mrd. kr. Dere sa 12 mrd. kr over fire år, og dere har altså lagt opp til et helt annet løp. Men det er ulike mål for pengebruk, og jeg kunne ha interesse av å få oppklart én sak: Representanten Helleland var i spørsmål til meg opptatt av å påpeke at i vårt budsjett den offentlige pengebruken sterkere enn veksten i økonomien. Ja, det er riktig. Det har aldri vært et avgjørende mål for Arbeiderpartiet. Det er måten vi bruker pengene på – et begrep som statsministeren også tidligere har brukt – som teller, at investeringene er produktive, at vi satser på å løse oppgaver, at vi får til aktivitet og at vi støtter bedriftene våre. Men for Høyre har det vært et mål – og for Fremskrittspartiet har det vært et avgjørende mål – at den offentlige utgiftsveksten ikke skal vokse mer enn veksten i økonomien. Nå gjør den det i dette budsjettet, og da ønsker jeg å høre fra statsministeren: Betyr det at man har forlatt dette målet, at man nå har et pragmatisk syn på det? Eller betyr det at man i fremtiden vil holde fast ved det målet, at den offentlige pengebruken ikke skal vokse mer enn veksten i økonomien? Det er sjelden jeg pleier å si det, men jeg er særlig glad for dette spørsmålet, for nå har jeg forsøkt å motargumentere fra plassen min opptil flere ganger når jeg har hørt dette sagt. Ja, da den borgerlige regjeringen tiltrådte i så var dette et mål, men vi har altså hatt en gjennomgang i Høyre av hvordan dette henger sammen med det å innfase mer oljepenger. Derfor er det flere år siden vi forlot dette som et overordnet mål, for det går ikke an å sette sammen innfasing av mer oljepenger med målet om at veksten i offentlige utgifter ikke skal være større enn veksten i statsbudsjettet hvert enkelt år. På lang sikt er det viktig at vi passer på balansen, men på kort sikt kan vi ikke gjøre det samtidig som vi faser inn oljepenger. Det er altså flere år siden Høyre konkluderte med at dette ikke lenger kan være et parameter som vi styrer etter. For det var den gangen da vi alle var enige om– iallfall Høyre og Arbeiderpartiet var enige om – at vi ikke skulle bygge ned oljeformuen, at vi ikke skulle bruke av avkastningen. Når vi gjør det, vil et slikt mål være

seg sitt ansvar bevisst og våger å samle seg bak fremtidsrettede løsninger.» Det er fordi Scheel-utvalet kjem med si innstilling i morgon. Statsministerens gode venn og tidlegare finansminister, Per-Kristian Foss, stod bak det førre skattekompromisset, som var særdeles godt for Noreg. Det same gjorde Sigbjørn Johnsen tidlegare på 1990-talet. Begge som har gitt oss ein betre økonomi, ein meir effektiv økonomi og fleire i arbeid. Vil statsministeren no ta eit initiativ òg til eit nytt skattekompromiss, når me no får eit grunnlag gjennom Scheel-utvalet? Jeg er enig i at vi skal ha både god tid og gå godt igjennom de forslagene som kommer fra Scheel-utvalget. Så har jeg lyst til å understreke at f.eks. den skattereformen som ble laget i 2005, aldri ble helt gjennomført, for der var det et kompromiss om at utbytteskatten skulle erstatte formuesskatten. Med det fikk vi en rød-grønn regjering. Den har da medført at utbyttebeskatningen og formuesskatten har levd side om side, med en ekstra forsterkning av beskatningen av eierskap i norske bedrifter under den rød-grønne regjeringen. Vi er opptatt av at vi må ha et godt grunnlag for en ny skattereform. Jeg har lyst til å si at utgangspunktet for denne skattereformen synes jeg ikke nødvendigvis er så positivt. er så positivt. Det er grunnen til at diskusjonen kommer. Det er jo internasjonal skattekonkurranse, hvor andre land har bydd ned sine skattenivåer, og nå skal Norge på en måte følge etter. Det er jo et dilemma, hvor vi altså deltar i den internasjonale skattekonkurransen. Et lite land som Norge må leve med at de internasjonale rammebetingelsene må tilpasses norsk næringsliv. Men det må også være grunn til at si at det er ikke nødvendigvis ønskelig,

blir så stor, kommer det til å bli ytterligere kutt. Det kommer til å bli verre enn dagens situasjon. Da er mitt spørsmål til statsministeren: Når helseministeren sier at vi ikke kan ha det sånn, kan vi da få se handling – at regjeringen kommer med midler slik at vi får kompensert for skattesvikten til kommunene? Som jeg sa i mitt innlegg, ser vi nå faktisk at veksten i antallet sykehjemsplasser som bygges, er høyere, fordi vi økte investeringstilskuddene da denne regjeringen tiltrådte. Vi har lagt inn ekstra penger til det som er viktig når det gjelder det oppslaget som er i dag, om kvaliteten i omsorgen. Der har vi altså økt de øremerkede midlene til kvalitetsutvikling i eldreomsorgen. De er nå på i overkant av 400 mill. kr, som nettopp går til kompetanse og kunnskap som skal bidra til dette. Så er det sånn at for neste års statsbudsjett betyr ikke årets skattesvikt noe, for vi beregner det før denne skattesvikten er tatt inn. inn. Og neste års statsbudsjett er interessant, fordi veksten i de frie inntektene der er høyere enn veksten når det gjelder handlingsrommet mellom demografiske utgifter og veksten i de frie inntektene. Denne veksten er nå høyere i kommunesektoren enn den var i 2011, 2012 og 2013. Det betyr at rommet til å prioritere neste år faktisk er større for kommunene enn det var i tre år med rød-grønn regjering.

Nå ser statsministeren fasiten på hva Venstre ikke blir skuffet over når det gjelder klima og miljø. Så mitt spørsmål til statsministeren er: Har statsministeren lært noe av dette? Ja. Jeg mener at det er mange gode tiltak som er kommet inn i forhandlingene. Summen av alle disse tiltakene er ting vi alle kan være enige om, og så må vi også passe på at vi alltid er enige om å få til en saldering av de positive tiltakene vi får inn. For meg er det viktig å si at det er mange ting vi kan diskutere opp og ned i et statsbudsjett, men de virkelig store løftene på klima er de vi klarer å gjøre hvis vi får næringslivet med oss på den nye teknologien. Derfor mener jeg at det største vi gjør, er å sørge for at staten er en god partner, både som etterspørrer etter ny teknologi når man kjøper inn ting, og også gjennom å ha en styrket finansiell ramme i

Den gjelder kun for de fattigste. Regjeringen har økt kontantstøtten istedenfor, økt barnehageprisene for folk flest, innført kortere fedrekvote osv. Det er ikke mulig, bortsett fra den økte barnehageutbyggingen som Kristelig Folkeparti og Venstre presset statsministeren til i eneste tiltak av betydning denne regjeringen har gjennomført, som gjør det lettere å kombinere det med familie og barn. Hvorfor har regjeringen ingen sånne forslag? Hvorfor snakker statsministeren aldri om likestilling? Har denne regjeringen i det hele tatt noen likestillingspolitikk? Jeg snakker ofte om likestilling. Men jeg tror ikke vi er helt enige om hva som nødvendigvis er å snakke om Jeg snakker mye om ansvaret vårt internasjonalt for at jenter får utdanning. Jeg bruker mye av tiden min på å jobbe med det. Det er den største likestillingsutfordringen på verdensbasis, mye større enn spørsmålet om det er blitt litt mer penger til kontantstøtten. Eller når regjeringen foreslo å ta vekk skatteklasse 2 – det har kommet igjen på Stortinget – er det klart at det økte incentivene til å være med i arbeidslivet. Men vi har også laget et kompromiss hvor vi har blitt enige på Stortinget om at vi ikke skal ha så sterke incentiver knyttet til det. Men vi har også laget et kompromiss hvor vi har blitt enige på Stortinget om at vi ikke skal ha så sterke incentiver knyttet til det. Det er klart at hvis man mener at kampen mot vold mot kvinner, og kampen for at jenter skal få utdanning, ikke er likestillingsspørsmål, kan man kanskje kritisere regjeringen og si at den ikke gjør noe på det. Jeg mener vi gjør noe med noen av de viktigste tingene vi skal gjøre noe med, og det er å sørge for at kvinner ikke blir utsatt for vold, og at jenter får utdanning. Replikkordskiftet er

svært viktige velferdsoppgavene. Dette handler om å gi barn og unge gode og like muligheter, verdige tilbud til eldre og andre med omsorgsbehov, rask og god behandling ved sykdom og ikke minst også økt innsats for å forebygge sykdom. Samtidig vil vi kompensere kommunene fullt ut for det store tapet av skatteinntekter som nå rammer Kommune-Norge. Det dreier seg om nærmere 3 mrd. kr. Mye penger mye penger å miste. «På det jevne», sa Høyres Svein Flåtten tidligere her i dag, og alminneliggjør det hele, som om det var vanlig at skatten sviktet. Under Arbeiderpartiet og de rød-grønne har kommunene bestandig fått beholde ekstra skatteinntekter, og det er stort sett det som har preget de åtte årene. Arbeiderpartiet svikter ikke kommunene fordi det ville være å svikte dem som trenger tilbudene og tryggheten. Skatte- og avgiftsnivået i vårt budsjettopplegg ligger på samme nivå som i 2013. Vi bruker de store pengene på de store oppgavene, som handler om å trygge folks velferd. Høyre og Fremskrittspartiet står for en politikk som åpenbart skaper større forskjeller mellom folk, som er unorsk, og som nordmenn flest egentlig ikke vil ha. Venstre og Kristelig Folkeparti har stoppet de aller mest usosiale kuttene, og de har fått til en del ting til som vi synes er bra, og som ligger inne i vårt opplegg, og som vi vil være med og stemme for. Det skal de ha. Men for en kamp det tydeligvis har vært. Det er godt det er et år til neste gang. Uansett: Med dette statsbudsjettet har Høyre og Fremskrittspartiet virkelig vist sitt sanne jeg. Skattekutt til de mest velstående er saken over alle saker.

andre alternative løsninger og innfører eller øker eiendomsskatten. Vi har hørt eksempel fra Bergen, vi har hørt eksempel fra Stavanger, og det er heller ikke av de fattigste kommunene i landet som nå må ty til eiendomsskatt. Regjeringa ser en annen vei og lar velferdskutt over hele landet bare skje. Gjermund Hagesæter sier at det blir flere og billigere tjenester. En smule virkelighetsfjernt, tillater tillater jeg meg å karakterisere det som. Det er alvorlig når velfungerende kommunale tilbud må reduseres eller legges ned. For det er det som skjer. Unge rammes, barna rammes, omsorgstrengende i alle aldre likeså, og kommunene og fylkeskommunene får mindre mulighet til å satse på offensive vekstskapende tiltak. Kommunale veier og bygg får ikke vedlikeholdet som det er stort behov for, og nødvendige investeringer utsettes. Flere fylkeskommuner er i tillegg tappet for midler avsatt til å drive regionalt utviklingsarbeid. Arbeiderpartiet øker bevilgninger til kommuner og fylkeskommuner med om lag 3,5 mrd. kr mer enn regjeringa, og det meste gjennom frie inntekter. En halv milliard kroner går til barnehagene, vi har en utstyrspakke til videregående opplæring, vi øker lærlingtilskuddet og har 300 mill. kr ekstra til regionalt utviklingsarbeid – drahjelp ute i Distrikts-Norge særlig. Det ville ha blitt en helt annen hverdag for Kommune-Norge om vårt budsjett hadde blitt vedtatt. Om en blir syk i Norge, skal en være trygg på at en får verdens beste helsetjenester, at de står klare. Derfor styrker vi sykehusøkonomien med kr. Vi mener også at det er behov for sterkere satsing på nye behandlinger, IKT og medisinsk utstyr. Egentlig er jeg overrasket over at Bent Høie som helse- og omsorgsminister ikke har klart å legge fram et bedre helsebudsjett. Antakeligvis merker han sin egen medisin, dyre skattekutt, og hvordan det virker på velferden vår. Vi satser også storstilt på folkehelse, med et opplegg på 737 mill. kr, hvorav mye går til

Vi har allerede satt ned en grønn skattekommisjon, og vi vedtar økt satsing på energieffektivisering i private hjem. Dette flertallet vedtar altså konkrete tiltak som det rød-grønne flertallet stemte ned i forrige stortingsperiode. Skal vi gjennomføre en effektiv klimapolitikk, må vi gjøre de riktige investeringene i dag. Vi må ruste Norge for framtiden. Derfor vil regjeringen investere i jernbane og kollektivtrafikk. Derfor vil vi gi næringslivet muligheten til å delta i det grønne skiftet, og derfor skal vi bygge ut mer fornybar energi. Det finnes ingen kjappe løsninger, snarveier. Det vi trenger, er gode klimatiltak på mange områder i samfunnet. Budsjettet og budsjettforliket gir oss nettopp dette – en sektorovergripende tilnærming der mange små og store tiltak peker ut veien til lavutslippssamfunnet. Innsatsen mot klimaendringene handler ikke bare om hva som skjer i Norge. En av regjeringens viktigste satsinger internasjonalt er klima- og skogsatsingen. Dette ble en del av det første klimaforliket, bl.a. etter krav fra Høyre. Siden den gang har både forrige og sittende regjering fulgt opp satsingen. I år skal vi bruke rundt 3 mrd. kr på å redusere avskoging og bygge kapasitet i land som Indonesia, Brasil og Liberia. Vi har nå lagt bak oss en spesielt god uke for regnskogen. I Brasil har vi nå fått årets avskogingstall. De viser den nest laveste avskogingen siden landet startet å måle sine avskogingstall. Samme uke har brasilianske soyaselskaper besluttet å utvide sin soyastopp med en ny 18-måneders periode. Dette gir stor effekt fordi soyaindustrien har vært en viktig årsak til avskoging. Vårt samarbeidsland Indonesia har nylig byttet president, og den siste uken har vi fått svært positive signaler fra både presidenten og den nyutnevnte skogministeren. Disse nyhetene minner oss utenfor Norges grenser, har stor betydning for utviklingen av klimagassutslipp. En ny runde med klimaforhandlinger starter i dag. Denne gang i Lima. Rundt 190 land skal arbeide for å bli enige om en ny klimaavtale. Norge spiller en aktiv rolle og har tre klare mål. For det første: Vi ønsker en avtale i Paris neste år som er basert på landenes utslippsmål. For det andre: Vi vil jobbe for at vi kan måle om utslippskuttene som loves, vil være nok til å nå 2-gradersmålet. For det tredje vil vi jobbe for at avtaleutkastet skal inneholde et langsiktig, globalt mål for utslippsreduksjoner. Vi legger lista høyt. Derfor har vi foreslått at vi globalt skal nå netto null utslipp i 2050. Når vi diskuterer statsbudsjettet, er det viktig å ha med seg både det nasjonale og det internasjonale perspektivet. Innsatsen mot klimaendringer er global. Norge spiller en viktig rolle i internasjonal klimapolitikk. Det skal vi fortsette med, og det bygger dette budsjettet opp under. Det blir replikkordskifte. Statsministeren har fortalt oss at grunnen til at klimaministeren sliter med gjennomslag i regjeringen, er at hun sitter i en regjering hvor det er mange som ikke er opptatt av saken.

har man valgt å nulle ut bevilgningene til klimakvoter neste år. Det var virkelig oppsiktsvekkende da klimaministeren sendte brev til Stortinget hvor hun sa at dette var en form for urealistisk budsjettering, og hennes egen statssekretær fulgte opp og sa i Dagens Næringsliv at dette ikke er realistisk, og at de må komme til Stortinget og be om en tilleggsbevilgning. I dag har vi hørt Høyres parlamentariske leder si det motsatte. Han mener at dette er at dette er en realistisk budsjettering. Så mitt spørsmål til ministeren er: Hva er det som er rett? Er det det Høyres parlamentariske leder sier fra denne talerstolen, eller er det det hun skriver i sitt brev til Stortinget? Staten kjøper klimakvoter for å oppfylle Norges internasjonale klimaforpliktelser i Kyoto-avtalen. Regjeringen vil legge til rette for at vi får kjøpt nok klimakvoter i perioden fram til 2020,

eller at det er behov for andre endringer i det kjøpsopplegget, vil regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte. Det er det som er varslet i

Spørsmålet mitt til statsråden er: Er statsråden enig i at for å videreutvikle strategien REDD+ er det viktig at vi jobber for å fremme resultat på flere områder enn kun når det gjelder reduserte utslipp? Vi fikk to gode evalueringer av klima- og skogprosjektet i høst. Det viser at måten Norge jobber på, gir resultater: Vi går inn i en dialog med de landene vi har et nært samarbeid med, slik at de landene bygger opp systemer for å ivareta avskogingen, sivilsamfunnet kommer til bordet sammen med departementene, og vi har også fokus på urfolks rettigheter. Det er nettopp den totale tilnærmingen som gir gode resultater. og vi har også fokus på urfolks rettigheter. Det er nettopp den totale tilnærmingen som gir gode resultater. Vi fikk også under klimaforhandlingene i Warszawa gjennomslag for et bedre system for hvordan resultater av klima- og skogsatsingen skal inn i den internasjonale klimaavtalen. Så vi var godt fornøyd med den evalueringen vi fikk, og vi fortsetter langs dette sporet som jeg tror gir de beste resultatene.

Så er det slik at vi nå i budsjettforliket vil gjøre mer når det gjelder ladbare hybridbiler, som viser at vi her har sjansen til å redusere utslippene innenfor transport. Så var det noen som utfordret Transportøkonomisk institutt på hva det ville bety at vi ikke prisregulerte og svaret fra TØI var ganske klart – det betyr minimalt. En liten prisjustering tror jeg ikke er veldig avgjørende for om en lar være å kjøre bil eller ikke. Det er den totale bilpolitikken som her gir resultater – et signal om at det skal lønne seg å velge miljøvennlig. SV er einig med statsråden i at det å ha med seg det internasjonale så

SV vil gje økonomisk støtte til folk som gjer klimatiltak i eigen bustad og byggjer solceller. Store delar av Noreg passar til å produsera solcellestraum, som er ein av verdas mest lovande klimaløysingar. Synest statsråden at dette kan vera ei god sak å arbeida vidare med, sjølv om vi ikkje i dette statsbudsjettet fekk til ei slik ordning som gjer at folk kan få støtte til solceller på taka sine?

Jeg var i fjor høst med på å koble til det som da var Norges største solcelleanlegg, på taket på Høgskolen i Hedmark, på Evenstad. Når en ser hvordan også solcelleteknologien virker bra i Østerdalen, er det et godt bevis på at sol også er et viktig energiområde for Norge. Så vet representanten Gjerstad at slik Enova nå er innrettet, gir en ikke støtte til det. Om det er klokt å gjøre i et land som har mye fornybar vannkraft, er den type avveininger vi må se på når vi skal reforhandle avtalen med Enova. Jeg vil begynne med å takke Kristelig Folkeparti og Venstre for å ha fått til

Vi skal investere mer, men vi skal også investere pengene bedre. Derfor er det mange systemskifter i det som regjeringen holder på med, og ikke bare en diskusjon om hvor mange kroner en bevilger. En må få en mer effektiv offentlig sektor som bygger ut, og en må få mer igjen for pengene. En må få raskere planprosesser og raskere beslutninger. Jeg registrerer at opposisjonen ikke har et helhetlig alternativ nå. Under den rød-grønne regjeringen var det alltid et krav fra de rød-grønne ministrene om at opposisjonen måtte stå samlet om en skulle ta den på alvor. I denne sal spriker opposisjonen – de rød-grønne partiene – i alle retninger. Det kuttes og plusses om hinannen – uten noe helhetlig retning. Jeg synes det er interessant at regjeringen – og flertallet – får kjeft for at vi satser for mye på vei. Det er viktig å ivareta det vi har. Vedlikeholdsetterslepet på vei og på jernbane har økt år etter år. På jernbane har det økt med nesten 1 mrd. kr årlig de siste ti årene. Nå blir det en endring, nå snur vi dette. Etterslepet på vei vil i budsjettet for 2015 reduseres for første gang på mange tiår. Med et godt samarbeid med Venstre og Kristelig Folkeparti blir det også en reduksjon i vedlikeholdsetterslepet på jernbane. Fra å ha vokst med 1 mrd. kr årlig vil det faktisk bli redusert i året som kommer. Det vitner om en vilje og en evne til å prioritere å vedlikeholde det vi har. Denne vekstendringen så en ikke tegn til i budsjettet for 2014, som ble framlagt av den forrige regjeringen. Denne endringen kom da nye partier tok makten i Stortinget og kom i regjering. Å vedlikeholde det vi har, er viktig. På veisektoren handler det spesielt om trafikksikkerhet. Det dør 140–170–200 mennesker på veiene i Norge hvert år. Derfor er Det handler om framkommelighet for folk som bor, som jobber for næringslivet, eller som transporterer gods på veiene. På jernbanesektoren er det spesielt viktig å sikre at de som transporterer gods, kan bruke jernbanen som en trygg og forutsigbar transportåre. Det har vært for mange jernbaneavganger som har blitt innstilt fordi infrastrukturen ikke holder mål. Nå kan vi begynne å gjøre noe med det. Først da kan vi også begynne å snakke troverdig om at mer gods skal vekk fra vei over på jernbane. Dette er også bra for vedlikeholdet av vei, for et vogntog sliter langt mer på veien enn det personbiler gjør. I tillegg skal vi bygge ut mer infrastruktur. Vi skal få økt kapasitet og redusert reisetid på flere strekninger. Det gjelder både vei og jernbane. Vi får igangsatt alle prosjektene i tiltaksplanene til Vegvesenet og Jernbaneverket. Det er ikke nødvendigvis gitt, selv om det har vært omtalt i Nasjonal transportplan.

Det vitner om en vilje til å satse videre. Det er viktig at vi ser på hvordan vi planlegger mer helhetlig – planlegger lengre strekninger og bruker statlig plan oftere, velger bedre traseer, får til bedre samarbeid mellom Jernbaneverket og Vegvesenet, ser på fartsgrenser og skiltforskrifter, slik at vi utnytter den infrastrukturen vi har, bedre. Men så er det viktig at vi ikke bare kikker på det vi skal bygge – og som skal stå mange år fram i tid – vi må også sørge for at folk får et bedre tilbud i dag. Derfor har flertallet sagt vi skal ha flere avganger på jernbanen. Mens en for bare halvannet år siden jublet over at en fortsatt kunne ha nattog på Sørlandsbanen, sier dagens flertall at det ikke er nok, vi vil ha nesten en dobling av antall avganger. En forlenger pendelen på Trønderbanen. En får langt flere avganger i Osloregionen. NSB får midler til å kunne kjøpe inn dobbelt så mange vognsett. Jernbaneverket vil forlenge mange perronger, som gjør at vi kan øke kapasiteten allerede nå. gjelder sykkelveier, vil det bli en økning på 30 pst. i antall kilometer bygd sykkelvei. Mange ser på hvor mange kroner som skal brukes. For meg er det viktig at vi ser på hvor mange kilometer som faktisk realiseres. Og innen tungtransporten vil det være strengere regler og flere kontroller. Det er viktig for å få bedre trafikksikkerhet og bedre konkurranseforhold for næringen. Mye skjer også når det gjelder bredbånd. Her er det en kraftig vekst i bevilgningene til sikkerhet. En arbeider med å få ned kostnadene. kostnadene. Når vi får ned kostnadene, vil det også være naturlig å se på hvor man skal øke subsidiene – for å få realisert mer. Det blir replikkordskifte.

Hvordan føles det å legge fram et budsjett som er langt under det som Fremskrittspartiet la inn i sin alternative NTP, og i tillegg oppleve at Arbeiderpartiet satser mer på samferdsel enn Fremskrittsparti–Høyre-regjeringen? Det føles godt å vite at Arbeiderpartiet ser på Fremskrittspartiet som det mest offensive samferdselspartiet i Stortinget. Det er noe vi kommer til å jobbe med, både i år og videre. Så sier en at dette sto i NTP. Ja, det er mye vi

Det viser at vi ligger lenger foran enn det som Arbeiderpartiet sa vi i beste fall kunne gjennomføre da de selv vedtok Nasjonal transportplan. Så er det ikke tvil om at når Arbeiderpartiet øker skattene med 14 mrd. kr, er det mulig å finne penger til litt mer vei enn det Fremskrittspartiet gjør, men Arbeiderpartiet styrte i åtte år uten å begynne å hente inn vedlikeholdsetterslepet på vei. Det klarer vi etter ett år.

Nå tror jeg bilistene er rimelig likegyldige til bompengenes intelligensnivå. De er mer opptatt av omfanget. På skriftlig spørsmål fra meg i vår svarte statsråden at ifølge handlingsprogrammet til Statens vegvesen lå det an til 90 nye bomstasjoner fram til 2017. Så mitt spørsmål er, med det budsjettet vi behandler i dag: Tallet 90 var oppgitt tidligere. Hva vil tallet bli med det nye budsjettet? Jeg synes det er flott at Senterpartiet gir anerkjennelse til Fremskrittspartiet og Høyre for at vi er mer offensive i samferdselspolitikken, og budsjettet som vi har framlagt, viser det. Vi ligger altså foran skjemaet til Nasjonal transportplan når det gjelder oppfølging i kroner. Vi ligger godt an når det gjelder oppfølging i prosjekt. prosjekt. Jeg minner også om at hvis vi her sammenligner prosentvis, ligger vi mye lenger foran etter to år enn det forrige regjering gjorde i 2010, da de var to år inn i forrige NTP, som hadde langt lavere ambisjoner. Når det gjelder bompengeomfanget, er det ingen tvil om at det blir mindre bompenger med denne regjeringen enn det som var lagt opp til med forrige regjering. Jeg synes det er interessant at en representant som også har vært statssekretær i Samferdselsdepartementet, måtte spørre Samferdselsdepartementet om hvor mange bompengestasjoner en selv hadde lagt opp til i de fire årene man skulle sitte i opposisjon. Det vil bli færre bompengestasjoner enn det som var planlagt, men det vil bli bompenger. Regjeringsplattformen sier at det vil bli bygd mer vei enn det som var planlagt, men det vil være færre bomstasjoner. Men vi får ikke eliminert bomstasjonene.

Men det er også et betydelig tillegg når det gjelder belønningsordningene inn mot de store byene, på 325 mill. kr. Der ligger jo kollektivtrafikken, men der ligger det også mange mindre tiltak, bl.a. sykkeltiltak. Da er utfordringen hvordan vi skal bruke disse midlene i samarbeid med de store byene, sånn at man klarer, også til neste år, å ta all trafikkveksten med gange, sykkel og kollektivtrafikk. Da blir mitt spørsmål: Mener statsråden det er en bevilgning som er tilstrekkelig for å nå det målet? Og hvordan vil statsråden jobbe for at vi skal klare å unngå en trafikkvekst basert på bil, også i 2015?

andre reisemåter. For meg er det viktig at vi i arbeidet med å få løst en del trafikkfloker i byene finner løsninger som gjør det mer attraktivt, at folk ønsker å reise kollektivt. Det er jo først når folk ønsker en atferdsendring, fordi de ser at de får et bedre tilbud, at flere vil gjøre det. Det å piske folk inn i en overfylt buss gjør at de drømmer seg tilbake til bilen. Det å heller få sitte på en buss der en kan surfe på iPad-en og vite at bussen kommer og går når den skal, at det er komfortabelt, det er måten en gjør det på, da vil bevilgningsøkninger være viktige, men ikke tilstrekkelig

Hvis alternativet ofte har vært å sitte i et tog eller en buss som tar fryktelig lang tid sammenlignet med å kjøre bil, velger mange bil, og det er fordi folk opplever tidsklemma mange ganger. Man skal gjerne levere i barnehage og gjøre ting som gjør at man ikke er så fleksibel. Det er da vi må sørge for å bygge ut kollektivtrafikktilbudet og en jernbaneinfrastruktur som gjør at det er attraktivt å bruke det i stedet for bil, fordi man vet at man kan utnytte tiden sin om bord på bussen og toget i

in»-hybridbiler. Da må vi klare å ha to tanker i hodet samtidig: både bygge ut infrastruktur som får vekk køer, og investere i teknologi som får vekk utslipp. Replikkordskiftet er omme. Før valget lovte særlig Høyre en kursendring på skoleområdet. Spenningen var derfor stor da Høyre høsten 2013 inntok Kunnskapsdepartementet og

ekstra til skolesatsing. Økningen ble dekket av andre skolekutt. Uttaket fra vår felles oljekonto gikk til de aller rikeste i form av solide skattekutt. For vanlige folk dekket ikke skattekuttet engang de eplene som Erna Solberg og Siv Jensen hadde tatt fra ungene. Høyres og Fremskrittspartiets svar var at først høsten 2014 ville vi se hva regjeringspartiene virkelig sto for. I dag vet vi hvordan et slikt budsjett ser ut. Igjen er det en rekord i bruk av oljepenger – aldri før har vi betalt så mange av våre løpende regninger med oljepengebruk. Men igjen er det andre enn barn og unge, lærere og ansatte i skolen som får pengene. Den eneste skolesatsingen i budsjettet er å følge opp Stortingets enstemmige ønske om mer til etter- og videreutdanning for lærere. En økning på 142 mill. kr får bred støtte i Stortinget i dag. Andre satsinger fantes rett og slett ikke – ingenting til tidlig innsats for barn som sliter, ingenting for å redusere størrelsen på klassene, ingenting for å hjelpe flere gjennom videregående skole, ingenting for å styrke kampen mot mobbing. I brev til Stortinget opplyser kunnskapsminister Røe Isaksen at den totale økningen til grunnskole og videregående skole er lavere enn økningen til etter- og videreutdanning til lærere. Det vil si at selv Røe Isaksen klarer å regne

Igjen gikk de store pengene til skattekutt til de rikeste – mellom 8 mrd. og 9 mrd. kr. 30 pst. var foreslått gitt til den rikeste tusendelen i Norge. Det skulle altså brukes nesten 100 ganger mer på skattekutt enn på satsing på grunnskole og videregående skole. Bare skattekuttet til noen få av de rikeste i Norge tilsvarte hele skoleøkningen i Heldigvis vil et enstemmig storting i dag solid avvise regjeringens forslag til kunnskapsbudsjett. Stortinget sier nei til kutt i borteboerstipendet, nei til studieavgift for utenlandsstudenter, nei til kutt i voksenopplæringen, nei til kutt i de frivillige organisasjonene og nei til Høyres og Fremskrittspartiets forslag om kutt i folkehøyskolene. Fortsatt står noen få kutt igjen, men Kristelig Folkeparti og Venstre skal ha ros for å ha fått bort av Røe Isaksens, Høyres og Fremskrittspartiets nedskjæringsforslag. Arbeiderpartiet sier nei til regjeringens skattekutt, og uten å øke skatter og avgifter med en eneste krone utover 2013-nivå har vi en helt annen satsing på skole og utdanning: mer til tidlig innsats for de yngste barna, gratis kjernetid i SFO i satsingsområder, økt innsats mot mobbing, økt innsats på yrkesfag, øremerking av skolehelsetjenesten, satsing på studiekvalitet i høyere utdanning, flere studentboliger og økt innsats for å hjelpe studenter som sliter psykisk – for å nevne noen av sakene. Budsjettforliket mellom Kristelig Folkeparti og Venstre bringer budsjettet mer i retning av det Arbeiderpartiet har valgt å prioritere i sitt alternative opplegg. Jonas Gahr Støres ord om at det Kristelig Folkeparti og Venstre har brukt tre uker på å få Høyre og Fremskrittspartiet med på, kunne man fått til på tre timer med Arbeiderpartiet, gjelder i hvert fall på utdanningsområdet. Her er det Høyre og Fremskrittspartiet som utgjør et ytterpunkt i norsk politikk, et ytterpunkt som ikke har støtte her i stortingssalen. Det kan norske elever, lærere og alle som er opptatt av skole og utdanning, være glade for. Likevel er det grunn til bekymring, og det skyldes at den aller viktigste skoleinnsatsen den aller viktigste skoleinnsatsen gjøres av kommuner og fylkeskommuner over hele landet. Med det budsjettet som regjeringspartiene la opp til, men også med det budsjettet som vedtas med Kristelig Folkepartis og Venstres støtte, vil vi utover høsten, før jul, se kutt i mange kommuner, lærere som ikke får det nødvendige handlingsrommet til å hjelpe elevene, som ikke har tid til å se den enkelte, som ikke har tid til å følge opp. Arbeiderpartiet tror ikke på at det er lærerens kunnskap som er den største mangelen i norsk skole. Det er lærerens tid, og der setter vi også inn våre penger.

og som i arbeidet med budsjettet svarer på alle slags spørsmål til nær sagt alle døgnets tider. Norsk økonomi klarer seg godt. Det er langt på vei hovedkonklusjonen. Hovedsatsingen i budsjettet legger til rette for økt produktivitet og fortsatt vekst i økonomien. Dermed vil nye arbeidsplasser kunne skapes og velferden i samfunnet trygges. Likevel vil det alltid være noen bekymringer, slik det også er nå. Tidene kan endre seg raskt, og det er nok å henvise til fallet i oljeprisen. oljeprisen. Oljeprisen påvirker mange forhold i samfunnet. Vi har igjennom oljefondet laget en mekanisme som i stor grad skjermer fastlandsøkonomien. Vi legger store beløp av oljeformuen inn i budsjettet. Likevel vil formuen i oljefondet passere 6 000 mrd. kr ved utgangen av neste år. Apropos formue: Høyre og regjeringen har vært krystallklare på at formuesskatten skal ned, og hvorfor er nærmest til det kjedsommelige argumentert for i utallige eksempler. Skatten skal ikke Skatten skal ikke ned med begrunnelse i at folk med store bankinnskudd og dyre boliger skal slippe beskatning, selv om det kan argumenteres godt for at den slags formue stort sett er beskattet tidligere. Nei, hovedbegrunnelsen er og blir at hensynet til de mange små og mellomstore privateide norske bedriftene skal slippe denne ekstrabelastningen som formuesskatten utgjør. Det er grunn til å minne om at privat sektor sysselsetter om lag 1,8 millioner mennesker, og dette er ca. 70 pst. av De fleste privateide norske bedrifter er små, med under ti ansatte, og disse utgjør ofte ryggraden i mange lokalsamfunn. Hvis vi mener noe med spredt bosetting og næringsliv, må vi stimulere til dette og ikke argumentere for det motsatte. Derfor er skatt på eierskap i norske bedrifter til dels urimelig, særlig når vi vet at konkurrerende utenlandske virksomheter ofte slipper formuesskatt. Skattelettelser fremstår for enkelte som noe vederstyggelig. Det uttrykkes gjerne at man gir en mengde skatteletter til folk Jeg vil minne om det faktiske forholdet: Staten gir ingen ting av dette. Staten bare tar eller krever litt mindre av folk. Det er tross alt slik at en skatt er noe som folk betaler av sin inntekt og formue – det er ikke noe man får. Forenkling og fokus på byråkrati er viktig. Regjeringen legger fortjenestefullt opp til å gjøre noe med dette. Det foreslås å innføre en avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform fra og med 2015. 0,6 pst. av alle driftsutgifter som bevilges over statsbudsjettet, tilbakeføres til fellesskapet gjennom de årlige budsjettene. For 2015 er dette beregnet til i underkant av 1,7 mrd. kr. Slike tiltak har blitt benyttet i andre sammenliknbare land, men gjerne med en høyere prosentsats enn det som foreslås her. Fremover bør det arbeides med ytterligere effektiviseringstiltak og forenklinger. Norge er et svært godt land å bo i. Vi kan være stolt av nasjonen vår. Vi har bygget opp en rimelig effektiv offentlig forvaltning på de fleste områdene, men det arbeides med at vi må bli bedre, og arbeidet med kommunereformen er et eksempel på dette. Det fylkeskommunale nivået skriker etter fornyelse, og formentlig ser vi også endringer her. Staten skal forenkles og fornyes. Det fremlagte budsjettet fra de borgerlige partiene

som stort sett er enige i det meste, men hvor det likevel skal finnes ideologiske forskjeller. Det fremkommer jo fra tid til annen i denne sal. For oss som er verdikonservative, som har vårt ståsted på troen og tilliten til enkeltmennesket, er det slik at tilliten må opparbeides, men også gis. Det fremlagte budsjettet fra samarbeidspartiene gir tillit. Budsjettet bærer preg av en kombinasjon av at samfunnet prioriterer økt satsing bl.a. innenfor kunnskap, helse og samferdsel og moderate skattelettelser til næringsliv og folk flest. Alt dette bidrar til et bedre samfunn hvor enkeltmennesket har sin sentrale plass. Det er slik vi får tillit til hverandre, og som bidrar til at vi drar i samme retning.

som de ikke gjorde noe særlig med da de satt i posisjon i åtte år. Rollene er endret, men det er helt tydelig at det er lettere å være i opposisjon enn å sitte i posisjon. Regjeringen har fremlagt et forslag til statsbudsjett for 2015 med tydelige prioriteringer innenfor kunnskap, samferdsel, justis og helse. Samtidig er det funnet rom for betydelige lettelser i skatter og avgifter. Det er altså mulig å gjøre begge deler. Budsjettavtalen i Stortinget med Kristelig Folkeparti og Venstre har opprettholdt og forsterket prioriteringene i budsjettet for neste år. De fire samarbeidspartiene har bekreftet sin enighet om tydelige prioriteringer på viktige områder. Gjennom et godt budsjett kan vi bidra til å styrke norsk økonomi og bedre rammebetingelsene for dem som skal skape verdiene. I internasjonal sammenheng er norsk økonomi meget solid, selv om det Store naturressurser, ikke minst olje og gass, og høy arbeidsinnsats har gitt et velferdsnivå som ivaretar de aller fleste, men samtidig også gitt noen utfordringer både for den enkelte husholdning, den enkelte bedrift og for landets økonomi som helhet. Kostnadsnivået i Norge er svært høyt sammenliknet med våre handelspartnere i Europa, og det har utviklet seg i gal retning. Velferd er ikke gratis, selv om den er offentlig. Noen må finansiere de godene som fordeles til enkeltindivider og grupper, og behovene kan synes uendelig store. Fremtidens utfordringer ble godt belyst i den forrige regjeringens perspektivmelding, som ble behandlet i Stortinget i 2013. I perspektivmeldingen til de rød-grønne ble det bl.a. påpekt behovet for å opprettholde god avkastning fra oljefondet, effektivisere offentlige sektor og øke arbeidstilbudet. Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen tar disse utfordringene alvorlig, bl.a. ved å innføre et effektiviseringskrav til statlige etater som vil sikre fremtidige inndekningsbehov. Krav om produktivitetsgevinst i offentlige budsjetter er innarbeidet i mange land, men det er helt nytt i norsk sammenheng. Regjeringens forslag, som er ytterligere forsterket i budsjettforliket, er helt i tråd med anbefalinger fra OECD. Jeg registrerer at opposisjonen kritiserer regjeringens reform uten å ha egne alternativ på området. Å flytte mer arbeidskraft fra konkurranseutsatt sektor til en enda større oljefinansiert offentlig sektor er ikke svaret på de utfordringer Vi har allerede gode eksempler på hvordan det er mulig for offentlig sektor å effektivisere, redusere utgiftene og oppnå bedre resultater. Jeg synes det er grunn til å fremheve den såkalte hedmarksmodellen, hvor Nav i Hedmark bare ved å benytte dagens regelverk har oppnådd over 80 mill. kr i innsparte sykepenger på ett år år og fått flere tilbake i arbeid, og de har fått dem mye raskere tilbake i arbeid. Brukerne selv er gjennomgående veldig fornøyd. Så det viser at vi har mange dyktige mennesker i det offentlige – de må et regelverk og de må ha incitament til å foreta effektiviseringer og oppnå resultater. På vegne av Fremskrittspartiet er jeg glad for at Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen har fremlagt et budsjett med en klar retning og en tydelig prioritering av hvilke tiltak som er nødvendige for å løse behov innenfor viktige samfunnsområder. Flertallspartienes forslag til statsbudsjett gir ikke mer til alle, men prioriterer tiltak som er viktige for å bedre rammevilkårene for næringsliv og fastlandsindustri, motivere flere til økt engasjement, arbeidsinnsats og ikke minst stimulere til lønnsom sparing og investeringer. Det er også grunn til å minne om at det ikke alltid er størrelsen på bevilgningene som er avgjørende, men snarere at pengene brukes riktig og gir resultater som forventet. Vi skal måles på resultatene. Ved fremleggelse av regjeringens budsjettforslag ble det umiddelbart fokusert på to hovedelementer i budsjettet: skattelettelser og endringer i offentlige ytelser. Hver for seg veldig interessante fokus, som absolutt har en sammenheng. sammenheng. Det bør ikke være noen motsetning mellom å belønne arbeid og innsats og å opprettholde et godt sosialt sikkerhetsnett, snarere tvert om. For 2014 ble selskapsskatten og skattesatsen på lønnsinntekt redusert fra 28 pst. til 27 pst. Arveavgiften ble fjernet i sin helhet, og i tillegg ble formuesskatten redusert. For 2015 medfører budsjettforliket i Stortinget noen endringer i regjeringens foreslåtte skatte- og avgiftsopplegg, men hovedretningen er godt ivaretatt. Forliket gir skatte- og avgiftslettelser på 5,2 mrd. kr i 2015, samtidig som det gir økt innsats på viktige samfunnsområder. I sum er det da 12,5 mrd. kr som er gitt i skatte- og avgiftslettelser i løpet av to år. For å øke arbeidstilbudet og sikre velferden må det bli mer lønnsomt å arbeide, investere, ta risiko og bygge verdier. Budsjettforliket gir signaler i riktig retning og svarer på fremtidige utfordringer. For ordens skyld – siden det har vært nevnt i debatten – har ikke Fremskrittspartiet spesielt mange velbeslåtte kjernevelgere. Og siden vi er så få til stede, er det kanskje noen som vil hevde at akkurat nå har vi ikke så mange i det hele tatt, men vi har god representasjon blant og små og mellomstore næringsdrivende. For dem er faktisk skattesatser og størst mulig likebehandling av formuesobjekter viktig for å gjøre det attraktivt for private å investere i næringsvirksomhet. Innføring av ny ordning med uføretrygd har også fått sterk fokusering denne høsten. Reformen, som ble vedtatt av Stortinget i 2011, skal innføres i 2015, og regjeringens forslag til overgangsordninger har ytterligere styrket i budsjettforliket. Motivasjonen for uførereformen var å gjøre det enklere å kombinere arbeid og trygd, dvs. å fremme arbeidslinjen og skape muligheter for de altfor mange som står på utsiden av det ordinære arbeidsmarkedet. Verdien av vår fremtidige arbeidsinnsats utgjør den største delen av Skattelettelser i kombinasjon med større bevilgninger til forskning og utdanning er bidrag til å utvikle vår felles formue. Norge har et høyt kostnadsnivå, og vi må konkurrere på kvalitet og kompetanse. Derfor er det viktig å stimulere forskning som resulterer i kommersielt gode og innovative løsninger. Ordninger med skatteFUNN og de næringsrettede virkemidlene i Norges forskningsråd styrkes i neste års budsjett. I tillegg får enda flere lærere tilbud om videreutdanning, og det innføres en ordning med realfagskommuner nettopp fordi kunnskap er avgjørende viktig. Budsjettforliket gjør det også mulig å bygge 2 000 nye studentboliger i 2015, og lærlingtilskuddet kan økes med 4 000 kr per kontrakt. Behovet for mer vei og bane, ikke bare til nyinvesteringer, men også mer til vedlikehold, er godt ivaretatt i budsjettforslaget for 2015. 2015. For næringslivet og den enkelte bruker vil det merkes at det bevilges vesentlig mer til disse formålene. Det betyr at vi også klarer å ta igjen noe av vedlikeholdsetterslepet på vei og bane. Samtidig kommer infrastrukturfondet opp i 70 mrd. kr i 2015, og gir en betydelig kapitalbase hvor avkastningen kan brukes til fremtidig vedlikehold. For Oslo og Akershus er det viktig med regjeringens forpliktelse om 50 pst. finansiering av Fornebubanen, og at det legges inn planmidler allerede i 2015. Så er det også viktig at vi dobler kapasiteten på lokalnettet på jernbanen gjennom økte investeringer til å kjøpe nye togsett. Det skjer allerede til sommeren. Trygghet for enkeltmennesket er høyt prioritert. Justisbudsjettet gir virkelig et løft med fokus på helsebudsjettet med økt pasientbehandling på sykehusene. Jeg vil bare helt til slutt nevne at det har vært veldig mye fokusering på folk flest i denne debatten, og det er veldig bra. Det er prisverdig, og for folk flest er kanskje avgiftene like viktige som skattenivået. Fra Fremskrittspartiets ståsted er jeg veldig fornøyd med at vi klarte å få til betydelige lettelser i bilrelaterte avgifter. Gjennom konstruktive forhandlinger med Kristelig Folkeparti og Venstre fikk vi faktisk til en pakke som var bedre enn det regjeringen i utgangspunktet hadde foreslått, og det er veldig bra. Presidenten ber om at man holder seg til taletiden. Det blir replikkordskifte.

Jeg la merke til at representanten i sitt innlegg selvfølgelig argumenterte for regjeringens budsjett og forliket, og sa seg veldig fornøyd med det. Samtidig la jeg merke til at representanten innledningsvis pekte på at opposisjonen er opptatt av skattelettelsene fra regjeringen, og at opposisjonen noe vi ikke gjorde i regjering. Det er lettere å være i opposisjon enn i posisjon, sa representanten. Rollene er byttet om. Det fikk meg til å reflektere litt, for det hørtes nesten ut som om representanten var litt misunnelig, som om representanten sto og drømte seg litt tilbake til de gode opposisjonsdagene gjennom 40 år. Da må jeg spørre representanten: Er det det som er tilfellet – etter den negative reaksjonen på budsjettet og dårlige meningsmålinger? Jeg har vært i Fremskrittspartiet siden 1979, og det innebærer at det har vært mange år i opposisjon, riktignok ikke for min del på Stortinget, så det siste året har vært en ny opplevelse, og jeg må si at så langt ville jeg ikke ha byttet bort en eneste dag. Det som er viktig i politikken, er å få mulighet til å gjennomføre det det man står for, og det man ønsker og mener er viktig, og det mener jeg at denne regjeringen får, riktignok en mindretallsregjering som er avhengig av å etablere flertall i Stortinget, men vi får til gode løsninger gjennom et godt samarbeid med Kristelig Folkeparti og Venstre. Så så langt er jeg veldig godt fornøyd. Jeg er

av. Da vil jeg bare minne om at det partiet som foreslår lavest selskapsskatt i år i de alternative statsbudsjettene, er SV. Det er ikke fordi vi er noe stort skattekuttparti, men det er fordi vi synes at finansnæringen bør bidra mer, oljenæringen bør bidra mer, og de næringene vi skal leve av i framtiden på fastlandet, skal bidra mindre. Har ikke representanten Limi bare litt lyst til å innrømme at det er mer fornuftig å øke skatten for de aller rikeste og de største formuene og bruke noen av de pengene på å kutte i skatten for de gründerne Limi brenner for? I utgangspunktet er jeg vel av den oppfatning at det som er viktig, er å skape for å dele og ikke å dele for å skape. Det gir ikke noe bedre uttelling for gründere eller for små og gir ikke noe bedre uttelling for gründere eller for små og mellomstore bedrifter om man skattlegger litt ekstra de få hundre som er blant de rikeste i Norge. Det som er viktig, er å få lavest mulig skattesatser, og da er formuesskatten faktisk ganske viktig. Alle disse sier ganske entydig at formuesskatten er et problem fordi den må man betale, uavhengig av om man har

hvordan kan det da ha seg at Norge er et så godt land å drive næringsvirksomhet i? Er det ikke sånn at støtteordninger, at et ordentlig sosialt sikkerhetsnett som gjør det mulig for folk å ta sjanser i arbeidslivet, at kompetansemiljøer som opprettholdes av gode politiske løsninger, at permitteringsordninger i industrien, at teknologiutvikling og forskning i offentlig regi – alt dette som finansieres med skatt er bra for næringslivet, og at det slett ikke er sikkert at næringslivet kommer bedre ut med en mer amerikanisert modell, som Fremskrittspartiet nå går inn for, der skattenivået er lavere, men der samfunnet blir tilsvarende fattigere i muligheten for å bygge et godt samfunn både for innbyggere og for næringsliv? Det representanten Serigstad Valen påpeker, er jeg ikke uenig i. Det er Det er viktig for næringslivet å ha gode rammebetingelser, forutsigbare rammebetingelser. Så opplever vi at økonomien og konkurransen er blitt veldig global, og da må man også skjele til hva som skjer i andre land. Stabilitet er viktig, kunnskap er viktig, forskning er viktig, å bygge kompetanse, og det betyr at at for Fremskrittspartiets del er det ikke noen motsetning mellom det og det å tilrettelegge med et riktig skattenivå, et godt skattesystem. Vi aksepterer skatt, men det må hele tiden være en balanse, slik at vi ikke lager rammebetingelser i Norge som er dårligere enn det de har i land vi skal konkurrere med.

50 mrd. kr mer i året til Nasjonal transportplan, mens man i budsjettforslaget hadde 5 mrd. kr – og ikke 50 mrd. Kan det være sånn at Fremskrittspartiet har gått på en kommasmell, eller er det sånn at Fremskrittspartiet nå endelig begynner å innse, som representanten Limi kanskje gir uttrykk for, for, at politikk handler om prioriteringer – og at det å prioritere kan være vanskelig? Og selv ikke Fremskrittspartiet kan få til alt for alle alltid. Mitt poeng innledningsvis var at det er litt lite troverdig at de som satt i regjering for ett år siden, i realiteten nå har planer om å øke bevilgningene til alle gode formål, når man ikke gjennomførte de planene og de bevilgningene mens man satt i posisjon til å kunne gjøre det. Det var mitt poeng. Sånn sett er det klart at det er en annen situasjon nå, og at det på mange måter kan være enklere å være i opposisjon. Vi tar utgangspunkt i at Fremskrittspartiet er en del av et regjeringssamarbeid. Vi sitter ikke i regjering alene. Vi har et samarbeid med Høyre, og vi er avhengig av to partier for å Stortinget. Det betyr at det blir noen kompromisser. Vi får ikke gjennomført alt som står i vårt partiprogram, men vi føler at vi får gjennomført så vidt mye at det er verdt å sitte i regjering for å få en ny kurs og en ny politikk i Norge. Replikkordskiftet er over.

For da statsbudsjettet ble lagt fram tidligere i høst, manglet det da heller ikke på konstruktive tilbakemeldinger. Min personlige favoritt var da representanten Abid Q. Raja reagerte på at Telenors nett var nede, med følgende sitat: «Det går bare ikke an å gi skattelette til bobiler mens Telenors mobilnett krasjer.» Hva skal man med opposisjon? Regjeringen har lagt fram et budsjett som jeg mener for første gang på lang tid tar Norges framtidige utfordringer på alvor. Regjeringene de siste ti årene har antageligvis hatt det største økonomiske handlingsrommet Norge noensinne vil ha. Dette har hatt sammenheng med at etterspørselen i petroleumsnæringen har holdt seg på et høyt nivå, også i årene etter finanskrisen. I denne unike posisjonen for omstilling klarte de rød-grønne det kunststykket å gjøre Norge mer oljeavhengig. I tillegg har vi, ifølge sjeføkonom Steinar Juel i Nordea, aldri tidligere hatt en så sterk forverring av konkurranseevnen. Alle er enige om at vi trenger å omstille Norge fra en oljebasert økonomi til å skape bærekraftige, framtidsrettede arbeidsplasser. Bare i løpet av de to siste årene har 7 000 mennesker i oljebransjen mistet jobben sin. Omslaget i etterspørselen fra oljenæringen vil sette vår omstillingsevne på prøve. Høyre har ment, og mener fortsatt, at det siste vi da trenger, er en særnorsk ekstraskatt som betales av dem som Når SSB viser at det kun er tre av ti selskaper som overlever de første fem driftsårene, bør vi se på hvordan vi kan fjerne hindringer for dem. Tilhengerne av den særnorske formuesskatten tar fra investorer, bedriftseiere og gründere som beviselig har skapt verdier og arbeidsplasser, for å bruke dette til nye akseleratorprogrammer, regionale utviklingsmidler og reiselivsprogrammer. Dette er å svekke markedet for risikokapital for selv å framstå som handlekraftig. Det mener jeg er en ganske arrogant form for omfordeling.

men bare er opposisjon – vil alt vi foretar oss, være usosialt, da de i sitt verdensbilde har nøkkelen til perfekt fordeling. I den norske debatten skulle man tro at summen av bevilgede penger på statsbudsjettet er et resultat i seg selv. Jeg sier dette vel vitende om at jeg og mine kolleger gjerne skryter av en rekordstor satsing på kunnskapssamfunnet og en storstilt satsing på samferdselsinvesteringer og vedlikehold – helt riktige og viktige prioriteringer for Men det er lett å ta ansvar for budsjettpåplussinger. Jeg tar gjerne også ansvar for kutt, reduksjoner og omprioriteringer som gjør at vi bygger et bærekraftig velferdssamfunn som står seg gjennom både kriser og oppgangstider. Representanten Marianne Marthinsen sa at ja, det er riktig at vi som politikere både skal lytte og lede, og dermed ta tøffe avgjørelser når det er nødvendig. Men hun påsto også at det ikke er nødvendig nå, og at vi bare bruker denne retorikken for å gjennomføre våre prioriteringer. Det mener jeg er ganske uansvarlig – å vente til det er en krise, der handlingsrommet for å gjøre relativt skånsomme endringer er borte. Jeg tar gjerne et øyeblikks nedgang på meningsmålingene for å kunne se generasjonene som kommer etter meg, i øynene og si at vi gjorde det vi kunne for å ruste Norge for framtiden. Til det trenger vi strukturendringer – kommunereform, politireform, modernisering av offentlig sektor, incentiver til å skape og belønning for alle de tingene vi jobber med mens de andre er opptatt med å harselere over Segway, lakrispiper og plastposeavgift. Til det siste: Jeg hører finansministeren si at hun vil komme tilbake til Stortinget med utformingen av avgiften i revidert nasjonalbudsjett. Trenger hun tips om utforming for fordeling og utjevning, anbefaler jeg henne å se fredagens «Nytt på nytt». Lillebror sa at jeg var morsom, og er nå tilbake på Og med budsjettforliket mener jeg at vi har funnet en reell, konstruktiv vei til å ruste Norge for

gjerne litt ekstra tykke vegger i bunnen. Det krevde tålmodighet, og det krevde en plan. De som eventuelt prøvde å tømme legoklossene ned på brettet og kalte legohaugen sin for en pyramide, avslørte for seg selv og for andre et byggverk som var lite imponerende, og at de selv hadde svært lite å gjøre med resultatet. Norge og framtiden er for viktig til at vi kan overlate til tilfeldighetene hvordan utviklingen blir. Derfor blir det en for tilfeldig inngang til spørsmålet at skattekutt er løsningen uansett hva spørsmålet er. Skal vi ha ambisjoner om å bygge noe litt mer avansert enn en pyramide, eller for den saks skyld en haug, trenger vi en plan. Derfor satte også Arbeiderpartiet og de rød-grønne ned Scheel-utvalget. Vi trengte en plan fundert på et godt faktagrunnlag, en plan for hvordan vi skulle kunne samle inn nok klosser til å bygge noe virkelig spektakulært. Det har ikke vært nok for oss å la det tilfeldig sildre inn klosser eller ikke vite i hvilket tempo vi kan bygge. Når jeg hører Fremskrittspartiet eller Høyre snakke om skatt, kan det virke som om de definerer om skatten er god, ut fra om de som er pålagt skatten, liker den eller ikke. Det kan bli en utfordrende tilnærming. Skattegrunnlaget kan fort bli veldig tynt, og det er ambisjonen vår for arbeid, utdanning, samferdsel og helse som betaler prisen. Når Arbeiderpartiet ville ha råd om hvordan vi kunne gjøre skattesystemet bedre, fordi vi ønsket å styrke norsk konkurranseevne samtidig som vi fortsetter å bygge opp en velferdsstat, var det av en grunn. Men det var ikke fordi Siv Jensen skulle kunne ta det som en invitasjon til å innføre et skattesystem som ville kunne gi henne en plakett på veggen i et framtidig Margaret Thatcher Memorial. Et eksempel på hvordan man bygger i bunnen, er satsingen Arbeiderpartiet har i sitt alternative budsjett på fagarbeideren og et anstendig arbeidsliv. Skal et lite land som Norge overleve i konkurransen i verden, må vi satse på alle, ikke bare kutte skatter. Norges fremste konkurransefortrinn er en høyt utdannet befolkning. Fagarbeidere som er selvstendige og tar ansvar og avgjørelser på arbeidsplassen, bidrar til høy produktivitet og skaper en spennende arbeidshverdag for den enkelte. Når vi likestiller lærlingplasser med studieplasser gjennom at vi bruker like mye penger på lærlingens utdannelse som på den som tar studieforberedende, gjør vi nettopp dette. Vårt skatteopplegg gir rom for å prioritere faglighet og lærlinger langt sterkere enn det som ligger fra regjeringen eller i forliket.

I morgen vil vi få noen anbefalinger fra Scheel-utvalget. Da er det viktig at vi holder fast ved to mål: konkurranseevne og velferd. De to er knyttet sammen. Det er noen partier som påstår at det ene fordrer det andre, men jeg tror heller at svekker man det ene, svekker man også det andre. De innleggene som har vært her tidligere i dag med utstrakte hender og forhåpninger om et bredt grunnlag, et godt forlik, støttes også av Arbeiderpartiet. Det blir spennende å se hvordan morgendagens kommentarer vil være. Jeg håper i likhet med mange andre at vi også ved denne korsvei evner å sette de store tingene først, og sette de store tingene først, og at vi klarer å finne et forlik som gir godt rom for vekst og velstand i Norge i de kommende årene.

I Noreg har me velferdsordningar som er svært gode. Me har høg sysselsetting og ei høgt utdanna befolkning. Ser me rundt oss i verda, er det store humanitære kriser, fattigdom og globale klima- og miljøproblem. Men i statsbudsjettet vårt for 2015 er det mange gode tiltak og store ressursar sette av til nettopp desse formåla. Kva er den største statsborgarskap, er i utgangspunktet fødde med ei sølvskei i handa. Olja har gjort oss rike – og til verdas beste land å bu i. Men me veit at olja vil ta slutt ein gong, og at det på lang sikt er veksten i fastlandsøkonomien som vil bestemme velferdsutviklinga i Noreg. Da er det viktig med tiltak som bidreg til å skape eit sterkt og konkurransedyktig norsk næringsliv. Det inneber å arbeide for gode rammevilkår for norsk næringsliv, betre infrastruktur, ein kompetent arbeidsstyrke og tilgang på kapital. I Europa ser me at EU-kommisjonen i haustrapporten sin spår svak økonomisk vekst både i eurosonen og i EU i sin heilskap for 2015. Arbeidsløysa er framleis høg i EU-landa med eit snitt på 10,1 pst., men med store skilnader mellom land – frå Spania på 24 pst. til Tyskland på I tillegg har me situasjonen rundt Ukraina og Midtausten som skaper stor usikkerheit. I USA, som er verdas leiande økonomi, ser me heldigvis ein større optimisme og ei sterk tru på vekst framover. Det blei spådd at Black Friday, som var på fredag, ville bli den største shoppingfesten sidan 2008. 2008. Arbeidsløysa er fallande i USA. Det er no berre 5,2 pst. av amerikanarane som går jula i møte utan jobb. Det viser at det er grunn til optimisme i USA. Kva med oss her i landet? Kva tankar gjer nordmenn seg om framtida? I førre veke kom det kvartalsvise forventingsbarometeret frå Finans Norge der 1 000 nordmenn blir spurde om forventingane til eigen økonomi og korleis dei trur den økonomiske situasjonen for heile Noreg vil utvikle seg. Undersøkinga viser at optimismen framleis er god på eigne vegner, men ikkje til norsk økonomi. Folk har fått med seg fallande oljeprisar, nedbemanning i oljerelatert industri og usikkerheita som dermed blir skapt. Men arbeidsløysa i Noreg er framleis låg. Dei siste publiserte tala frå Statistisk sentralbyrå viser ei arbeidsløyse på 3,7 pst., noko som er ein svak oppgang frå førre måling. det å ha ein jobb å gå til er alfa og omega, fortel mykje. Å ha ein jobb har innverknad på økonomi og det sosiale. Det er kort sagt helsefremjande å vere i arbeid. Som representanten Svein Flåtten sa i innlegget sitt tidlegare i dag: Den største ulikheita i samfunnet er å ha ein jobb eller ikkje. Ja, det er ei høgt prioritert oppgåve for denne regjeringa at fleire trygge norske arbeidsplassar blir skapte, noko som også vil vere med på å styrkje finansieringa av velferdsordningane våre . Det høge løns- og kostnadsnivået og låge renter har bidrege til at inntektene og gjelda til hushalda har auka dei siste åra. Gjelda til hushalda har vakse raskare enn inntektene, og forholdet mellom gjeld og inntekter er historisk høgt. Det er klart at den høge hushaldsgjelda gjer norsk økonomi sårbar for hendingar som kan vere vanskeleg å føresjå på forhand. Det er difor avgjerande at me klarer å skape trygge arbeidsplassar, og me har ei regjering som prioriterer tiltak som fremjar verdiskaping og auka produktivitet i norsk økonomi. Me har ei regjering som fører ein skattepolitikk som vil ha gode verknader på verdiskaping og inntekt over tid. Ja, me har eit budsjettopplegg for 2015 som er godt tilpassa dagens situasjon, og eg viser til slutt til samarbeidsavtalen mellom Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti og Venstre, som seier: «Samarbeidspartiene bygger sin politikk på at verdier må skapes før de kan deles. Verdiskapingen skal stimuleres i hele landet. Infrastrukturen i Norge må rustes kraftig opp, det må bygges ut mer vei og bane, og det må satses på innovasjon, forskning og utvikling. Samarbeidspartiene vil styrke et allsidig og bredt norsk næringsliv, og legge til rette for privat eierskap.» Dette budsjettet varetek og svarer på dette punktet på ein svært god måte.

2015. Jeg er glad for at det i det norske storting er bred enighet om den norske satsingen internasjonalt på klimatiltak. Det er bred enighet om satsingen på regnskog, og vi støtter opp under den jobben som regjeringen gjør i de forhandlingene som pågår. Her trenger vi en

ambisjonsnivå for klimakutt fram mot 2030. EU har lagt sitt ambisjonsnivå på 40 pst. reduksjon. Og for Venstre er det helt avgjørende at Norge må ha minst en målsetting som er tilsvarende den som er i EU. Det krever en omfattende omstilling i løpet av de neste 15 årene. Selv om tiltakene og klimatiltakene i dette budsjettet ikke er tilstrekkelig for å nå de norske klimamålene fram mot 2020, så tar det et stort steg etter åtte år med stillstand, og det er bra. Det er særlig innenfor transportsektoren vi ser at det gjøres større endringer. Én ting er satsingen på jernbane med over 500 mill. kr, som gjør at vi nå når et nivå hvor vedlikeholdsetterslepet reduseres og er grunnlag for en satsing framover, men vi får også satsingen på 325 mill. kr i belønningsordningen, inn mot de store byene, som er tilstrekkelig for at byer som Oslo kan klare å ta unna all trafikkvekst med gange, sykkel og kollektivtrafikk også i

gitt den samme drivstoffmengden til neste år – er en reduksjon på 200 000 tonn hvert eneste år. Så har du fjerning av veibruksavgiften for biodiesel. Der retter vi opp igjen et tiltak som falt bort under den rød-grønne regjeringen, og bioetanol får også bedre betingelser. I tillegg gjøres biogass også konkurransedyktig. Vi innfører avgift på flyreiser. Ferjeanbud: Det skal stilles krav om miljøvennlige ferjer og krav om nullutslipp når teknologien er tilgjengelig, i tillegg til at vi også går inn på ytterligere tiltak for å redusere klimagassutslipp på andre områder. Enova får styrket sine budsjetter, det satses på forskning, og miljøteknologiordningen forsterkes med 100 mill. kr. Å nå de nasjonale klimamålene krever mange tiltak som drar i samme retning. Det krever tiltak fra Stortinget, det kreves at man gjennomfører fra næringslivet, og at man gjennomfører også fra lokale myndigheter. Og man må ta et stort steg hvert eneste år. Det de fire partiene har gjort i dette budsjettet, er et betydelig steg i riktig retning etter åtte år med nærmest stillstand. Venstre er glad for den enigheten vi nå har, og ser også fram mot det samarbeidet vi skal ha i årene framover for å nå de målene vi har satt oss, både i 2020 og de vi skal sette oss i 2030.

enn glansbilder for denne regjeringen og for flertallet i dette hus – for det er et viktig fundament i en rettsstat. Når regjeringen har som et av sine hovedmål å bygge opp under borgernes trygghet, er det et stort spenn av virkemidler som må tas i bruk. I justissektoren er det viktig at disse virkemidlene ses i sammenheng. I mange år har vi lyttet til politikere fra tidligere regjeringspartier som har snakket om denne Nå har vi et praktisk tilrettelagt budsjettforslag og -forlik, som styrker hele straffesakskjeden – ikke bare med ord, men også med ressurser. Det vi gjør på forebyggingssiden, har direkte konsekvens for det vi må gjøre eller ikke gjøre på politisiden og på etterforskningssiden, som igjen påvirker påtalemyndighetenes arbeidsvilkår og saksomfang i domstolene og til sist Jeg er derfor svært stolt av at regjeringen i forslaget til statsbudsjett for 2015 har prioritert alle disse satsingsområdene, og at budsjettforliket styrker og tar vare på denne satsingen. Å sikre at politiet netto tilføres 350 PB1-stillinger, stillinger for nyutdannede, er et viktig og nødvendig løft på veien til å nå målet om en politidekning på to polititjenestemenn per tusen innbyggere Det er også viktig for å sikre politiet bedre evne til å løse sine oppgaver, hvor forebygging er en gjennomgående og grunnleggende forutsetning i alt arbeidet politiet gjør. I tillegg vil satsingen bedre beredskapen. Så har vi sett at etterforskningskvaliteten over tid har blitt utsatt for kritikk. Det er en rekke forbedringsmuligheter som politiet nå arbeider for å gjennomføre for å sikre at kvaliteten blir bedre. Men samtidig må vi legge til rette for og sikre sikre at politiet har den kompetansen og de rammevilkårene som er nødvendig for raskere og bedre etterforskningsarbeid og påtalearbeid. Derfor er det en vesentlig styrking når ca. 50 nye politijurister kan tiltre politiet i 2015. At vi samtidig styrker høyere påtalemyndighet med tolv statsadvokater, som gjør at den høyere påtalemyndighet kan sikre arbeidet med kvaliteten og oppfølgingen av etterforskningen i politidistriktene, er også avgjørende. I 2014 foreslo regjeringen å oppheve ansettelsesstoppen i domstolene. Det var det første året på lang tid hvor det ble ansatt nye dommerstillinger. For videreført denne satsingen, denne gangen med syv nye dommerstillinger, elleve nye utrederstillinger eller saksbehandlerstillinger og tre utredere i Høyesterett. Kriminalomsorgen representerer en uvanlig stor utfordring. Kapasiteten er for lav, særlig er antallet lukkede fengselsplasser en utfordring. Det er begrensede muligheter for å øke kapasiteten på kort sikt, men regjeringen har foreslått – og fått til, sammen med samarbeidspartiene på Stortinget – å øke antallet lukkede plasser med 41 i 2015. I tillegg arbeider vi fortsatt med muligheten for å leie fengselsplasser i utlandet, hvor innsatte kan sone hele eller deler av dommen i andre land. Før jul vil regjeringen legge frem en kriminalomsorgsmelding for Stortinget, som vil gi Stortinget muligheten til å se på utfordringer og løsninger i et langsiktig perspektiv. I tillegg leverer denne regjeringen på noe som har vært etterspurt lenge, nemlig fire ungdomsplasser i østlandsområdet, med en egen ungdomsenhet.

eksempelvis til etterforskning av saker med vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner samt store og omfattende andre saker, f.eks. organisert profittmotivert kriminalitet. Det er foreslått 150 mill. kr til den reformen i 2015. Det blir replikkordskifte. Justisministeren framstiller budsjettet sitt som godt, og det er

tryggheten for ansatte og innsatte. De er heller ikke fornøyd med det som blir kalt den midlertidige løsningen, som dubleringen er. Å ha et godt rehabiliterende innhold er et effektivt forebyggende tiltak som medfører at tryggheten i samfunnet øker. Kriminalomsorgsdirektoratets tall viser at andelen av ansatte er ganske stabilt, men andelen innsatte har økt mellom 4 og 5 pst. Nå er det nærmere 100 Mitt spørsmål til ministeren er: Er han opptatt av innholdet i fengslene, og hva vil han gjøre for at de som kommer ut av fengsel, skal være mindre kriminelle enn de som går inn i fengsel? Jeg er glad for at Arbeiderpartiets representant gir skryt til regjeringens forslag til budsjett. Det har jeg notert meg i margen, så det skal jeg ha med meg. Når det gjelder effektivitetsgrad, er det altså Det er en omstilling og en effektivisering som er relativt beskjeden i den store sammenhengen. Jeg tror at de aller fleste statlige, offentlige etater evner å ha en omstilling og effektivisering på 50 øre per hundrelapp – eller det som nå i løpet av ett år, uten at det får dramatiske konsekvenser noe sted. Jeg kan ikke forstå annet enn at også Arbeiderpartiet må være ganske fornøyd med det effektiviseringskuttet, for i deres alternative budsjett er det ikke foreslått at det kuttet skal reverseres. Så Arbeiderpartiet står bak det forslaget som regjeringen har fremmet på det området. Til spørsmålet om innhold: Jeg er opptatt av innhold, men jeg tror at for at man skal sikre et bedre innhold i norske fengsler, må man også ha en kapasitet som er tilfredsstillende.

styrkinga av politiet og, som statsråden også er inne på, at vi har med hele straffesakskjeden. Det er viktig. Så er det også et viktig moment fra Kristelig Folkepartis side, som vi fikk gjennomslag for i forhandlingene, å styrke kampen mot menneskehandel, og jeg vet at regjeringa har hatt et ønske om å løfte det feltet. Handlingsplanen mot menneskehandel går ut nå i år, og ettersom en i regjeringserklæringa varsler at en skal trappe opp innsatsen mot menneskehandel, ønsker jeg å vite hva statsråden tenker om neste handlingsplan, og eventuelt hvordan en skal følge opp for å styrke kampen mot menneskehandel, i tillegg til de forslagene vi nå fikk gjennomslag for i forliket. Forslaget i forliket er en velkommen styrking av politiets mulighet til å organisere seg på en litt annerledes måte enn det en har gjort så langt, for å sikre at en har kompetanse og robusthet i noen av de miljøene som allerede eksisterer i dag. Når det gjelder handlingsplanen, er det viktig at vi følger opp den også fremover med hensyn til å sikre den måten vi nå jobber med handlingsplaner på i regjeringen, for at det ikke skal være handlingsplaner som ikke har konkret innhold, som utreder, vurderer og kommer tilbake til. Arbeidet med en ny handlingsplan mot menneskehandel er for så vidt i gang, men det er viktig at det skal være en handlingsplan som skal være konkret, med konkrete handlingspunkter, og som følges opp ikke bare i politisporet, men i en rekke andre spor. Så det er noe vi er nødt til å gjøre mer på tvers enn bare å gjøre det som ligger på justissektoren.

for å sikre initiativ, kreativitet, eierforhold til arbeidsoppgavene, ansvarsfølelse og dermed kollektiv forpliktelse. Kombinert med denne ledelsesfilosofien må vi ha et nærpoliti som kan gi kortere responstid for politiet over hele landet – altså det motsatte av sentralisering. Politiet må komme like raskt som den kommunale brann- og redningstjenesten. Derfor øremerket Senterpartiet en satsing på nærpolitiet med 200 mill. kr i budsjettet. Det får dessverre ikke flertall, men mitt spørsmål er følgende: Er statsråden enig i ledelsesfilosofien operasjonsbasert ledelse i politiet, og vil statsråden arbeide for at responstida blir kortet ned, slik at politiet er like raskt på plass som brann- og redningsetatene?

operasjonsbasert som det den skal være. Dette er et fokus som nå også politiet gjennom flere runder har vært veldig tydelig på å følge opp nedover. Når det gjelder responstid, er jeg helt enig med representanten Lundteigen i at responstid er helt avgjørende for at politiet skal kunne være på åsteder i tide. Men jeg er ikke sikker på at vi skal la det lokale brannvesenet sette normen for den responstiden. Årsaken til det er at ca. 70 pst. av norske brannmenn er i frivillig tjeneste, og hvis en skal sammenligne responstid i brannvesenet med responstid i politiet, vil man raskt komme i en situasjon hvor man rett og slett ikke har tjenestemenn tilgjengelig nok til å nå et sånt mål. Men vi skal ha et ambisiøst responstidsmål, og vi skal ha tydelige krav og forventninger til politiets responstid i fremtiden.

at barn har gått i barnehage for at de skal lære seg norsk. Da blir mitt spørsmål: Hvorfor mener statsråden at det er bra at barn som bor på mottak i årevis, der de fleste av dem skal bo i Norge, ikke starter å lære norsk tidlig? Jeg synes ikke det er bra at barn bor på asylmottak i årevis i det hele tatt. Jeg mener at det i seg selv er et stort problem. Derfor er det helt avgjørende for denne regjeringen å sikre at det er rask behandling av og at vi skal ha en ny mottaksstruktur, som skiller mellom dem som ikke får opphold, og som skal returneres, og dem som skal få opphold, og som skal være i landet. Jeg er helt overbevist om at det å ha en effektiv saksbehandling av asylsaker som gjør at personer som søker asyl, raskt får avklart sin situasjon og får vite om de skal returneres, man da enten setter all innsats inn på at de faktisk blir returnert, eller – om de skal få bli – setter all innsats inn på at de skal bli integrert, er det beste. Det gjelder ikke bare integrering gjennom barnehager eller språkopplæring, men det gjelder også integrering som gjør at man raskt kan bosettes i et lokalsamfunn. Jeg er helt overbevist om at når denne regjeringens politikk på asylområdet får full effekt, og vi har den saksbehandlingstiden som er forsvarlig, er vi ikke lenger i den situasjonen at det er barn som oppholder seg i mange, mange år på asylmottak. Replikkordskiftet er omme. Norge skal møte mange og

Og vi gjør det ved å ruste landets kommuner til å gi ungene våre en god start i barnehagen og på skolen, ved å bygge ut gode lokale helsetjenester og ved å bygge opp nok kapasitet og rekruttere nok folk, slik at vi kan gi de stadig flere eldre gode og individuelt tilpassede tjenester. En god kommuneøkonomi er forutsetningen for Arbeiderpartiet vil bruke de store pengene på de store oppgavene. Derfor er skolen og de kommunale velferdstjenestene de viktigste prioriteringene for Arbeiderpartiet i vårt alternative budsjett for 2015, der vi samlet legger inn rundt 3,4 mrd. kr mer til kommunene enn det som er regjeringens budsjettforslag for neste år. Når regjeringen sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre har skattekutt som sin viktigste satsing i budsjettet for 2015, overlater stortingsflertallet de vanskelige prioriteringene til Det siste kommunebarometeret, som ble gjennomført i oktober i år, etter at statsbudsjettet ble lagt fram, viser at to tredjedeler av rådmennene og ordførerne som ble spurt i undersøkelsen, svarer at de vil få et dårligere økonomisk handlingsrom til neste år. KS’ sjefsøkonom pekte i Nationen i forrige uke på at når pensjon og demografi er trukket fra, så vil kommunene kanskje bare sitte igjen med rundt 1,4 mrd. kr til neste år. Han peker også på at mange kommuner vil måtte bruke de frie inntektene neste år til å dekke opp for årets skattesvikt, som regjeringen kategorisk nekter å kompensere for, selv om man har gjort det de to siste gangene det har vært skattesvikt i kommunene, av henholdsvis Bondevik II-regjeringen og Fremskrittspartiet i 2004 og av den rød-grønne regjeringen i 2009. Regjeringens manglende vilje til å satse på kommunene kommer til syne når kommunestyrene rundt om i landet i disse dager lager sine budsjett for neste år. Her Her i hovedstaden må bystyrepolitikerne kutte for 327 mill. kr. I den andre enden av landet, i Alta, som er styrt av Høyre og Fremskrittspartiet, legges det opp til at lærerne må dekke opp for syke kolleger, at barnehageansatte må gjøre dobbel jobb når andre er syke, og at helsearbeiderne må stille opp med ekstra innsats for kolleger. I Porsanger, ikke så veldig langt unna, sier Høyre-ordføreren at nedskjæringene vil alle i kommunen merke. I et replikkordskifte tidligere her i dag sa Fremskrittspartiets parlamentariske leder at vi ikke skal blande oss inn i de prioriteringene kommunene gjør. Jeg er selvfølgelig enig i at vi skal ha respekt for lokaldemokratiet og lokale prioriteringer, men det er samtidig slik at Stortinget har veldig store forventninger til hva kommunene skal gjøre innenfor skole og eldreomsorg og veldig mange andre områder. Da må også lokalpolitikerne kunne forvente at Stortinget gir dem økonomiske rammer som står i stil med de kravene vi stiller herfra. Den sammenhengen mangler i det kommuneopplegget som stortingsflertallet i kveld kommer til å Før valget i 2013 var valget mellom velferd og skattekutt et helt sentralt spørsmål. Svaret fra Høyre og Fremskrittspartiet var at man ikke trengte å velge. I Bergen og Stavanger opplever de lokale folkevalgte fra regjeringspartiene en noe annen virkelighet enn det Høyre og Fremskrittspartiet forfekter her på Stortinget. De henholdsvis innfører og øker eiendomsskatten for å unngå smertefulle kutt i velferd og skole. skole. For Fremskrittspartiet og Høyre, som har forfektet fortreffeligheten ved vekstfremmende skattekutt, må det jo være et paradoks at skattekuttene går på bekostning av kommuneøkonomien på en måte som tvinger fram nettopp økt skatt i byer som er styrt av regjeringspartiene. Norge har god økonomi og muligheter til å investere i og til forskjell fra veldig mange andre land trenger vi ikke å kutte i velferdstjenester, barnehage og skole. Vi kan velge hvor vi vil satse, og jeg mener stortingsflertallet misbruker denne muligheten ved å prioritere skattekutt som både vil føre til større forskjeller og tvinge mange kommuner til å gjøre kutt de ikke

sterkere satsing på rusbehandling og psykiatri, rett til brukerstyrt personlig assistent, lavere barnehagepriser for dem med lavest inntekt, forslag om at foreldre på sosialhjelp ikke skal få mindre utbetalt hvis ungdommene deres jobber ved siden av skolen, stipendordninger for barnefamilier med dårlig økonomi, slik at de kan reise på ferie eller få tilgang til fritidsutstyr, de største skattelettelsene til dem som har minst fra før, gjennom økt bunnfradrag – alt dette er eksempler på at regjeringen prioriterer velferdstiltak som betyr mye for mange i hverdagen. Samtidig skal vi ruste Norge for en fremtid der oljeøkonomien blir mindre viktig og eldrebølgen stadig større. Hvis vi skal opprettholde velferden vi alle setter pris på, må det skapes mer, ikke skattes mer. Samtidig må vi starte omstillingen til en lavutslippsøkonomi. Norge har teknologi, kompetanse og kapital til å vise at det er mulig å kombinere høy levestandard med lave utslipp. Miljø- og klimautfordringene er globale utfordringer som krever både nasjonal og internasjonal handling. Norge skal være en pådriver for en ambisiøs internasjonal klimaavtale i Paris i 2015. Vi har bare én klode. Den må Norge bidra til å redde. Vi kan ikke gjøre jobben alene, men vi kan vise vei på viktige områder, bidra til at ny teknologi utvikles og tas i bruk og gjøre en forskjell på viktige områder internasjonalt. Samfunnskontrakten vi lever under, er ikke bare en kontrakt mellom borgere og stat, samfunnskontrakten er like mye en kontrakt mellom de som har levd før oss, oss som lever i dag og de som kommer etter oss. Derfor ligger føre-var-prinsippet, generasjonsperspektivet og forvalteransvaret til grunn for Høyres politikk, og derfor mener Høyre at klimapolitikken må integreres på alle politikkområder. Vi står på terskelen til et grønt skifte. Fornybar energi blir stadig mer konkurransedyktig sammenlignet med fossile alternativer. Det forskes mer på batteri- og lagringsteknologi enn noen gang før. Industrien, byggsektoren og bilprodusentene får stadig mer ut av mindre. En viktig erkjennelse begynner å synke inn: Fremtiden tilhører dem som tør å ligge foran. Det er god økonomi i å produsere effektivt og miljøvennlig. Kort sagt: å tenke grønt begynner nå å gi sorte tall. Slik kan markedet brukes i miljøets tjeneste. Vi som politikere skal ikke løpe etter, vi skal legge til rette slik at så mange som mulig ser attraksjonen i å lede an, utvikle og ta i bruk ny teknologi. Noe av det viktigste vi kan gjøre, er å bidra til at det lønner seg å ta miljøvennlige valg, at industribedrifter og næringsliv har gode støtteordninger for å utvikle piloter og demonstrasjonsanlegg, at det er attraktivt å realisere ny fornybar energi i Norge, at offentlig sektor bidrar gjennom å etterspørre miljøvennlige varer og tjenester, og at ny teknologi både utvikles og tas i bruk. Slik kan utslippene reduseres, og slik kan vi skape nye grønne arbeidsplasser i hele landet. Regjeringen og samarbeidspartiene foreslår en rekke tiltak for å legge til rette for omstilling til et lavutslippssamfunn: bedre avskrivningsregler for vindkraft, høyere innslagspunkt for grunnrenteskatt, forsterket innsats for å fremme klima og miljøteknologi under både videreføring av avgiftsfordelene for elbiler, billigere ladbare hybrider, høyere omsetning av biodrivstoff, fjerning av avgiften på biodiesel, reduksjon i avgiften på bioetanol, bedre rammevilkår for biogass til transport, raskere utfasing av fyring med fossil olje i Statsbyggs bygninger, nye retningslinjer for miljøvennlig steds- og byutvikling, sterkere satsing på jernbane og kollektivtrafikk – for å nevne noe. Listen er lang, jeg kunne ha fortsatt, men jeg skal spare dere for dette.

i miljø- og klimapolitikken og står i sterk kontrast til de rød-grønnes innsats på dette området de siste åtte årene. Mange synes å mene at klimautfordringene kan løses ved å redusere utvinningen av kull, olje og gass. Det er riktig at forbrenningen av disse fossile ressursene står for 80 pst. av klimagassutslippene. Energibehovet forsvinner imidlertid ikke om ett land frivillig lar ressurser ligge i bakken, særlig ikke i en situasjon der stadig flere skal løftes ut av fattigdom i årene som kommer. Derfor er det viktigere at vi bidrar til å utvikle og ta i bruk konkurransedyktige alternativer til kull, olje og gass, enten det er i transportsektoren, industrien eller kraftsektoren, enn det er at vi lar fossile ressurser ligge i bakken i landet med verdens høyeste CO2-avgifter. En styrt avvikling av oljesektoren i Norge vil ikke redde klimaet, men det vil gjøre vår evne til å opprettholde velferden og bidra til et grønt skifte, ute og hjemme, langt mindre. Vi blir ikke særlig grønnere, men vi blir betydelig

gjennom hele sin regjeringsperiode. Vi skal skape pasientens helsetjeneste. Alle skal ha tilgang til likeverdige helsetjenester av god kvalitet gjennom økte bevilgninger, klare prioriteringer og nye løsninger, finansiert av det offentlige. Regjeringen vil i løpet av 2015 starte opp en rekke tiltak og forbedringer som Fremskrittspartiet har kjempet for gjennom mange år, slik som innføringen av fritt behandlingsvalg. Dette er en svært viktig reform for Fremskrittspartiet fordi valgfriheten henger høyt for oss. Fritt behandlingsvalg starter opp først for dem som trenger det aller mest, nemlig for personer som sliter med avhengighet og psykiske lidelser. Mangel på medbestemmelse og skreddersydde tilbud har stått i veien for at den behandlingen som ble gitt, faktisk virket. Derfor er innføringen av fritt behandlingsvalg svært viktig. Jeg beklager at mange av ideologiske grunner, eller av egeninteresse, ikke støtter dette arbeidet.

har gitt mange nye helsesøstre landet over. Denne bevilgningen videreføres og styrkes med ytterligere 270 mill. kr. Fremskrittspartiet har en rekke ganger fremmet forslag om en nasjonal helse- og sykehusplan. Nå får vi endelig dette. Etter flere år med nedlegging av lokalsykehus, lange køer og mange korridorpasienter skal vi få en skikkelig oversikt over kapasiteten, kvaliteten, manglene og utfordringene. Videre skal det for første gang legges frem en melding om primærhelsetjenesten og en mangeårig etterlengtet opptrappingsplan for rusfeltet. Det er pasienten som skal stå i sentrum for alle de endringene som gjøres. Vi vil styrke pasientenes rettigheter. Nå gjør vi det vi alltid har sagt: Vi setter pasienten foran systemet. Fremskrittspartiet er glad for at vi nå tar alle gode krefter i bruk og innfører en ny kurs i synet på samhandling og samarbeid mellom det offentlige og private og ideelle aktører. Mangfold bidrar til valgfrihet, innovasjon og effektivitet. Mye er bra i norsk helsetjeneste. Innenfor en rekke områder viser forskning og analyser at vi oppnår gode resultater. Dyktige ansatte gjør en uvurderlig jobb og sørger for god kvalitet gjennom hele døgnet. Samtidig har Fremskrittspartiet pekt på viktige områder der det er behov for endringer og forbedringer. For mye variasjon i kvalitet mellom ulike sykehus, kommuner og tilbud vitner om potensial for forbedring. Vi skal ta vare på det som er godt og forbedre det som kan bedres. Vi styrker kreftomsorgen på flere områder. I 2015 innføres standardiserte pakkeforløp for kreftbehandling og tverrfaglige diagnosesentre i alle regioner. Også dette har Fremskrittspartiet vært en pådriver for Pasienter må få rask tilgang til nye og innovative legemidler. Derfor er det gledelig at bagatellgrensen for refusjon av legemidler økes fra 5 til 25 mill. kr, etter å ha stått stille gjennom mange år. En lovfestet rett til heldøgns pleie og omsorg skal for første gang utredes med tanke på innføring. Staten har gjennom regjeringens to første budsjetter allerede tatt et større økonomisk ansvar, som nå utvides med noe vi i Fremskrittspartiet alltid har stått alene om, nemlig en forsøksordning med statlig finansiering av eldreomsorgen. Det er gledelig at interessen fra kommunene rundt dette har vært veldig stor, til tross for at ordningen ikke er utlyst

det merkes. Statsbudsjettet tar Norge i en ny retning, og de sakene som representanten skrev om, viser hvilken. Dette er denne regjeringens første budsjett, og reaksjonene har vært massive – ikke positivt, men negativt. Det er den usosiale profilen folk reagerer på. Kuttene i formuesskatten er hovedprioriteringen ikke overraskende. Det som provoserer folk, er at Høyre og Fremskrittspartiet snakker som om dette er kutt som først og fremst kommer folk flest og vanlige folk til gode, mens realiteten er at over halvparten av skattekuttene er kutt i formuesskatten, dvs. i all hovedsak kutt i skattene til dem som har mest fra før. Riktignok får alle med formue kutt, og alle får også kutt i inntektsskatten, men Finansdepartementets egen oversikt viser at en person med en inntekt på rundt får om lag 800 kr mindre i skatt per år, mens en som tjener 2 mill. kr og over, får rundt 40 000 kr i skattekutt per år. Det er den faktiske profilen. Vi liker å framstille Norge som et land med små forskjeller, noe som framheves av mange som en fordel. Små forskjeller var den rød-grønne regjeringens politikk. God fordeling handler om rettferdighet, men betyr også mye for økonomisk utvikling, vekst og stabilitet i et samfunn. Det er en del av kjernen i den nordiske modellen. Realiteten i denne regjeringens politikk er at de prioriterer den del av befolkningen som har mest fra før, i sitt budsjett, noe som vil gi økte forskjeller mellom folk. Noen land har trodd at det går an å ha velferdstjenester på nivå med de nordiske, men et skattenivå på nivå med det amerikanske. Det går ikke. Det har de siste årene tydelig vist oss. Velferdssamfunnet er et spleiselag gjennom bl.a. skatter og avgifter som vi betaler. Når skatteinntektene reduseres, må man nødvendigvis kutte i velferdstjenestene eller bruke enda mer oljepenger. Arbeiderpartiet støtter ikke skattekuttene, men vil i stedet bruke pengene på velferdstjenester i 2015. Høyre kritiserte den rød-grønne regjeringen for å bruke for mye oljepenger i sine forslag til budsjett og etterspurte forslag fra Stoltenberg-regjeringen for å redusere skatteregningen for våre barn. Statsminister Erna Solberg sa i valgkampen at Høyre skulle gjøre Norge mindre oljeavhengig. Det er betimelig å spørre Høyre hva de tenker nå, med rekordhøyt oljepengebruk neste år. Arbeiderpartiet vil ikke gå inn på denne oljebruken i neste års budsjett; vi bruker 2 mrd. kr mindre. Til sist noen kommentarer til profilen i budsjettet fra Høyre og Fremskrittspartiet: Det er ikke så mange spor etter valgløftene om nye ideer og bedre løsninger. Regjeringen skapte selv store forventninger til dette budsjettet, men har ikke innfridd. Jeg har respekt for at ikke alt kan løses i ett budsjett. Likevel vil jeg påpeke at profilen vitner om ett fokus, nemlig skattekutt og bruk av mer oljepenger, og denne profilen er også beholdt etter forliket. Høyre og Fremskrittspartiet lovet at vei og jernbane skulle planlegges og bygges på halve tiden. Det skulle bli mer penger til vei uten bom, til utbygging av jernbanen, til eldreløft og skole. Allerede er disse løftene brutt. I stedet for å fjerne bommene skal Fremskrittspartiet nå kreve inn bompengene smartere og sette opp flere. Budsjettet vil føre til kutt i viktige kommunale og fylkeskommunale tjenester, de viktigste tjenestene for folk flest, som helse, eldreomsorg, skole og barnehager. Det ble ikke det store lærerløftet, og jernbane- og veiprosjektene forseres ikke, men gjennomføres slik den rød-grønne regjeringen la det fram i NTP. Fremskrittspartiet og Høyre har i dette budsjettet ikke evnet å ta fatt på de utfordringene vi står overfor framover, i forhold til at oljeinntektene vil gå ned, og at det er behov for omstilling og tilrettelegging av nye arbeidsplasser, i forhold til at vi har et økende antall eldre, og i forhold til at vi har behov for å legge om til lavutslippssamfunnet og skape framtidens arbeidsplasser. Regjeringens varslede helhetlige gjennomgang av bilavgifter og grønt skatteskifte ser vi ikke spor av i budsjettet. Det er tvert imot utsatt og skal – som så mye annet – utredes av et utvalg. Budsjettet er riktignok forbedret gjennom forhandlingene med Kristelig Folkeparti og Venstre, men her er det behov for en større innsats. Arbeiderpartiet vil fortsette den omleggingen av bilavgiftene vi var i gang med, for å stimulere til en mer miljøvennlig bilpark. Vi vil stimulere husholdningene gjennom økt overføring til Enova og stimulere til omlegging av industri og næringsliv ved å utvide miljøteknologiordningen. Arbeiderpartiet har en gjenkjennelig profil, der vi satser på kunnskap, helse, klima og velferd i vårt budsjett, og der vi vil investere i løsninger og tiltak i framtiden og se sektorer i

si en politikk der en satser på f.eks. regionale utviklingsmidler, ikke en politikk der en kutter. Jeg registrerer også at regjeringen har satt i gang en prosess med å rydde opp i Innovasjon Norge – eller gå til angrep på Innovasjon Norge. Vi har en sak i Stortinget nå der regjeringen ber om 43 mill. kr i støtte for å bli kvitt 50 ansatte i Innovasjon Norge. Det kuttes, og det sentraliseres. Senterpartiet ønsker å satse på Innovasjon Norge. Det er vanskelig å forstå regjeringens motivasjon for å gjøre kutt i Marint verdiskapingsprogram. Det er rett og slett nesten umulig å oppdage begrunnelsen som regjeringen har. Innenfor fiskeripolitikken vet vi at det pågår prosesser med å gå til angrep på deltakerloven og utfordre fiskesalgslagsloven. viktige bærebjelker i norsk fiskeripolitikk – de skal vekk, hvis en skal tro regjeringens signaler. Regjeringen har også ønsket å ha en høy profil på oppdrettsnæringen. Sannheten er at det ikke har gått så veldig bra med den satsingen. En har i dag en uavklart situasjon der fiskeriministeren sendte på høring et forslag om med lusekrav, uten å ha forankret lusekravene eller hatt tilstrekkelig diskusjon med næringen på forhånd. Næringen vender tommelen ned. Det oppsiktsvekkende med dette er at selv om det nå sannsynligvis ikke blir noen vekst i 2015, har allikevel regjeringen budsjettert med over 1 mrd. kr på inntekter på salg av de konsesjonene, og en har attpåtil lovet 540 mill. kr til for disse konsesjonene – penger som en sannsynligvis ikke vil se i 2015. En annen liten, men viktig sak: norsk selnæring. Den er strøket med et pennestrøk. Heller ikke Venstre eller Kristelig Folkeparti i budsjettforhandlingene evnet eller ville beholde selnæringen. Jeg lurer på om dette kan skyldes behovet for å bli populær i Brussel.

i en satsing på økt norsk matproduksjon med grunnlag i norske ressurser. Kristelig Folkeparti og Venstre fikk reversert dette, men det er langt fra nok til å nå målet. Senterpartiet har i sitt alternative budsjett styrket forskningen med 100 mill. kr. Vi har lagt inn for å redusere inntektsforskjellene mellom bønder og andre grupper. Vi har også lagt inn midler til en handlingsplan mot antibiotikaresistens, 30 mill. kr. Heller ikke der ser det ut som om regjeringen og statsråden tar problemstillingen på alvor, og statsråden kommer med floskler som at hun er mer opptatt av handling enn av handlingsplaner. Senterpartiet har lagt fram en skogpakke i sitt alternative budsjett på 1 mrd. kr over regjeringens nivå,

har foreslått. Det er på tide å ta ansvar selv for den politikken en står for. Senterpartiet har lagt fram et alternativt budsjett på næringsområdet som vil gi en kraftfull satsing på næringsutvikling i hele landet. Det burde også regjeringen gjøre. Det er helt umulig å kjenne seg igjen i det bildet som representantene Tore Hagebakken og

eldreomsorgsfeltet. Representantene må ha lest noen helt andre dokumenter enn jeg har jobbet med de siste ukene, for det statsbudsjettet som Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre er enige om, ruster jo Norge for framtiden – også på helsefeltet – og satser mer på viktige områder enn det den rød-grønne regjeringen gjorde gjennom åtte år. En god oppvekst handler om en god skole med dyktige lærere, men også om tidlig hjelp når barne- og ungdomstiden byr på utfordringer. Derfor er satsingen på forebyggende arbeid og helsestasjonstjeneste viktig. Det handler om flere jordmødre, flere helsesøstre, flere psykologer, flere fysioterapeuter og flere logopeder. Som resultat av et veldig godt budsjettforlik med Kristelig Folkeparti og Venstre satser vi over 450 mill. kr neste år på tidlig innsats og forebygging for barn og unge. Det betyr mange nye fagfolk ute i kommunene. Aldri har det noen gang blitt investert så mye på dette feltet som vår regjering gjør neste år. Å bygge trygge barn og unge er kanskje den beste måten å ruste Norge på for framtiden. Kvaliteten på vårt samfunn måles i hvordan vi tar vare på dem som trenger vår omsorg og vår pleie i hverdagen. Reportasjen på NRK søndag kveld om Edgar på 88 år og brudd på menneskerettighetene i omsorgstjenesten opprører oss alle. Seniorkonsulent Marit Lomundal Sæther ved Norsk senter for menneskerettigheter forteller til NRK at de har hentet inn dokumentasjon til sin undersøkelse som strekker seg over relativt lang tid, og mange aktive aktører på feltet har over lengre tid varslet myndighetene om problematiske hendelser. Dette er ikke bare enkelthendelser, men også større undersøkelser over flere tiår som det ikke ser ut til å ha blitt gjort noe med i praksis, forteller NRK. Da Helsetilsynet i 2011–2012 undersøkte norske kommuners rutiner rundt bruk av tvang på sykehjem, avslørte de lovbrudd i 89 av 103 kontrollerte kommuner. Det har ikke manglet på rapporter, tilsyn og stortingsmeldinger om eldreomsorgen i Norge. Det som manglet i den rød-grønne regjeringsperioden, var evnen til å gå fra å være systemforsvarere til å forandre tjenestene med tiltak for et bedre tilbud. For vår regjering og samarbeidspartiene er det viktig å bygge en faglig sterk omsorgstjeneste i kommunene. Derfor sørger vi også for at staten tar et større ansvar for de kommunale somsorgstjenestene – både for kapasitet og kvalitet. Vi har økt den statlige tilskuddsandelen fra 30 til 50 pst. og har i budsjettet for neste år lagt inn tilskudd til 2 500 flere institusjonsplasser. Aftenposten ga oss i høst fasiten på hva den rød-grønne regjeringen i sine år klarte på dette feltet. Det var 567 nye plasser, om jeg ikke husker feil. Det er rett og slett ikke godt nok, og vår regjering har fra dag én tatt et krafttak for å stimulere kommunene til å bygge ut flere plasser. Like viktig som trygghet for plass på sykehjem er det at pasienten møtes med kvalitet i pleie, og kvalitet fordrer kompetanse. Derfor satser vi nå kraftig på kompetanseutvikling i den kommunale omsorgen med 400 mill. kr neste år. Her inngår også en ny masterutdanning for avansert sykepleie, og her inngår viktig lederutdanning. Reportasjen på NRK fortalte oss om en omsorgstjeneste som framover må preges av mer faglighet, mer samarbeid med brukeren selv og pårørende og Derfor opprettes det nå et kvalitetsregister for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Men å sikre kvalitet i tjenestene er ikke bare lederens eller politikerens ansvar. Vi må også sørge for at hver enkelt helsearbeider tar aktivt eierskap for kvalitet. Det innebærer et tettere samarbeid med den pleietrengende og dens pårørende, gjerne gjennom bruker- og pårørendeutvalg. Slik skal vi sørge for at Edgar og andre opplever en verdig og meningsfull

Det er det en konservativ regjering skal gjøre.» Dagen derpå fikk vi presentert regjeringens budsjettforslag. Det er sjelden det er så langt mellom hva man sier, og hva man faktisk gjør. Det var ikke et grønt budsjett. Det var ingen satsing på klima. Løftene om å satse på klima ble avlyst av finansministeren idet hun entret Stortingets utenom regjeringspartiene har tatt et større klimapolitisk ansvar gjennom sine alternative budsjetter enn hva regjeringen faktisk gjorde. Det er ingen tvil om at Høyre og Fremskrittspartiet er ytterpunkter i norsk klimapolitikk. At Høyres Nikolai Astrup nå forsøker å avvise dette, hjelper lite – det rekker å gå tilbake til 8. oktober og se på reaksjonene etter den tid. Så har vi fått et forlik. Jeg vil gi honnør til Venstre og Kristelig Folkeparti for det de har fått til. Det er vanskelig å flytte et ytterpunkt, hvor deler av ytterpunktet fremdeles nekter å anerkjenne de menneskeskapte klimaendringene. Det var kanskje det statsministeren tenkte på da hun avga følgende uttalelse: Det er tøffere å stå på for klimaet i en regjering hvor noen ikke er så opptatt av det. Men i sum er det ikke blitt et grønt budsjett, slik klima- og miljøministeren sa her i dag. Noen hevder sågar at man har forsterket klimaforliket. Det er med respekt å melde feil. Klimaforliket er uendret, og det ser ut som regjeringen vegrer seg for å komme til Stortinget og invitere til et nytt klimaforlik. I dette budsjettet er det heller ingen start på utslippskutt fram mot 2020 eller en start på veien mot lavutslippssamfunnet. I dag hører vi i debatten at klima- og miljøministeren inviterer næringslivet til å delta i det grønne skiftet. Jeg tror næringslivet ville vært mer stimulert til å delta i et grønt skifte med Arbeiderpartiets budsjettforslag, hvor både miljøteknologiordningen, klimateknologiordningen og fokus på gründere gjennom en vekstpakke er sterkere fokusert enn i forliket. Budsjettrealisme er også blitt omtalt i debatten i dag. Kjøp av klimakvoter har vært tema fordi denne posten i budsjettforliket er nullet ut. Høyres parlamentariske leder sier i dag at dette er realistisk budsjettering, mens klima- og miljøministeren har Åsmund Aukrusts spørsmål i replikkordskiftet. Da vi spurte klima- og miljøministeren i spørretimen sist onsdag om dette, svarte Tine Sundtoft: «Det er ikke denne statsrådens stil verken å lange ut mot egen regjering eller å lange ut mot Stortinget.» Ja, bedre kan det egentlig ikke sies. Jeg har stor forståelse for at statsråd Sundtoft valgte å tie, selv om det ikke kan være lett – selv for en sindig Helt til slutt: Fallende oljepris og oljeselskaper som strammer inn, har skapt en vanskelig situasjon for mange som jobber i den oljerelaterte delen av norsk næringsliv. Jeg registrerer at statsministeren omtalte dette i sitt innlegg tidligere i dag. Et virkningsfullt tiltak som ville hatt effekt umiddelbart, ville vært om man gjennomførte det tilnærmet samlet norsk næringsliv etterspør, nemlig å gjøre om på de urimelige og svært krevende endringer som dagens regjering har gjort i permitteringsregelverket. Det ville avhjulpet veldig mange bedrifter som nå er i en kritisk situasjon med tanke på å miste sårt tiltrengt kompetanse i framtiden. Men nei, selv ikke dette enkle og selvsagte tiltaket får tilslutning i regjeringen.

vi styrker barnevernet, vi styrker arbeidet mot rusavhengighet, for å nevne noe. Noe av det viktigste vi som politikere kan gjøre, er å tenke langsiktig, slik at vi legger til rette for et samfunn som skal være best mulig for flest mulig – ikke bare for oss som er her i dag, men også for våre barn og barnebarn som skal ta over etter oss. I det budsjettet som vi skal vedta i dag, ser vi verdien av et ikke-sosialistisk flertall – vi ser verdien følger opp den nye kursen som ble staket ut av regjeringen og i samarbeidsavtalen for ett år siden. Det er en ny kurs som var ønsket av det norske folk ut fra stortingsvalget i 2013. Forliket reflekterer et felles verdigrunnlag der det handler om å skape verdier før de kan deles. Bruken av oljeinntektene vris i retning av investeringer i fremtiden. Da handlingsregelen ble innført i 2001, ble fra innfasingen av oljefondet skulle brukes til å øke vekstevnen i norsk økonomi. For 2014 og 2015 har den samlede satsingen på kunnskap, samferdsel og skattelettelser, dvs. satsing på verdiskaping, vært klart større enn under de åtte årene med den rød-grønne regjeringen. Vi så et taktskifte for satsingen på kunnskap da Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen fremmet Og da snakker jeg om hele kunnskapskjeden som er av betydning for landets evne til å skape verdier – en god skole der elevene lærer mer, kvalitet i høyere utdanning, forskning og tiltak som sikrer større utnyttelse av forskningsresultater i næringslivet. Budsjettforliket i dag innebærer en massiv satsing på grunnskole og videregående opplæring gjennom kompetansehevingstiltak og videreutdanning av lærere. Budsjettet innebærer også en betydelig satsing på kvalitet i høyere utdanning. Både studiestøtten og antall studentboliger som skal bygges, øker også i 2015 – året etter et reelt løft for studenter i 2014, et løft de fortjente etter mange magre år med den rød-grønne regjeringen. Siden Erna Solberg tok over som statsminister, har vi merket et taktskifte i forskningspolitikken. Ifølge NIFU har offentlige bevilgninger til forskning aldri tidligere utgjort en høyere andel av BNP. Høyre–Fremskrittsparti-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 innebærer en realvekst på 4,2 pst. Denne veksten kommer året etter en realvekst på 4,1 pst. i 2014-budsjettet. Budsjettet som er forhandlet frem mellom regjeringspartiene og Venstre og Kristelig Folkeparti, er ytterligere styrket med hensyn til forskning. Budsjettforliket innebærer også en kraftig satsing på nytt næringsliv, ny teknologi og innovasjon. To nye såkornfond skal etableres, der staten støtter private investorer for å utvikle nye bedrifter, som i mange tilfeller har sitt utspring i universitets- og forskningsmiljøer. Regjeringen har ambisiøse mål i kunnskapspolitikken, og samtidig med budsjettet la regjeringen frem en langtidsplan I 2015 vil regjeringen også legge frem en stortingsmelding om kvalitet og struktur i høyere utdanning. Det betyr at vi i året som ligger foran oss, står overfor viktige debatter om hvordan vi skal innrette kunnskapspolitikken for å sikre verdiskaping gjennom trygge arbeidsplasser, som er hele grunnlaget for vår velferd i fremtiden.

for at vi kan tiltrekke enda flere «enere» ved å kunne tilby gode betingelser for det faglige arbeidet. I tillegg satser regjeringen på virkemidler som vi vet stimulerer næringslivet til å investere mer i forskning. Brukerstyrt innovasjonsarena, BIA, og SkatteFUNN øker. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet også en satsing på kommersialisering av gode ideer gjennom en betydelig styrking av FORNY og den landsdekkende etablerertilskuddsordningen i Innovasjon Norge.

så dårleg. Eg registrerte kva ho sjølv sa om det nest siste budsjettet dei raud-grøne la fram, og ein kunne lesa den same representanten sin kommentar på Internett om at det var eit historisk løft for kommunane, men når me legg meir på bordet til kommunane, blir det sagt at det er eit dårleg opplegg. Det som no ligg på bordet frå regjeringspartia og Kristeleg Folkeparti og Venstre, er ein vekst i kommunane sine samla inntekter på 7,8 Denne veksten tilsvarer ein realvekst på 1,5 pst., som er på nivå med veksten dei seinare åra. Det reelle handlingsrommet er derimot større, fordi demografikostnadene er anslått til å bli lågare, og justerer me for dei, i tillegg til å sjå på pensjonskostnadene, vil dette budsjettet som no ligg på bordet frå dei fire borgarlege partia, utgjera meir pengar til kommunesektoren i fritt spelerom enn det det siste raud-grøne budsjettforslaget ville gjort. Difor er det interessant å sjå kva som vart sagt i debatten då ein diskuterte kommuneområdet i 2013, før valet. Då sa dåverande statsråd på kommunalfeltet, Liv Signe Navarsete, at valet i 2013

posisjon. Eg trur folk gjennomskodar at når ein i åtte år har sete og levert kommunebudsjett, går det ikkje an å koma året etter at ein har gått ut av kontora, og auka og overby totalt innanfor kommuneområdet. Lokalpolitikarene trur eg ikkje går inn på nettsida til Arbeidarpartiet for å sjå kva dei kunne ha fått med arbeidarpartipolitikk. Eg trur heller dei set seg ned og tenkjer på korleis det eigentleg var å vera lokalpolitikar i dei åtte åra Arbeidarpartiet var det store partiet. Då vil at det var ei tid då ein hadde det tøft, var nøydd til å kutta i budsjetta, men ein hadde eit storting og ei regjering som sa at no er det pengar til absolutt alt. Slik er det ikkje lenger. No har me eit stortingsfleirtal som er ærleg, som seier at kommunepolitikarane må driva effektivt, dei får ikkje pengar til absolutt alt, og dei er nøydde til å driva smart og fokusera på å driva effektivt i kommunane. Det Framstegspartiet er spesielt glad for med dette budsjettet me no har på bordet, er at det er funne rom til å løfta nokre kommunar spesielt. Me er veldig glade for at vekstkommunane no blir løfta. I dag er det 24 kommunar som er såkalla vekstkommunar, men det er ei ny innretning av det tilskotet, og ved at ein aukar tilskotet betrakteleg, er det 68 kommunar neste år som er vekstkommunar. Det er kommunar som har store utfordringar med aukande befolkning og behov for investeringar. Så me er glade for at me kan koma dei i møte. Me er òg glade for at me kan styrkja kommuneøkonomien med basis i behovet for å styrkja helsestasjonar og skulehelseteneste, og at me kan gje rusavhengige og personar med psykiske lidingar ekstramidlar. Me er glade for dei midlane som regjeringa la inn, og som støttepartia vidarefører. I tillegg er me glade for at støttepartia bidreg til å gjera eit godt budsjett for kommunesektoren endå betre, ved at ein har framforhandla meir pengar til barnehageplassar, redusert foreldrebetalinga og utsett auken av makspris i barnehagar, pluss at det blir ei ytterlegare styrking av helsestasjonar og skulehelseteneste, auka tapskompensasjon til fylkeskommunar, vidareføring av Den kulturelle spaserstokken og auke i lærlingtilskotet – for å nemna nokre område. Til slutt: Fylkeskommunane har òg ei viktig rolle. Dei har store ansvarsområde i Noreg, og me er glade for at òg fylkeskommunane får eit solid løft, spesielt når det gjeld den viktige oppgåva til fylkeskommunane: samferdsle. Der har me auka rentekompensasjonsordninga frå 2 mrd. kr til 3 mrd. kr og i tillegg gjeve friske midlar på 20 mill. kr til opprusting av fylkesvegane. I tillegg er det òg gjeve ein betydeleg auke til vedlikehald av

nå. Det som er alvorlig og – for å være ærlig – svært overraskende, er at regjeringen ikke bruker det handlingsrommet vi har nettopp til å ta i bruk mulighetene – mulighetene til å møte morgendagens utfordringer. Vi vet at vi må videreutvikle og omstille næringslivet vårt. Heldigvis har vi litt tid på oss, men det er nå vi må etablere det næringslivet som skal sikre velferden vår om 10–20 år. Vi har et veldig godt utgangspunkt med et meget kompetent og framoverlent næringsliv. Arbeiderpartiet er helt sikker på at sjansen for å lykkes er størst i de næringene hvor vi har naturgitte fortrinn. Derfor er vi veldig bekymret over at for regjeringen er næringsnøytralitet viktigere enn noe annet.

Å hjelpe gründere over dødens dal er avgjørende. For Arbeiderpartiet er det også viktig at hele landet får ta del i denne veksten. Derfor deler vi opp den statlige kapitalen slik at mindre investormiljø også kan være med i konkurransen om disse midlene. Dette er særlig viktig i Nord-Norge der vi må erkjenne at vi har mindre privat kapital enn i andre områder av landet. Når regjeringen i Når regjeringen i tillegg kuttet i de regionale utviklingsmidlene, rammer det også distriktene svært hardt. Noe av det mest positive jeg har opplevd på mine reiser det siste året, er besøkene til gründerhus. Jeg har bl.a. besøkt Mediegården i Bodø og FLOW i Tromsø. Den gründerånden og den innovasjonskraften som realiseres i disse miljøene, må vi ta vare på, og vi må videreutvikle den. Arbeiderpartiet mener at alle gründerhus rundt omkring i landet bidrar med noe unikt som vi tidligere ikke har hatt. Derfor må virkemiddelapparatet i større grad tilrettelegge for slike miljø. Som jeg sa, mener Arbeiderpartiet at vi må prioritere de næringene hvor vi har naturgitte fortrinn. Reiseliv er et knakende godt eksempel. Utfordringen har vært at næringen selv ikke har maktet å utnytte mulighetene

Næringsmessig er det kanskje ikke verdens undergang, men ressursforvaltningsmessig veldig alvorlig. Et tredje eksempel er sjøfartsnæringen vår. Jeg må innrømme at jeg synes det var rimelig sterkt å sitte i finanskomiteens høring og høre at Norges Rederiforbund kritiserer en borgerlig regjering for å svekke konkurransekraften til norsk sjøtransport gjennom å øke sektoravgiftene til Kystverket. De har gjennom de åtte foregående årene vent seg til avgiftslette, og de som mange andre trodde vel på lovnader fra valgkampen om å redusere todelingen av norsk økonomi. Når vi har vært ute og presentert vårt program for vekst i hele landet, spør alle om når denne politikken blir Dessverre er jeg redd for at det ikke blir før etter valget i 2017. Men ingen ting vil glede meg mer enn om regjeringen kopierer forslagene.

Med det nye flertallet på Stortinget og med ny regjering har vi fått et taktskifte i norsk samferdselspolitikk. Fra å være i en situasjon der forfallet på vei og bane har økt kontinuerlig, vil vi i 2015, for første gang på flere tiår, være i en situasjon der vi faktisk snur denne utviklingen. Det er historisk, og det viser at regjeringas politikk fungerer, at vi har et stortingsflertall som evner å prioritere den viktige oppgaven for å ruste Norge for framtida. Det er beregnet et etterslep på riksveiene på mellom 30 mrd. kr og 45 mrd. kr, og på fylkesveiene på mellom 45 mrd. kr og 75 mrd. kr. Tilsvarende tall for jernbanesektoren er ca. 17 mrd. kr. Til sammen snakker vi om et forfall som det vil koste mellom 90 mrd. kr og 140 mrd. kr å rette opp. Det er ikke bare den forrige regjeringas skyld, men selv om de hadde rent flertall, valgte de ikke å Konsekvensene av manglende vedlikehold og forfall på vei og bane er alvorlige. Dårlige veier gir redusert framkommelighet og, kanskje enda verre, utrygge veier. For jernbanen betyr det dårligere regularitet og punktlighet, som er nøkkelen til å få mer gods fra vei til bane, og få flere til velge miljøvennlig. Vi innser at denne utfordringen ikke lar seg løse på ett budsjettår. Derfor vil vi fortsette å prioritere økt satsing på vedlikehold

Samferdselsministeren opplyste tidligere i dag at 22 av prosjektene i forrige NTP-periode var forsinket og ikke ble gjennomført i henhold til handlingsplanen. Det viser at utfordringen ikke bare er å bruke mer penger, men faktisk å gjennomføre prosjektene. Raskere planlegging av vei og bane krever forutsigbarhet. Det kan vi løse gjennom å organisere oss annerledes. Veiselskapet vil ha en avklart finansiering, og selskapet kan derfor planlegge lengre strekninger mer helhetlig. Det betyr at usikkerheten med årlig budsjettering ikke lenger er til stede, og at prosjektene blir startet opp når de faktisk er ferdig planlagt. Mye av det samme vil vi oppnå gjennom å organisere bygging av vei og bane som offentlig–privat samarbeid. I tillegg har det vist seg at OPS gir gode incentiv for raskere gjennomføring av prosjektene, og med en mer forutsigbar risiko for offentlige myndigheter. Det har en verdi i seg selv. Også jernbanesektoren er overmoden for ny organisering. En selskapsorganisering med klar ansvarsfordeling og tydelige mål vil gi mer effektiv utbygging og et bedre tilbud for de reisende. Høyre ønsker å konkurranseutsette viktige jernbanestrekninger, ikke fordi konkurranse i seg selv er et mål, men fordi det viser at det skjerper aktørene og gir et bedre tilbud. Det er også gledelig å se at både Jernbaneverket, NSB og Flytoget har kommet med gode innspill til ny organisering, som alle inneholder konkurranse som et virkemiddel,

innsigelsene. Forsøket med at Fylkesmannen samordner alle statlige innsigelser har vist seg å gi gode resultater. Regjeringa utvider derfor denne ordningen til nå å omfatte tolv fylkesmenn. Statlig plan er et annet virkemiddel som kun har blitt brukt fem ganger tidligere. Da sier det litt at regjeringa nå har varslet at de vil bruke det på to nye europaveistrekninger for å sikre rask og effektiv planlegging. Planlegging og infrastruktur har nær sammenheng med god arealplanlegging, ikke minst i Derfor er dette et av de viktigste miljøtiltakene. Klare og forpliktende bymiljøavtaler vil bidra til mer samordnet planlegging der fortetting av byene våre skjer langs transportårene. På den måten vil flere også benytte seg av kollektiv transport og redusere bilbruken i disse områdene i framtida. Regjeringa og det nye stortingsflertallet er godt i gang med å forandre Samferdsels-Norge. Ikke bare vil vi satse mer i kroner, vi tenker nytt og organiserer oss Det gir allerede resultat, men de største forbedringene ligger foran oss når veiselskapet er operativt i 2015, flere OPS-prosjekter blir startet opp, ny jernbanestruktur kommer på plass, og moderniseringen av Norge gir kortere planleggingstid og raskere prosesser. Regjeringa løser oppgaver i dag og ruster Norge for framtidas utfordringer.

Behandlingskøene på sykehus er redusert, forenkling i byggesaker er på gang, og byråkratiet som møter den enkelte og næringslivet, er i ferd med å reduseres på flere områder. Det bevilges mer penger til veivedlikehold, og det bygges mer vei. Det bør ikke være ukjent for noen at Fremskrittspartiet gjerne skulle bygd flere veier uten bompenger, men som kjent er det ikke flertall for dette i denne sal. Skatter og avgifter reduseres, og for første gang i historien opplever innbyggerne at bensin- og dieselavgiftene ikke øker i et statsbudsjett.

nye. Fremskrittspartiets politikk for utvikling og velstand forutsetter en stor satsing på utdanning og forskning. Det blir ikke bygd gode veier uten godt kompetente ingeniører og fagarbeidere. Vi får heller ikke en bedre helsesektor dersom vi ikke har en god og tilstrekkelig utdanning på feltet. Budsjettets satsing på utdanning og forskning gjenspeiler på en god måte Fremskrittspartiets utdannings- og forskningspolitikk. Norge er veldig avhengig av at oljesektoren går godt. Mange bedrifter har aktivitet som er relatert til oljesektoren. Jeg er sikker på at oljen kommer til å gi gode arbeidsplasser i mange tiår framover, men den formidable veksten som oljesektoren har gitt norsk økonomi, ser ut til å avta. Spesielt på vestlandskysten har mange fått den lite hyggelige meldingen om at bedriften de jobber i, skal redusere bemanningen. Derfor er det svært viktig at utbygging av Johan Sverdrup-feltet og andre utbygginger starter som planlagt. Det vil medføre at aktiviteten øker litt igjen etter 2015. Norge har i dag en godt utdannet befolkning, og mange norske bedrifter har vist at de er i stand til å møte nye utfordringer med en kombinasjon av ny kunnskap og teknologi.

Læreren er den viktigste ressurs for elevens læring i skolen. Fremskrittspartiet er fornøyd med at rekordmange lærere får tilbud om videreutdanning. Vi er også fornøyd med at budsjettet økes med 50 mill. kr som øremerkes et kompetanseløft for ufaglært undervisningspersonell i skolen. Samarbeidsavtalen viderefører regjeringens satsing på Yrkesfagløftet som ble startet i Avtalen sikrer enda en økning i lærlingtilskuddet. Med årets forslag utgjør økningen totalt 7 600 kr per lærekontrakt. Før 2014 hadde tilskuddet stått på stedet hvil i nesten fem år. Hvert år går tusenvis av studenter fra studier og ut i arbeidslivet. Regjeringen øker studiefinansieringen med 3,1 pst., noe som er godt over forventet prisvekst. I budsjettforliket legger vi opp til bygging av 2 000 hybelenheter i 2015 – det er mer enn en dobling sammenlignet med gjennomsnittet under det rød-grønne styret. Alt i alt legger regjeringens budsjett opp til at studenter kan bruke mer tid på studiene.

så tydelig, har vi sett innstramming for dem som har minst. Mange ytelser i folketrygden har blitt nominelt videreført, som det heter. Det betyr et reelt kutt. Ikke minst ble det mye diskutert det forslaget som regjeringa la fram om å kutte i barnetillegget for uføre. Hele 28 000 kr skulle kuttes for hvert barn for de uføre, og det har også foreligget forslag om at de som er arbeidsledige, skal få et kutt på til sammen i arbeidsledighetstrygden, riktig nok med budsjettvirkning først i 2016. Fordeling er et ord som brukes ofte i denne saken – og dette er jo en fordeling, en omfordeling – men denne gangen fra dem som har lite, til dem som har mye I budsjettet varsler regjeringa en forventet økning i ledigheten, og i en interpellasjonsdebatt her i salen rett før sommeren svarte statsminister Solberg på interpellasjonen fra meg at hun var enig i at full sysselsetting er et overordnet mål for landet. Hun sa seg også enig i at skal vi oppnå det, må alle statsråder ha full sysselsetting som hovedmål. Men det vi nå ser med statsbudsjettet, er – som representanten Berg-Hansen akkurat var inne på – kutt i det marine verdiskapingsprogrammet, kutt i satsingene på reiseliv, kutt i verdiskapingsprogrammet for skog, kutt i Innovasjon Norge, og ikke minst det famøse forslaget om å øke grensa for moms moms på netthandel. Det var et tiltak som var anslått å koste 180 000 kr, altså en utgift for å ødelegge for norske arbeidsplasser til fordel for utenlandske. Også når det gjelder permitteringsregelverket, har regjeringa nok en gang nektet å etterkomme det klare ønsket fra arbeidslivets parter, arbeidsgivere og arbeidstakere, om å få tilbake muligheten til å beholde fast ansatte i stedet for å si dem til å beholde fast ansatte i stedet for å si dem opp, og det i en tid da ledigheten er i ferd med å øke. På samme måten som da regjeringa satte ned Produktivitetskommisjonen, eller da de foreslo å forandre på arbeidsmiljøloven, er de altså ikke i dialog med arbeidslivets parter, men i konflikt med arbeidslivets parter. Men ikke bare når det gjelder permitteringsregelverket, foreslår regjeringa svekkelse på arbeidslivssida,

nesten på en uvirkelig måte: den avgifta som altså skulle sørge for at vi alle sammen, hver gang vi går på butikken, er med og spleiser lite grann, halvannen krone for hver pose, for å sørge for at regjeringa får gitt skatteletten til de rikeste. Vi skulle få lov til å være med på spleiselaget alle sammen. Men det

budsjettforslag fra Kristelig Folkeparti og fra Venstre før det blir vedtatt en avtale som foreligger mellom dem og de to regjeringspartiene. Det er altså tydelig at ja, det står et flertall bak avtalen, men deler av flertallet står veldig langt

På tross av det er situasjonen på arbeidsmarkedet ganske stabil, og denne regjeringen har målrettet arbeidet med å styrke både arbeidslinjen og vekstskaperne, de som skaper arbeidsplasser i Norge. Det har bidratt til at vi har fått et budsjett som følger opp det Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre i valgkampen sa at de ville gjøre noe med, nemlig å styrke arbeidsplassene og det private eierskapet i nemlig å styrke arbeidsplassene og det private eierskapet i Norge for å sørge for at flere bedrifter får muligheten til å ansette flere når det røyner på. Det har vi gjort, først ved å fjerne arveavgiften i fjor, og nå ved å fortsette å redusere den når vi løser viktige oppgaver i dag for å ruste Norge for framtiden, er skolebudsjettet en av de store vinnerne i statsbudsjettet, i tråd med det som Høyre gikk til valg på – og nettopp for å ruste Norge for framtiden. I tillegg til å legge forholdene til rette for næringslivet er det viktig også å legge forholdene til rette for

først i regjeringens forslag og deretter i forslaget vi har sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre. Dette er med på å bidra til å øke incitamentene til arbeidslinjen, i lys av det store satsingsområdet når det gjelder dem som ikke kommer inn i arbeidslivet. Én ting er mangel på tilbud, noe annet er faktisk at mange av dem venter på mange av dem venter på en behandlingsplass på en rusinstitusjon. Denne regjeringen og helseminister Bent Høie har gitt store bidrag til å redusere helsekøene, slik at folk kan komme seg tilbake igjen til hverdagslivet sitt. Ikke minst får de som er rusavhengige i dag, som har stått i rød-grønne køer i åtte år, nå raskere den hjelpen de skal ha – vi kombinerer rus med psykiatri og helse for å hjelpe de menneskene som faktisk trenger hjelp fra staten. I tillegg har regjeringen, Kristelig Folkeparti og Venstre satt av 69 900 tiltaksplasser fordelt over hele fjøla. Det er for å demme opp for den usikkerheten som er i arbeidslivet. arbeidslivet. Det skal vi ha god dialog med Nav på, og Stortinget kommer til å forutsette at arbeidsministeren og Nav har så god kontakt at tiltaksplassene blir brukt for 2015, Blir de brukt, blir det vesentlig flere enn de som ble brukt i 2014, og dermed får vi en styrking av antallet tiltaksplasser for 2015. Jeg er jo fra en region som er veldig preget av offshorenæringen og olje- og servicenæringen. Det er helt åpenbart at vi må se til at Nav, som har ansvar for å gå inn med tiltak når problemer oppstår i arbeidsmarkedet, har et særlig øye med de regionene som er hardest I tillegg til å styrke det sosiale sikkerhetsnettet og kombinere det med en skjønnsom bruk av arbeidslinjen som prinsipp har vi funnet fram en rekke mindre tiltak for å få funksjonshemmede inn i arbeidslivet. Vi styrker en rekke ordninger der, bl.a. legger vi inn talegjenkjenningsprogrammer på norsk, og flere funksjonsassistenter skal inn i arbeidslivet. Vi får et ganske budsjett. Jeg må si at jeg er fornøyd med balansen mellom et sosialt sikkerhetsnett og arbeidslinjen, og ikke minst får vi et budsjett som løser viktige oppgaver i dag, men som også ruster Norge for

embetsverk sterkt frarådet da den debatten var på sitt sterkeste i Norge og Utenriksdepartementets medarbeidere gikk kraftfullt ut i sin bejubling av Den europeiske union. Det ble imidlertid en euro uten et finansdepartement. Over tid kan ikke det være holdbart. holdbart. Den europeiske union beveger seg mer og mer inn i et skårfeste, og det er en kritisk situasjon: Hva blir den sosiale og politiske uroen som følge av dette? Norge er et økonomisk annerledesland, som, sett fra FN, f.eks., nærmest er uvirkelig. Det er liten grunn til å tro at det økonomiske annerledeslandet kan videreføres på det nivået som det er på i dag. dag. Det kreves derfor et svært sterkt politisk lederskap for at vi skal takle de brottsjøer som kommer, slik at vi kan sikre ikke minst de svakeste gruppene i Norge. Norge står overfor flere krevende utfordringer samtidig. Vi står overfor en utfordring knyttet til Den europeiske unions krise, økonomisk, sosialt og politisk. Vi står overfor de menneskeskapte klimaendringene, som må føre til store omprioriteringer i vårt næringsliv. Vi står overfor en fallende oljepris, som vil ramme Norges eksportinntekter sterkt. Og vi står overfor en brutalisering av norsk arbeidsliv, som gjør at stadig flere fagfolk føler seg utrygge. Statsministerens viktigste poeng var ikke den reduksjonen i formuesskatten som regjeringa virkelig har

Det betyr at Norge, som verdens rikeste land av noe størrelse, må gjøre det lønnsomt for næringslivet å redusere bruken av svart karbon og øke bruken av grønt karbon, altså fotosyntesekarbon, i hav og på land. I dag er lønnsomheten i næringer som produserer og foredler grønt karbon, historisk lav, relativt sett. Det er altfor lite framme i den norske debatten at det som er framtida, har en historisk relativt lav økonomi, mens det som er historia, fortsatt har en høy økonomi. Dette må ved nærmere ettertanke være et paradoks for flere enn Senterpartiet. Det handler i stor grad om økt lønnsomhet for de fornybare næringer. Ungdom må tjene gode penger på sin innsats i de fornybare næringene. Det å forstå biologien og foredling av biologiske produkter som kan erstatte svart karbon, olje og gass, krever allsidig og stor kunnskap, både i økologi og i ny teknologi. Når vi skal utvikle nye økonomiske virkemidler, må vi først stille spørsmålet: Hva vil vi med Norge? Så må vi gjøre noe som er kraftfullt, slik som det ble gjort med skipsfarten. Vi må gjøre noe som er kraftfullt, og vi må korrigere markedskreftene, slik at det blir lønnsomhet i framtidsnæringene. Det krever korrigering av markedskreftene. Daværende stortingsrepresentant Solberg var i debatten for flere år sida enig i det prinsippet at en kunne bruke CO2-avgiften til å avgiftsbelegge det en skulle ha mindre av, og subsidiere det en skulle ha mer av, slik at en dermed korrigerte det. Det er helt sentralt å få en slik debatt om næringsliv og lønnsomhet dersom vi skal ta klimautfordringene på alvor. Til slutt: Det som skjer i norsk arbeidsliv i dag, er en radikal endring vekk fra norske lønns- og arbeidsvilkår for de mange fagarbeidere. Vi må få kontroll med arbeidsinnvandringa – alt annet blir teori – hvis vi skal sikre norske lønns- og arbeidsvilkår. Dette er to av de sentrale spørsmålene knyttet til klima og arbeidslivet. Det er viktig at vi har et politisk lederskap som tør å ta djerve grep.

Bedre velferdssamfunn ble til struping av kommuneøkonomien, styrket sosialt sikkerhetsnett ble til kutt i barnetillegget, bedre klima ble til et grått budsjett slaktet av miljøbevegelsen, og trygge arbeidsplasser ble til skattekutt til de rikeste. Budsjettet følger ikke opp de utfordringene en snakket om i trontalen. Da statsbudsjettet ble lagt fram, var det mange på Vestlandet som Som også regjeringspartiene har nevnt fra denne talerstolen i dag – 7000 arbeidsplasser står i fare. Hva gjør så regjeringa i budsjettet? I trontalen ville regjeringa trygge arbeidsplasser. Dette var kun retorikk. «Mennesker, ikke milliarder» ble til mennesker med milliarder. For også her er kutt i formuesskatten regjeringas eneste svar. Folk flest får noen hundrelapper mer årlig, mens 27 pst. av skattekuttene går til de 0,1 pst. rikeste i landet. Dette skal mirakuløst føre til at 7 000 vestlendinger får jobb. Slike mirakler tror jeg ikke på. Mirakler fungerer kanskje når en skal få til budsjettforlik med Kristelig Folkeparti, men det skaper ikke arbeidsplasser. Da trenger en konkrete tiltak, og det virker som om alle utenom NHO krever handling, LO krever handling, vi i opposisjonen foreslår handling. Regjeringa vil vente og se, bare vente litt til. Handlekraft har blitt til ventekraft. Derfor håper jeg representantene fra regjeringspartiene følger med nå, og kanskje spesielt Nordby Lunde. For opposisjonen kan brukes til noe: En kan inspireres av våre gode, konkrete forslag, og ikke minst følge etter. Arbeiderpartiet har lagt fram et budsjett for trygge arbeidsplasser.

Vi vil også ha en satsing, slik at to tusen som jobber som fagarbeidere nå, skal få fagbrev årlig. Vi vil ha 3 000 flere tiltaksplasser, og vi lanserer en fjerde handlingsplan mot sosial dumping. Og ikke minst permitteringsregelverket: Regjeringa doblet jo bedriftenes kostnader med permittering. Nav-rådgiver Gustav Svane i Rogaland ser nå konsekvensen av denne politikken. Han ser nå likhetstrekk med finanskrisen. Forskjellen er bare at det nå er flere oppsigelser enn permitteringer. Hør tallene: I Rogaland i september var det 2 326 oppsigelser og bare 181 permitteringer, altså nesten 13 ganger så mange oppsigelser som permitteringer. Arbeiderpartiet går foran, og i vårt budsjett styrkes permitteringsregelverket. Vi kommer ikke til å gi oss før regjeringa kommer etter. Statsministeren sa i sitt innlegg at hun var redd for tilbakefall – jeg lurer på om hun har lest sitt eget budsjett. For dette budsjettet er et tilbakefall – tilbakefall til gammeldags høyrepolitikk uten dynamisk virkning. Det er mer til dem som har mest, og det blir større forskjeller. Så vi er langt fra det en har lovet velgerne. Derfor er jeg glad for at opposisjonen viser at en annen retning er mulig. Det tror jeg velgerne merker seg.
Statsråd Røe Isaksen

Norge. I de foregående åtte årene har daværende opposisjon sagt at vår utfordring består av følgende: Vi har et høyt forbruk. Vi bruker – innenfor ansvarlige rammer, men allikevel – mye av oljeformuen vår, det som tilhører fremtidens generasjoner, men vi bruker det på forbruk og ikke på investeringer. Vi risikerer altså i noen av de beste årene som Norge har stått oppe i, å bruke for mye penger på løpende forbruk og for lite på å styrke grunnmuren i samfunnet, det som gir oss mulighet til å bevare alle de delene av Norge som vi setter pris på, for fremtiden. Hvis vi skal ruste Norge for fremtiden, tror jeg vi kan lære litt av hva man gjorde tidligere. Da det moderne industrieventyret i Norge tok form, f.eks. i Porsgrunn, hvor jeg kommer fra, eller på Notodden og Rjukan i Telemark, var det tre ting man trengte for å temme fossefallene for å få kraft og for å legge grunnlaget for det moderne Norge: Det første var innovasjon. Innovasjon trengtes, som f.eks. Birkeland, som fant opp en ny metode for å lage gjødsel. Så trengte man arbeidskraft. Det fikk man fra bygdene. Man trengte kvalifisert arbeidskraft, og det fikk man. Og så trengte man kapital – penger, rett og slett – for å ta de store investeringene. Det var grunnlaget for og veldig kort fortalt oppskriften på det norske industrieventyret. Jeg skal ikke si at vi gjør akkurat det samme i dag. Men det er noen av de samme tingene som går igjen i regjeringens forslag til budsjett. Når vi satser målrettet på forskning, utvikling og kunnskap, når vi har snudd en utvikling hvor forskning og utvikling i så å si alle budsjetter ble prioritert ned, til en utvikling hvor forskning, utvikling og kunnskap blir prioritert opp, er det nettopp fordi vi trenger å investere i fremtiden. La meg bare ta en kort visitt til tallene, for de sier litt, selv om penger ikke er alt, det handler også om hvordan man bruker dem. Men i de to budsjettene som regjeringen Solberg har lagt frem, og som flertallspartiene har levert, med det siste i dag, har den 0,9 pst. I 2013 begynte det å nærme seg valg, og da krøp den opp til 2,4 pst. Hva er det dette handler om? Jo, det handler om grunnforskning og om å investere i forskning og ideer som gjør at vi kan løse klimakrisen, finne en løsning på kreftgåten, og utnytte mulighetene som ligger i havene våre. Så handler det om å koble på neste ledd, nemlig utnyttingen og kommersialiseringen av den forskningen. Det gjør vi gjennom både kunnskapsbudsjettet og næringsbudsjettet, gjennom f.eks. Brukerstyrt innovasjonsarena, som er et program som veldig få egentlig har hørt om, men som betyr innmari mye for å skape fremtidens arbeidsplasser i Norge. Norge. Så må vi også gjøre det gjennom det siste, nemlig å ha penger som kan investeres. Hvis vi skal investere i fremtidens arbeidsplasser, er det dumt å ha høye skatter på arbeidsplasser, på gründere, på risikovillig kapital. Det er altså en fordel å ha innovasjon, å ha muligheten til å utnytte det og å Det bemerkelsesverdige med de foregående årene var jo at skatten hvert år gikk opp, men fortsatt klarte man ikke å satse på forskning, utvikling og kunnskap – det som er viktig for fremtiden. Sammen med flertallspartienes tydelige forsterkning og satsing på en tidlig start i barnehagen, med flere barnehageplasser, med en rekordhøy satsing med en satsing på tidlig innsats i skolen, kombinert med regjeringens og flertallspartienes store satsing på et lærerløft, slik at alle barn skal møte f.eks. en matematikklærer med fordypning, kombinert med flertallspartienes satsing på økt lærlingtilskudd, som regjeringen hadde lagt inn i 2014, og som flertallspartiene nå legger inn i 2015, er det et budsjett for fremtidig vekst i Norge og et budsjett som satser på innovasjon,

Budsjettforslaget hadde ingen andre skolesatsinger, ingen ting som gir lærere mer tid med eleven, større lærertetthet eller bedre oppfølging av den enkelte elev. Samtidig hadde regjeringa råd til enorme skattekutt for de rikeste i Norge, nesten hundre ganger mer enn til skole. Mitt spørsmål er: Hvordan kan Røe Isaksen forsvare å legge fram et budsjett som innebærer en realnedgang i skolebudsjettet utenom etter- og videreutdanning, og hvordan kan han så til de grader bli taperen i regjeringas budsjettarbeid? Det er helt utrolig å høre på noen av spørsmålene og påstandene fra Arbeiderpartiet. fram et budsjett som innebærer en realnedgang i skolebudsjettet utenom etter- og videreutdanning, og hvordan kan han så til de grader bli taperen i regjeringas budsjettarbeid? Det er helt utrolig å høre på noen av spørsmålene og påstandene fra Arbeiderpartiet. Dette kunnskapsbudsjettet har en historisk satsing på etter- og videreutdanning, en historisk satsing på forskning og utvikling, en kjempesatsing på universiteter og høyskoler, og flertallspartiene med Kristelig Folkeparti og Venstre har gjort det enda sterkere og enda bedre – ja, så mye sterkere og så mye bedre at jeg så

Anders

eller er dette noe vi har til gode fra statsråden for framtiden? La meg først si at de stillingene til økt lærertetthet som er inne nå, tror jeg kan bli brukt på en god måte. Det ble flertallspartiene enige om. Jeg tror man skal bruke dem på en målrettet måte for å tenke tidlig innsats for de helt yngste barna.

Med andre ord er lærerkompetanse, det at f.eks. alle matematikklærere har fordypning i matematikk, ikke bare noe som er viktig for ungdomsskolen, videregående skole eller mellomtrinnet. Det er i høyeste grad også relevant for de aller, aller minste barna. Jeg har lyst til å takke statsråden for et feiende, engasjert innlegg. Statsråden nevnte tre ting som er viktig for å ruste Norge til å møte utfordringene, det var innovasjon, arbeidskraft og

Det jeg fant, var 8 mill. kr til kompetanseheving for yrkesfaglærerne – det er bra i hvert fall, sjøl om vi ønsker mer penger til det – og så så vi at lærlingtilskuddet økte. Vekslingsmodell, mer fleksibilitet osv., var det ikke et ord om. Jeg ble egentlig skuffet, sjøl om jeg kan kritisere dere etterpå. Så jeg lurer på om statsråden kan svare på hvorfor regjeringa ikke er opptatt av å satse på

punkt nr. 3, representanten kan få se på mitt håndskrevne manus etterpå. Så er det helt riktig, og jeg er glad for, at flertallspartiene har fortsatt økningen av lærlingtilskuddet. Det kom en liten økning i 2009, men det hadde omtrent stått stille i alle år før, og har stått stille alle år etter. Det er bra at det kom. Når det gjelder vekslingsmodellen konkret, ligger det penger inne til den i budsjettet. Vi legger også inn mer penger i år til – hva skal man kalle det – at yrkesfaglærere kan komme ut og få erfaring fra arbeidslivet. Kanskje de har vært på skolen i mange år og trenger å få se hvordan ting har utviklet seg i arbeidslivet. Det ligger også inne penger til f.eks. praksisbrevordningen. Noe av utfordringen har vært at ikke alle fylkene er like flinke til å bruke disse

«class size matters, and it matters a lot.» Særleg barn i låginntektsfamiliar og minoritetsfamiliar har stort utbytte av dette, viser studien. Regjeringa har nyleg gjennom forliket gått med på fleire lærarar. Tidlegare har kunnskapsministeren sagt at satsinga frå dei raud-grøne med fleire lærarar på ungdomsskolen skal vidareførast. Det er ei heilomvending, slik eg oppfattar det. Betyr det

fra Oslo for hvor mange lærere man skal ha på et bestemt årstrinn. Jeg kan nevne i hvert fall to grunner til det. Det ene er at det vil føre til at all investering vil komme bare i de store byene. Det andre er at det kan hende at man f.eks. har behov for å styrke en Oslo-skole med høy minoritetsandel, mer enn man har behov for å styrke en skole i en annen del av byen, hvor kanskje ressursgrunnlaget i utgangspunktet er bedre. Men jeg er for flere lærere, og forsøksordningen som SV fikk gjennom etter syv år i regjering, har vi nå

hele landet. Smaken av skjevfordeling ga ikke appetitt. Hvor de store skattekuttene skulle komme, fikk folk flest rimelig raskt avklart ved at de som hadde gjennomsnittslønn, fikk ca. 2–3 kr i skattelette noe som raskt ble spist opp av plastposekostnadene ved matinnkjøpene. Fordelingsprofilen var at de med store formuer skulle få store skatteletter, og de uføre med barn skulle få mindre å rutte med. Så til spørsmålet om formuesskattekuttene er vekstfremmende. Det foreligger i dag ingen empiriske svar på at formuesskatt er vekstfremmende. Om det vekstfremmende skal ha fokus i skattedebatten, mener jeg at vi må se på hele skattesystemet i sammenheng. Det er derfor merkelig at regjeringen nå gjorde så kraftige skattekutt i statsbudsjettet framfor å vente på Scheel-utvalget, etterfulgt av en bred skattedebatt her i salen. Det blir feil når noen grupper, og i denne sammenheng Norges rikeste, får store skattelettelser uten at det blir vurdert om andre endringer i skattesystemet kan skape mer vekst og en mer rettferdig fordelingsprofil som kan komme alle til gode. Her velger regjeringen å kutte før kunnskapen man har bedt om, kommer på bordet. Oljeprisen synker, inntektene reduseres, og regjeringen går inn med sugerør for Oljeprisen synker, inntektene reduseres, og regjeringen går inn med sugerør for å hente mer oljeinntekter for å innfri sine prioriteringer. Det er krevende tider for petroleumssektoren, og leverandørindustrien i Hordaland og Rogaland er så langt hardest rammet. Men trygges arbeidsplassene som er utsatt? Innføres det tiltak for å hindre tusenvis av oppsigelser i leverandørindustrien? Nei, ikke noe tyder på at regjeringen er opptatt av å hindre at kompetanse bare forsvinner fra næringen, og at folks arbeidsdager er i spill og skaper usikkerhet i mange hjem. Hjemfylket til statsministeren og næringsministeren er ett av de fylkene som nå har de største utfordringene rundt oppsigelser. Gjengangeren ut er at med dagens permitteringsregelverk sier man heller opp de ansatte framfor å er et rimelig tradisjonelt næringsnøytralt ståsted Også på lang sikt vil nedgangen i aktiviteten og etterspørselen fra petroleumsnæringen stille krav til omstillingsevne i norsk næringsliv. Arbeiderpartiet ønsker en særlig innsats for økt vekst og sysselsetting i næringer som har gode forutsetninger for å lykkes i møte med internasjonal konkurranse. Dette krever klare prioriteringer, noe som står i motsetning til regjeringens næringsnøytrale linje. Arbeiderpartiet mener det er viktig å satse på næringer som har naturgitte fortrinn, og som har forutsetninger for å lykkes framover. Vi mener energi, miljøteknologi, maritim næring, marin sektor og reiseliv er gode eksempler på dette. I tillegg ser vi at det er viktig å satse på forskning og utvikling og bioøkonomi for å nå målet om selvforsyningsgrad framover, men også med tanke på muligheten til å bygge videre på nye næringer som kan bidra til viktige inntekter for arbeidsplasser framover. Vi må satse på landbruk, skog, fisk og landbasert industri generelt, som kan gi viktig vekst i hele landet. Derfor legger vi inn satsinger innenfor både landbruk og fisk i vårt alternative budsjett. Vi ønsker å bidra til å realisere verdiskapingspotensialet i sjømatnæringen, og at sjømatbedrifter omsetter markedskunnskap til økt lønnsomhet, altså kunnskapsbaserte tiltak. Regjeringen har flere ganger kommet med endringer innenfor næringslivet som de har tatt ut på forenklingskortet, Her kan nevnes endringer i momsgrensen, strukturgrep innenfor fiskerinæringen og kutt i støtteordningen i landbruket. Vi hører fra mange gründere også at det er behov for tidligfasekapital i den kritiske perioden fra forretningsidé til kommersiell drift, av næringslivet kalt «dødens dal». Dette har vi tatt på alvor, og lagt opp til et regionalt akseleratorprogram.

enn regjeringens næringsnøytrale linje og fraværende

Vi stimulerer eierskap, det private, mangfoldige eierskap for å skaffe kapital til bl.a. de satsingene som foregående taler var inne på. Vi satser på kunnskap. Som statsministeren så treffende har sagt, er det vår framtidige olje. Vi har en forsknings- og innovasjonssatsing som er veldig bedriftsrettet, og senest i dag fikk jeg mail fra rektor på Universitetet i Oslo om hvor bra den er, gjennom at man satser på BIA, man satser på SkatteFUNN, man satser på etablererstipendordningen gjennom Innovasjon Norge, og i forliket har vi også fått inn såkornkapital. Her er det mange ting som næringslivet har etterlyst i mange år, og som det har vært klare signaler om at har vært stor mangelvare i mange år. Det er veldig mye bra i budsjettet. budsjettet. Jeg registrerer at Gahr Støre bl.a. var inne på at dette står vi sammen om. Ja vel, men det var vi som klarte å prioritere det. Her har Arbeiderpartiet sittet i regjering i åtte år uten å klare å prioritere det. Nå lever de veldig høyt på at vår regjering faktisk har klart å prioritere, slik at man har skapt rom for både de satsingene og skattelettelser, og selvfølgelig har man da mye penger å fordele. Så sa Gahr Støre – og en rekke andre talere har også vært inne på det – at man særlig skulle satse på visse næringer, og man skulle bort fra den næringsnøytrale satsingen. Ja vel, da synes jeg for det første at man burde være ærlig og si hva man ikke skal satse på. Jeg tror ikke det er så lett. Jeg har prøvd å spørre, det er ingen som tør å si noen ting. men i så fall bør sporene fra Arbeiderpartiets næringsaktive politikk skremme. Hvis vi ser på jordbruk, ble jordbruksarealet redusert med 5 pst., eller 500 000 dekar. Andelen leiejord økte fra 38 pst. til Selvforsyningsgraden gikk ned fra 52 pst. til 48 pst. Melkeproduksjonen ble redusert med 37 pst., og det forsvant 18 000 årsverk i landbruket. Nå snur faktisk pilene. Etter ett år med borgerlig regjering er det investeringsvilje, det er flere som søker til landbruksutdanning, og det er mange av pilene som synes å peke i riktig retning. Hvis man også inkluderer skog, som Dag Terje Andersen og flere har vært opptatt av, ble faktisk skognæringen i Norge halvert. Treforedlingsindustrien i Norge ble halvert med de rød-grønnes aktive næringspolitikk. Vi gikk fra å være nettoimportør til å bli nettoeksportør av råvaren tømmer. Eksport av tømmer gir ikke veldig mye verdiskaping. Nå kommer budsjettforliket med biodiesel, og man snakker igjen om investeringer i norsk treforedling. Den pakken med kutt som Dag Terje Andersen kom fram med, var en semmer pakke, med, var en semmer pakke, for å si det på dialekt, det betyr en dårlig pakke, for i forhold til vår satsing på samferdsel og på skogsbilveier er det akkurat det næringen har etterspurt i årevis for å forbedre sin konkurransekraft. Så takke meg til Arbeiderpartiets aktive næringspolitikk, det bør samtlige næringer være ganske skremt av når man ser resultatene av innsatsen i forrige periode. Det er et faktum at skal vi bli konkurransedyktige, må vi ha en høyere produktivitet enn resten av verden rundt oss. Det er det eneste som virkelig kan bidra til at Norge holder seg på verdenstoppen når det gjelder velferd. Da må vi være mer effektive, vi må være smartere, vi må være mer innovative enn våre konkurrenter – det hjelper ikke bare å løpe fortere – og det gjør vi gjennom å fornye, forbedre og forenkle. På den måten skaper vi før vi fordeler, og det synes jeg kanskje noen i dagens opposisjon burde lære seg.

Arbeiderpartiet vil utvikle et moderne og framtidsrettet transportsystem som gjør trafikkutviklingen enklere, raskere og tryggere, med gode kommunikasjoner og transportmuligheter over hele landet. Veier, jernbaner, havner og lufthavner bidrar til å binde landet sammen, er avgjørende for næringsutviklingen og bosettingen og er med på å bygge landet. Klimaendringene er en av vår tids aller største utfordringer. Det handler om våre barn og barnebarns framtid, som finanspolitisk talskvinne Marianne Marthinsen sa tidligere i dag. Vi må ta det ansvaret og utvikle Norge og verden i rett retning. Transportsektoren står for bortimot en tredjedel av de samlede norske klimautslippene. Tiltak innenfor transportsektoren vil ha stor Derfor må vi utvikle og bygge ut transportsystemet, slik at de miljøskadelige virkningene blir begrenset. Byområdene vokser, og vi blir flere som bosetter oss der. Derfor foreslår Arbeiderpartiet en betydelig styrking av satsingen på jernbane og kollektivtransport, utover regjeringens forslag, nettopp for å imøtekomme disse utfordringene. Regjeringen kutter i bevilgningene knyttet til sykkel, den bevilger ikke nok til vedlikehold av jernbane, jernbane, den bevilger ikke nok til belønningsordningen for kollektivtrafikk eller til bymiljøavtalene, og den har kuttet 100 mill. kr til bredbåndssatsingen, noe som vil føre til at distriktene ikke kan delta i den digitale hverdagen som de fleste av oss tar som en selvfølge. Det skaper heller ikke vekst for næringslivet i distriktene. Dette er forslag fra regjeringen som går i motsatt retning av klimaforliket, og det er forslag som ikke vil møte storbyenes befolknings- og klimautfordring. Arbeiderpartiet er bekymret over at godstransporten på vei er økende, for det representerer både et alvorlig klimaproblem og et trafikksikkerhetsproblem. Det er bekymringsfullt at vi ikke i større grad lykkes i å overføre gods fra vei til sjø og bane, er en politisk målsetting for flertallet i denne salen. Stoltenberg-regjeringen utarbeidet en nærskipsfartstrategi i forbindelse med NTP-en i 2013. Arbeiderpartiet ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med konkrete forslag om hvordan vi kan følge opp nærskipsfartsstrategien, og med en status for å få overført mer gods fra vei til bane og sjø, for vi er nødt til å nå det målet, om vi skal nå klimamålene våre. Kristelig Folkeparti og Venstre har skadebegrenset noe, som representanten Marianne Marthinsens sa tidligere i dag, når det gjelder kollektiv og bane. Det er jeg veldig glad for. Men vi registrerer at flertallet nå kutter 245 mill. kr til fornying eller til vedlikehold på vei, som vi i det som antakeligvis blir mindretallet, ikke kutter i. De foreslår også å redusere veiprosjekt E16 over Filefjell, noe som gjør at delprosjekter at delprosjekter der ikke blir startet opp som planlagt i 2015. Vi har registrert at regjeringen på overordnet nivå følger opp NTP-en som regjeringen Stoltenberg la fram. Det er vi tilfreds med, for det er det som er vår politikk. Men vi konstaterer at regjeringen ikke følger opp sine egne lovnader på samferdselssektoren. Jeg blir litt overrasket over at noen, og da spesielt samferdselsministeren, er overrasket over at vi i Arbeiderpartiet følger opp vår egen politikk. Vi er ansvarlige i posisjon og i opposisjon. Det er de valgene som vi som politikere gjør i dag, som vi skal måles på i framtiden. Da er det viktig å gjøre rette valg. Vi i Arbeiderpartiet kommer fortsatt til å prioritere kollektiv og bane, som vi gjorde i den rød-grønne regjeringen, og derfor øker vi bevilgningene til jernbanevedlikeholdet, til klima- og kollektivtiltak i storbyene og til sykkel. Vi har holdt det vi lovte i posisjon, i motsetning til regjeringspartiene, der Høyre i opposisjon lovte 200 mrd. kr mer enn oss årlig, og Fremskrittspartiet lovte 45 mrd. kr mer årlig. I historien om hvem som har gjort hva i opposisjon, mener jeg at tallene taler for seg Så vil jeg si til representanten Helge Orten at vi skal være med og tenke nytt, vi skal organisere oss bedre, vi vil vente og se hva som kommer. Når det gjelder kortere planleggingstid og samordnede innsigelser, har vi vært for det hele veien, og det står også i vår NTP. Gjennom opposisjonstid, valgkamp og de siste års opptredener både i

ikke fordi regjeringen ikke har penger – Norge har masse penger, regjeringen har et rekordstort budsjett og høy oljepengebruk – men fordi regjeringen prioriterer pengene feil. For all del, mye vi er for, det er mange bra satsinger og enkeltforslag i budsjettet som får Arbeiderpartiets fulle støtte. Men budsjettets hovedprioritering – både før og etter forliket her i Stortinget – er fortsatt skattekutt til landets aller rikeste. Jeg mener det er sløsing med samfunnets ressurser å bruke store milliardbeløp på skattekutt de fleste av oss knapt merker. Regjeringen tar Norge i feil retning når den rikeste 1 pst.-en av Norges befolkning i regjeringens forslag til budsjett får like mye i skattekutt som veksten i sykehusene er til sammen. Vi kunne brukt dem så mye mer riktig til viktigere formål. Det er to mangler i helsesatsingen. Den ene går på kommuneopplegget, som er for svakt, og den andre er sykehusbudsjettet, som er tilsvarende svakt. Det viktigste folkehelsearbeidet handler om det som gjøres før folk blir syke, der folk lever livene sine: i barnehagen, i skolen og der folk bor. Derfor mener vi i Arbeiderpartiet at det er veldig viktig å satse på det forebyggende arbeidet, f.eks. gjennom å styrke kommunenes frie inntekter med 2,3 mrd. kr sammenlignet med regjeringens forslag. Det gir rom for å satse på forebygging og utbygging av trygge og gode kommunale helse- og omsorgstjenester for alle. Vi vet at helse og helsevaner som etableres tidlig i livet, har stor innvirkning på hvordan det går med deg resten av livet. Derfor er øremerket satsing på skolehelsetjenesten en del av Arbeiderpartiets alternative opplegg. I tillegg foreslår vi, som et forebyggingstiltak i folkehelsens navn, å gjeninnføre ordningen med frukt og grønt i ungdomsskolen og starte innføringen av en times fysisk aktivitet i skolen. På mange måter har regjeringen hatt to sjanser denne høsten, både før budsjettforhandlingene i Stortinget og etter. For sykehusene er resultatet det samme. Helseministerens budsjett for norske sykehus er for lite, både ut fra det som var lovnadene i valgkampen, og det som er behovene i sektoren. Hvorfor det? La meg ta tre korte eksempler: Punkt nr. 1: Sykehusbudsjettet er i utgangspunktet svakt, faktisk 1 mrd. kr lavere enn det Høyre selv lovet i valgkampen. De var omtrent i rute i fjor høst – det var et bra opplegg, som fikk Arbeiderpartiets støtte. Helseministeren leverer som sagt over 1 mrd. kr mindre til sykehusene enn det han lovet i valgkampen. Punkt nr. 2: Regjeringen legger opp til å inkludere nye oppgaver inn i sykehusrammen uten økonomisk kompensasjon til sykehusene. Oppgaver som tidligere hadde egne penger i tillegg til sykehusrammen, skal nå finansieres innenfor sykehusrammen. Skal aktiviteten opprettholdes – og det håper jeg vi er enige om – blir i realiteten disse endringene og kutt i den øvrige sykehusrammen. sykehusrammen. Punkt nr. 3: Budsjettforliket – all honnør til Kristelig Folkeparti og Venstre for å ha bidratt til å rette opp i flere av de usosiale forslagene til regjeringen – og denne avbyråkratiseringsreformen til regjeringen har gjort situasjonen for sykehusene verre ved at de nå er inkludert med 0,1 pst. som sykehusene også må dekke, uten at dette blir kompensert. Arbeiderpartiet mener det er feil bruk når man bruker så mye penger på skattekutt og ikke er i nærheten av å innfri det man lovet i valgkampen til kanskje den viktigste velferdssektoren i Norge, nemlig sykehusene og kommunene. Derfor legger vi nærmere 1,2 mrd. kr mer på bordet for å styrke sykehusene neste år. Vi unntar sykehusene fra disse effektiviseringsforslagene og ytterligere kutt fra forliket. Pengene skal gå til kvalitetspakke til sykehus, kveldsåpne poliklinikker og pilotprosjekter for å få ned ventetidene, rus og psykiatri, protonterapi i kveldsåpne poliklinikker og pilotprosjekter for å få ned ventetidene, rus og psykiatri, protonterapi i kreftbehandling, flere turnusleger – jeg kunne nevnt mange andre forslag. Slik investerer vi til det beste for landet vårt for framtiden, ved å investere i fellesskap og velferd, gjennom å holde det vi lover og bevilge nok penger til at forventningene vi har til landets helsearbeidere, faktisk står i stil med det vi har lovet på TV før valget.
Kårstein Eidem Løvaas,

uavhengig av de ulike mediehusenes evne, vilje og gjennomføringskraft når det gjelder omstilling, henger vi lovgivere sørgelig etter. Blekket i et statsbudsjett er knapt nok tørt før nye utfordringer melder seg. Regjeringen, Kristelig Folkeparti og Venstre står sammen om støtteordningene til pressen i budsjettet for 2015. Bransjen selv har fortalt at disse ordningene er avgjørende for at de skal lykkes med sin omstilling i en turbulent tid. tid. Det er et krysspress mange mediehus opplever når de to tradisjonelt viktigste inntektsstrømmene tørker inn. For det første: Stadig færre abonnerer på en avis. Vi er fortsatt mange som liker å tøfle ut til postkassen en lørdag morgen for å hente avisen til morgenkaffen. Men vi som liker det, er en utdøende rase. Papiravisene forsvinner, og det går fort. For det andre: Annonsørene flytter pengene sine til nye medier og andre aktører. For få år siden var det vanskelig å tenke seg at den lokale rørleggeren ville velge å bruke annonsepengene på Google i stedet for i den lokale papiravisen. Alle støtteordninger og gode intensjoner til tross: Etter alle de 19 årene vi har hatt nettaviser i Norge, er det fortsatt slik at bransjen i all hovedsak ikke har funnet fullgode løsninger for digital publisering som ivaretar nødvendig inntjening fra abonnenter og annonsører. Regjeringen har sagt at den på lang sikt ønsker å legge om og redusere pressestøtten, dette fordi vi så langt ikke har sett at konserverende modeller bidrar til innovasjon. Det er derfor en forventning fra at dagens støttenivå virkelig oppmuntrer til innovasjon og overgang til digitale medier. Men noen viktige prinsipper kommer også etter hvert på plass, både når det gjelder den direkte og den indirekte pressestøtten, altså produksjonsstøtten og momsen. Det er enighet om at man i større grad skal likebehandle medier uavhengig av distribusjonsplattform, og det er et skritt i riktig Fortsatt gjenstår en del arbeid, både med å komme til enighet om satsen på moms og om hvordan ordningen skal avgrenses. Men lav moms må ikke bli et prinsipp som en støtte til en bransje i økonomisk krise, det må være politiske grunner til å innføre en lik, lav moms. Avgrensningen for momsordningen samt størrelsen og innretningen av produksjonstilskuddet vil også i fremtiden være gjenstand for debatt. Slik må det være, for dagens løsninger løser neppe utfordringene for en bransje i så rask endring. I et mangfoldsperspektiv er det også interessant å notere at ett mediehus mottar en tredjedel av den direkte støtten – i andre sammenhenger får en slik dominans alarmklokkene til å kime. Mangfoldet i media er også interessant å diskutere med tanke på presset vi opplever fra utenlandske

lisens. Hvordan NRKs robuste økonomi og de mulighetene og musklene det gir, slår inn i et marked i ubalanse, er uvisst. Mer enn hver femte journalist og redaktør i Norge arbeider i dag i NRK. De mest sette og hørte programmene sendes i en eller flere NRK-kanaler, og NRK er en betydelig aktør også på nett og andre plattformer. Det er viktig at NRK opprettholder sin eksistensberettigelse gjennom kvalitet og den opplevelsen de gir lisensbetalerne.

Mediepolitikken har i mange år vært styrt ved at vi har kikket i bakspeilet. Nå må vi se på veien fremover i

Å skape et trygt samfunn er et felles ansvar. Det starter i kommunene, der folk bor, går på skole og får omsorg og pleie når det trengs. Mange kommunepolitikere strever med å få pengene for 2015 til å strekke til. Barnehagene blir dyrere, det er mindre til folkehelsearbeid, og kommunene har fått svikt i inntektene. Kristiansand, som jeg bor i, får rundt 30 mill. kr mer med Arbeiderpartiets opplegg. Der møter bl.a. Barnevernsproffene ansatte i barnevernet. I Aftenposten 2. november sier de: «Beslutningene blir alltid best, hvis vi har kommet frem til dem sammen.» De vet at det å bli lyttet til, er en god forutsetning for et godt liv. Derfor er det behov for nok og godt kvalifiserte barnevernsansatte. Forebygging handler om å skape store Det handler om å omsette rettssikkerhet, omfordeling og inkludering til praktisk politikk: et samfunn med arbeid til alle, der barn og unge fullfører skolegangen, der familier og barn får tidlig hjelp et likestilt samfunn, der verdien knyttes til at man er – ikke til hvem man er, hva man har eller har gjort et trygt samfunn, der fellesskapet bærer den enkelte, og der den Å forfordele 95–99 pst. av befolkningen til fordel for 1–5 pst. av de rikeste er ikke å bygge fellesskap. Justisministeren og regjeringa framhever justisbudsjettet som en av vinnerne. Ja, Arbeiderpartiet mener at noe av budsjettet var godt. Mye ble bedre etter forhandlinger med Kristelig Folkeparti og Venstre. Regjeringas nye budsjetteringsmåte med store kutt gjør det vanskelig å sammenligne med foregående år. Nå er nesten et samstemt justisfelt mer bekymret for disse kuttene enn de er begeistret for påplussinga de fikk. Justisministeren snakker om viktige saker, men noen saker snakker han lite om, som f.eks. innholdet i kriminalomsorgen. Fram til landsmøtet i Norges Fengsels- og Friomsorgsforbund i oktober hadde justisministeren knapt snakket om innhold. Han forsikret delegatene om at han var opptatt av innholdet. Men til tross for dette økes ikke antallet ansatte med mer enn det som knapt nok dekker de 41 nye plassene regjeringa etablerer ved ytterligere dublering. Belegget i fengslene er nå opp mot 100 pst. Ansatte peker på utfordringer med redusert Arbeiderpartiet styrker budsjettet i kriminalomsorgen med 30 mill. kr mer enn regjeringa – til rundt 43 nye stillinger øremerket barnekontakter. Et annet område justisministeren kritiseres for å være taus på, er når det gjelder vold mot barn. Denne regjeringa har ikke videreført konkrete midler til barnehus slik den forrige regjeringa gjorde. Arbeiderpartiet fortsetter satsinga og øremerker 100 mill. kr innenfor rammen til politidistriktene. Deler av justissektoren må kunne kalles et venterom – i hvert fall enn så lenge. Lang kø eller vennligst vent er svaret når Arbeiderpartiet og andre utålmodige etterlyser handling – enten det dreier seg om politireform eller beredskapssenter, for å nevne noe. Kapasitetsutfordringene i fengslene utvikler seg til det verre. Handlekraften rekker til planlegging og flere utredninger, og mens vi venter, ber ministeren andre løse Norges problemer: først Sverige, så Nederland. Arbeiderpartiet har besøkt politidistriktene og fengslene. Ansatte er utålmodige, og det er vi også. Vi vil ha en politireform som bygger opp under oppgavene, en reform som er opptatt av innhold, kultur og ledelse, samarbeid og effektiv utnyttelse av de samlende ressurser – en reform som frigjør politikraft. Vi vil ha nytt fengsel raskt, et innhold i alle fengslene og god rehabilitering. Det gir folket økt trygghet og nok soningsplasser, og færre begår kriminalitet. Det er mye i justisministerens venterom, men det gledelige er at det er litt progresjon. Vi vet nå at politireformen kommer over nyttår, og kapasitetsplanen kommer allerede i desember. Da regner vi også med at de vil være grundig gjennomarbeidet. Fordi Arbeiderpartiet vil ha bedre politi, mer sikkerhet og bedre kriminalitetsforebygging, kan vi love at vi vil være konstruktive når disse sakene kommer til Stortinget.

I kulturpolitikken lovet regjeringen en ny retning. Det dreier seg utvilsomt om nytale, om såkalt armlengdes avstand og frihet, men i mer praktisk og håndfast forstand om dårligere økonomi for kunst og kultur, frivillige organisasjoner, medier og idrett. Ingen områder skjermes fra budsjettets hovedsatsing – skattekutt til de rikeste. Og for virkelig å få vist fram sin budsjettprofil ble Den kulturelle spaserstokken sammen med Kulturkort for ungdom. Budsjettet er en oppskrift full av ingredienser som tar Norge i feil retning. Det bygger opp om unorske verdier, som økende forskjeller mellom folk, svekking av fellesskapets muligheter til å bygge ut velferden gjennom kommunene og dårligere kår for frivillig virksomhet i by og bygd – det som virkelig får oss til å holde sammen som samfunn, det som samler folk og gir livskvalitet og integrering. I Organisasjons-Norge er budsjettet møtt med hoderisting og bekymring og til dels sinne fordi regjeringspartiene til de grader har senket samfunnets og fellesskapets ambisjoner. Det er skapt usikkerhet og uforutsigbarhet. Det er engasjementet fra tusenvis av frivillige aktører og organisasjoner som sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre har sørget for en litt mildere kursdreining. Det skal de ha all ære for.

og det samme er et tilskudd på 35 mill. kr til en modernisert form for Kulturkort for ungdom. Det er fordi vi velger bort skattekutt, og da er det nettopp rom for slike bevilgninger. For Arbeiderpartiet er det viktig at kulturen når ut til alle, at vi bidrar til å utjevne skjevheter også når det gjelder kultur. Vi vet at forbruk av kulturtilbud øker med nærhet, og det øker med inntekt. Det reduseres tilsvarende hos dem som har minst. I det budsjettet som er lagt fram, er det en klokkertro på marked og private løsninger også på kulturfeltet. Ja, det kan se ut som det er Markeds-Høyre som har vunnet over Kultur-Høyre. Det har snart gått halvannet år partilederne fra Høyre og Fremskrittspartiet fortalte at de var enige om en betydelig prioritering av frivilligheten. Den gangen var det valgkamp. Nå er partilederne blitt henholdsvis statsminister og finansminister, og det er blitt politisk hverdag. Det eneste som er blitt tydeligere når det gjelder frivilligheten, er at forventningene ikke er blitt innfridd. Og selv om regjeringserklæringen omhandler frivilligheten på omtrent annenhver linje, så blir politikken omsatt til kutt – kutt til Studieforbundet, kutt til frivillige organisasjoner, kutt i momskompensasjonsordningen til idrettsanlegg, kutt i bevilgninger til musikkutstyrsordningen, 4H blir kastet ut av kontorene sine. Frivillige organisasjoner, som er avhengige av spillemidler, bekymrer seg for når de kommersielle aktørene skal inn og hente overskudd fra spillmarkedet. Denne uken har regjeringen frivillighetsuke. Det inviteres til møter, og erklæringer skal underskrives. Det må være med en viss bismak organisasjonene involveres i det arbeidet, for bak alle ordene ligger minnene om statsbudsjettet og

Og det legger grunnlaget for å skape de nye, grønne arbeidsplassene. Dette er sosialt, det gir neste generasjon bedre muligheter, og det starter en nødvendig omstilling for framtiden. Da må vi legge til rette for å trygge eksisterende arbeidsplasser, for nyskaping og for at nye bedrifter kan etableres. Da må vi fjerne lover, regler og rammebetingelser som hindrer dette. Formuesskatten er en særnorsk skatt som tapper norskeide bedrifter for kapital, mens utenlandskeide konkurrenter slipper unna. Dette svekker norsk privat eierskap og gjør norske arbeidsplasser mindre konkurransedyktige. Formuesskatten innebærer at den effektive skatten på kapitalavkastning i Norge er svært høy for enkelte typer kapital, og den gjør det mindre lønnsomt å spare Formuesskatten må betales uavhengig av om bedriften går med overskudd eller underskudd, og den reduserer norske bedrifters muligheter til å investere i innovasjon, utvikling og nye arbeidsplasser. Reduksjonene i formuesskatten er en bedring av norskeide bedrifters konkurranseforhold, og det legger til rette for nyetableringer. Det er en god investering. Det er ikke sløsing, slik Arbeiderpartiet hevder i denne debatten. Det skaper sikkerhet for dem som ønsker å skape verdier og arbeidsplasser ut fra en god idé og eget talent. Samtidig lever vi i en verden som er usikker. Den sikkerhetspolitiske situasjonen er forverret, og det påvirker også sikkerheten i vårt eget land. Budsjettet synliggjør en aktiv Det foreslås en betydelig styrking av politiet i statsbudsjettet for neste år. Budsjettet vil øke tryggheten og friheten for folk. Derfor satser vi på mer politi og bedre beredskap. Satsingen vil gi 350 nye politistillinger. Dette er en viktig del av oppbemanningen, slik at det blir mulig å nå målet om to tjenestemenn per 1 000 innbyggere Et sterkt nærpoliti er avgjørende for å skape mer trygghet i samfunnet. Politiet må rustes opp for å møte framtidens kriminalitetsutfordringer, og det forebyggende arbeidet må intensiveres. Styrkingen av politiet bidrar til mer synlig politi. Politidistriktene må ha midler til å ansette de nyutdannede fra Politihøgskolen i politiet. For å sikre effektivitet og god framdrift i politiets etterforskning er det viktig med sterk fagledelse og nok påtalejurister. Budsjettet gir bl.a. 50 nye politijurister, og det styrker den høyere påtalemyndighet. Kampen mot terror gjelder også i vårt land. Trusselnivået har økt. I beredskapen for å avdekke og hindre terror i Norge spiller PST en avgjørende rolle. Sommerens terrortrussel mot landet er et eksempel på at nasjonen står overfor større utfordringer enn tidligere når det gjelder terrorvirksomhet. Dette er bakgrunnen for at regjeringen foreslår å øke bevilgningene til PST kraftig. Det er viktig at personer som er dømt for kriminalitet, starter soning så raskt som mulig. Tilstrekkelig kapasitet i kriminalomsorgen er derfor helt avgjørende. Derfor bevilges det over 40 mill. kr til å utvide fengselskapasiteten innenfor eksisterende fengsler og til opprettelse en egen ungdomsenhet på Østlandet. Vi arvet en lang soningskø fra de For å få bukt med denne må det settes inn ytterligere tiltak, også kortsiktige. Leie av fengselsplasser i Nederland kan være en løsning. Avtalen om neste års statsbudsjett viderefører og forsterker enigheten fra Nydalen-avtalen. Alle de fire partiene har satt sitt preg på budsjettet. Det er et budsjett som løser viktige oppgaver i dag, og som ruster Norge for årene framover. Det er et budsjett som gjør landet tryggere.

ideen. Den settes under press og vil gradvis bli betydelig svekket med en slik utvikling som regjeringa legger opp til i budsjettet. Dette er ikke noe nytt. Høyresida i Norge har historisk alltid ment at fellesskapet ikke skal bli for sterkt, og at de materielt rikeste må ha det stadig bedre for at alle skal få litt mer. Når det regner på presten, drypper det på klokkeren. Nå sier de – og dette har de sagt fra alle hold under hele denne debatten og ved framleggelsen av budsjettet – at skal vi klare den utviklinga som Norge nå vil stå overfor, må vi gjøre det som de foreslår. De mener at den avgjørende medisinen for å takle framtidsutfordringa for et moderne land i Europa i dag er å utfordre fellesskapet – de som er på toppen av samfunnet, skal ha mer, og de som er nederst, skal betale. Det er det høyrepartiene foreslår. Hva er dette? Ja, framfor alt er det selvfølgelig veldig umoderne, og det vil på sikt skade hele samfunnet. Utviklinga av forskjeller skaper ikke dynamikk og omstilling. Det skaper stivhet og ubalanse, og det skader det som er essensielt for statsministeren og finansministeren, nemlig samfunnets verdiskaping. Det er uomtvistelig, for alle som vil se, at ikke bare den politiske argumentasjonen, men også all kunnskap innenfor statsvitenskap og økonomisk teori, viser oss at det er de samfunnene som er stabile, som har høy skatt, som har gode samfunnsforhold for hele befolkninga, og som har sterke fellesskap i sin kultur, som også er de samfunnene som gir best avkastning på kapitalen. Jeg forstår oppriktig talt ikke – og dette sier jeg ikke for å være retorisk, her jeg står

forskjeller og svake samfunnsinstitusjoner, nettopp fordi staten blir forgjeldet, fordi skatteinntektene er for lave. Jeg ser at finansministeren ennå er til stede her: La oss bli spart for det, finansminister. La oss bli spart for en utvikling i en slik retning som vi ser i mange andre land. Det er ingen vei å gå. Man kan spørre Denne retorikken rundt Arbeiderpartiets økonomiske politikk som Fremskrittspartiet og Høyre holdt seg med i hele valgkampen, går ut på at vi har stivnet helt. Det er ikke noen framtid i oss. Da må jeg si: Når skal høyrepartiene rett og slett lære? Når skal de lære? Har de aldri tenkt å lære? Eller bryr de seg rett og slett ikke? Kanskje det er det siste – ettersom de ettersom de legger fram et slikt forslag som de nå har gjort? For dette handler ikke bare om det vi nå har snakket om. Det handler også om det som representanten Aasrud så fint pekte på: hele kulturlivet. Og jeg spurte meg selv da jeg så dette budsjettet presentert: Hva er det de gjør? Utsetter de virkelig seg selv for alle denne kritikken frivillig? Nei da, det er ikke sånn. Siv Jensen har sagt det: Det blir selvfølgelig bråk når man må bygge ned Arbeiderparti-staten. Det hun selvfølgelig tok feil i, var at hun gikk rett i veggen – i kollisjon med det norske folk. Det er det som er situasjonen. Nå tror jeg representanten Kolberg har glemt igjen huskelappen sin her oppe! Det er

et budsjett som prioriterer velferd i kommunene, som viser at man løfter de gruppene som har mest behov for samfunnets hjelp, bl.a. dem som sliter med rus og psykisk helse. Det er et budsjett som sikrer at vi satser på skolen, på kunnskap – kanskje noe av det aller viktigste vi kan satse på kanskje noe av det aller viktigste vi kan satse på for å sikre et samfunn med små forskjeller i fremtiden. Det er et budsjett som handler om å skape trygge arbeidsplasser, slik at vi kan sikre oss velferd, ikke bare i dag, men også for fremtiden. Budsjettet for 2015 gir oss et godt grunnlag til å styrke velferden til innbyggerne. Vi får ny kraft i arbeidet med å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Sammen med våre samarbeidspartier, Kristelig Folkeparti og Venstre, gjør vi det vi lovet velgerne: Vi løser viktige oppgaver i dag, og vi ruster Norge for fremtiden. En god og forutsigbar kommuneøkonomi er viktig for at kommunen skal kunne utvikle gode velferdstjenester – barnehager, skole og eldreomsorg, og ikke minst de spesialiserte tilbudene til dem som trenger kommunen aller mest: innbyggere som sliter med rus eller psykisk helse, eller barn som trenger hjelp fra barnevernet. Jeg er derfor glad for at samarbeidspartiene prioriterer tilbudet innenfor rusbehandling, psykisk helse og skolehelsetjenesten. Vi gjorde det i 2014, og vi gjør det i 2015. Dette er en satsing som må vedvare over mange år for at vi skal kunne gi våre innbyggere et godt tilbud. Før valget i fjor var rød-grønne politikere høyt og lavt med sine skremsler om hva et borgerlig flertall ville bety for kommuneøkonomien. Disse skremslene er gjort til skamme. Budsjettavtalen med samarbeidspartiene legger til rette for at kommunene kan sikre mer kunnskap i skolen, bedre kvalitet i helse- og omsorgssektoren og fortsette arbeidet med å tette hull i det sosiale sikkerhetsnettet. Budsjettavtalen gir en reell vekst i kommunenes samlede inntekter på 7,8 mrd. kr, hvorav 4,7 mrd. kr i frie inntekter. Det betyr at kommunene får en realvekst i 2015 på nivå med det de fikk under rød-grønt styre. Det reelle handlingsrommet for kommunene vil være større enn det det har vært de senere år. Man kan selvsagt mene at kommunene burde hatt enda mer, og et Arbeiderparti i opposisjon vil alltid ha mer penger. Men Arbeiderpartiets forsøk på å bruke svart kost i sine beskrivelser av kommuneøkonomien for 2015 er i så fall en kraftig kritikk av egen politikk gjennom mange, mange år. Det betyr ikke at kommunepolitikerne får en enkel jobb når de skal foreta sine prioriteringer i kommunebudsjettet. Lokalpolitikerne må i år, som de har gjort i alle år, også under rød-grønt styre, prioritere og tenke nytt for å få til løft for sine innbyggere. Debatten om statsbudsjettet blir selvsagt en debatt om plusser og minuser for neste år. Men det er også en invitasjon til å heve blikket, for å se hvilke utfordringer vi som nasjon, våre arbeidsplasser, står overfor. Det som har en tydelig prioritering i dette budsjettet, handler om å styrke kunnskapen i skolen gjennom at flere lærere skal få etter- og videreutdanning. Det handler om å satse mer på forskning og utvikling, det handler om bedre rammebetingelser for bedriftene våre, og det er ikke minst en stor satsing på samferdsel, på vei og kollektivtransport. Dette er viktige investeringer både for våre innbyggere i dag og – ikke minst – for at vi skal sikre velferd i årene som kommer. Så er jeg glad for at vi i budsjettet for neste år har fått en ny, kraftfull satsing på digitalisering av offentlig sektor. Det vil bidra til at vi får en mer effektiv offentlig sektor, og det vil bidra til at våre innbyggere får flere og bedre tjenester.

det ligger en historisk satsing på psykisk helse, rus og skolehelsetjeneste til neste år. Samtidig viser Kommunebarometeret at to tredjedeler av kommunene mener at handlingsrommet blir mindre til neste år. Jeg vil tro at når Høyre-styrte kommuner som Bergen og Stavanger innfører og øker eiendomsskatten, gjør de ikke det fordi de har fryktelig lyst, men fordi de er nødt til å gjøre det. det. Da lurer jeg på: Hvorfor er det så stor avstand i virkelighetsbeskrivelsen mellom kommunalministeren og hans egne partifeller i kommunene? Helga Pedersen har også vært lenge med i norsk politikk. I hvert fall bør hun huske de siste åtte år, og det var ikke få oppslag med ordførere fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet som mente at de fikk altfor lite i overføringer fra staten.

veksten i kommunenes frie inntekter er på nivå med hva de var under rød-grønt styre. Jeg sier ikke at det blir enkelt for kommunepolitikerne, men er det vanskelig til neste år, har det ikke vært noe lettere under rød-grønt styre de siste åtte år. Jeg legger merke til

og pensjon er trukket fra, vil det sannsynligvis ikke være mer enn 1,4 mrd. kr igjen av de frie inntektene. Han peker videre på at de inntektene som kommunene får til neste år, må de høyst sannsynligvis bruke til å dekke opp for skattesvikten i år. Den er nå på nærmere 3 mrd. kr, og den kommunalministeren å kompensere for, selv om han har gjort det ved de to siste korsveier. Sist Høyre gjorde opp budsjettet med Fremskrittspartiet, i 2004, var det et hovedkrav fra Fremskrittspartiet at man skulle kompensere for skattesvikten i kommunene for å unngå velferdskutt. I 2009 kan jeg heller ikke huske at Høyre og Fremskrittspartiet satte seg imot å kompensere for skattesvikten. Hvorfor mener man nå at det er et nytt og viktig prinsipp i norsk politikk at kommunene ikke skal få kompensert når skatteinntektene svikter og det vitterlig vil føre til … Det mente alltid Arbeiderpartiet før. Den gangen Jens Stoltenberg var leder i Arbeiderpartiet, mente Arbeiderpartiet at kommunene selv måtte dekke skattesvikt mot at de skulle få økt skattevekst i de årene de hadde det. Da Per-Kristian Foss kompenserte skattesvikt i 2004, fikk han skarp kritikk av Arbeiderpartiets finanspolitiske talskvinne, Hill-Marta Solberg. Den gang mente Arbeiderpartiet at kommunene de få årene de hadde skattesvikt, måtte dekke det selv, og så fikk man beholde skattevekst de årene de hadde det. Jeg registrerer at representanten viser til KS. KS erkjenner i hvert fall at det er vekst i de frie inntektene. Når man hører på Arbeiderpartiet, virker det som om det ikke er vekst i det hele tatt. Realiteten er at veksten til neste år er 1,5 pst. realvekst. Da tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen la frem opplegget for 2013, sa han at det var et godt opplegg for kommunene. Da fikk de 1,3 pst., altså betydelig under det vi har lagt inn for neste år. 13. mars sendte Kommunal- og moderniseringsdepartementet ut en gladmelding der de fortalte at ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift ble utvidet med 31 nye kommuner. I pressemeldingen het det: «Årsaken til at regjeringen foreslår at 31 nye kommuner blir tatt inn i ordningen er at disse kommunene har hatt en svak utvikling i folketall, sysselsetting eller økonomisk vekt.» Den 8. oktober la Kommunal- og moderniseringsdepartementet fram budsjettet for 2015. 2015. Da ble dette snudd til et slag i ansiktet for disse kommunene. Hele effekten av redusert sats i arbeidsgiveravgiften blir trukket inn gjennom kutt på 267 mill. kr fra rammen. Korrigeringen av kommunerammen på grunn av endringen i satsene på differensiert arbeidsgiveravgift har bestandig vært tatt gjennom skjønnsmidler og på en slik måte at kommunene har fått beholde en vesentlig del av effekten. Nå fratar regjeringen kommunene denne effekten. Flere kommuner opplever i tillegg at Fylkesmannen opprettholder trekket i skjønnsmidler, slik at de taper dobbelt. Kan statsråden forklare snuoperasjonen regjeringen legger opp til, og hva vil bli gjort med de kommunene som opplever dobbelt trekk? Det kan være behov for å gjenoppfriske litt hva som har vært gjort tidligere. Både i 2004 og 2007 var det slik at kommunene ble trukket i kommunerammen for den virkningen redusert arbeidsgiveravgift hadde for kommunal sysselsetting. Det er viktig å huske på og holde fast ved at ordningen med lavere arbeidsgiversats i mange distrikter handler om å styrke privat sysselsetting. Det har vært hele begrunnelsen for differensiert arbeidsgiveravgift. Det er et kraftfullt virkemiddel for å styrke privat sysselsetting i Distrikts-Norge, og jeg er glad for at vi klarte å få det på plass også for nye seks år. Det er viktig for Distrikts-Norge, og det er viktig for arbeidsplassene. arbeidsplassene. Så er det slik at den virkningen som den reduserte arbeidsgiversatsen har for kommunal sysselsetting, blir trukket i rammen. Det ble også gjort under rød-grønt styre, og vi viderefører den praksis som har vært etablert gjennom veldig mange år. Noe av forskjellen på regjeringen og SV er

og da er mitt spørsmål: Kan statsråden med hånda på hjertet love at de ungene som trenger skolehelsetjeneste, nå får det? Jeg tror det er like vanskelig for meg å gi et helt klart og entydig svar på det som det det var for Karin Andersen i forrige stortingsperiode. Men vi har det samme engasjementet for de barna som sliter, enten de sliter fordi de blir mobbet, eller de sliter med bakgrunn i andre utfordringer. Det er grunnen til at vi satser på skolehelsetjenesten, og det vi er tydelige på, er at disse satsningene skal vi ikke bare gjøre ett år og så snu oss og satse på noe annet til neste år. Vi gjør det det ene året etter det andre, og det gjør at kommunene kan føle seg trygge på at dette er prioriterte og viktige områder for regjeringen. Da forventer vi også at kommunene følger opp.

hvor vi legger fram for Stortinget viktige reformer i forbindelse med nasjonal helse- og sykehusplan, melding om primærhelsetjenesten, en opptrappingsplan for rusfeltet, ny folkehelsemelding og en melding om legemiddelpolitikken. Regjeringen vil ta alle gode krefter i bruk, og vi ønsker moderne og framtidsrettede løsninger i samhandlingen og samarbeidet mellom offentlige og private og ideelle aktører. Mangfold bidrar til valgfrihet, innovasjon og effektivitet. Det er pasientene som skal stå i sentrum for de endringene som vi gjør – vi skal skape pasientens helsetjeneste. Alle skal ha tilgang til likeverdige helsetjenester og god kvalitet. Gjennom økte bevilgninger, klare prioriteringer og nye løsninger viser regjeringen at den prioriterer helse- og omsorgssektoren. Målet er å sikre at enhver skal ha trygghet for at gode, offentlig finansierte helsetjenester er der både for dem selv og for deres familie når de har behov for det. Vi leverer på det vi lovte. Vi skal redusere unødvendig og ikke-medisinsk begrunnet venting for pasientene. Vi skal øke kapasiteten og styrke kvaliteten i pleie- og omsorgssektoren, og vi skal prioritere bedre behandling og forebygging innen psykisk helse rusfeltet. Neste år gjennomfører vi flere tiltak som til sammen bidrar til å redusere ventetidene. Det legges til rette for en vekst i pasientbehandlingen i sykehusene på 2,5 pst. Dette er en høy vekst sammenlignet med tidligere år. Samtidig avvikles dagens system med streng styring av aktiviteten i sykehusene. Det betyr at sykehusene kan behandle flere pasienter når de har kapasitet og økonomi til det.

diagnosesentre i alle helseregioner. Fra 1. januar innfører vi pakkeforløp for de fire store kreftformene, som i realiteten omfatter halvparten av kreftpasientene. Det vil redusere unødvendig venting og ikke minst gi norske kreftpasienter bedre informasjon og trygghet. I Norge er vi gode på overlevelse når det gjelder kreft, men vi er ikke like gode på pasientens opplevelser Mange opplever møtet med helsetjenesten som en ekstra belastning i en tung og vanskelig tid. Pakkeforløp for kreft er en viktig del av løsningen på dette. Vi får bedre ordninger innen fritt sykehusvalg og informasjon til pasientene om de eksisterende og de nye rettighetene som de får. For bedre kvalitet, kapasitet og valgfrihet i omsorgstjenesten har regjeringen foreslått en netto samlet styrking på nær 570 mill. kr i 2015. Satsingen ble forsterket i budsjettforliket, bl.a. med 30 mill. kr til velferdsteknologi. I fjor sluttet Stortinget seg til regjeringens forslag om å øke investeringstilskuddet for heldøgns omsorgsplasser. Dette gir nå resultater. Allerede 31. oktober er det innvilget tilskudd til mer enn 500 flere plasser enn i hele 2013. Regjeringen foreslår også å styrke kommunenes frie inntekter neste år med 300 mill. kr til rettighetsfesting og brukerstyrt personlig assistanse. Det er ikke rettigheten som koster penger, det er utvidelsen av tilbudet som koster penger. Regjeringen vil også ha en ny og forsterket innsats for mennesker med rusproblemer og psykiske helseproblemer. Derfor legger fram en opptrappingsplan for rusfeltet i 2015, melding om folkehelse og framtidens primærhelsetjeneste. Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre er enige om å løfte dem som altfor lenge har sittet nederst ved det helsepolitiske bordet. Derfor må vi styrke og bygge ut tilbudet til mennesker med psykiske helseutfordringer i kommunene. Det blir replikkordskifte. Før valget i fjor hadde vi en rekke diskusjoner partiene imellom, ikke minst mellom Høyre og

å være helseminister i en regjering der hovedsatsingen er så kraftig på skattekutt at den 1 pst. rikeste andelen av befolkningen får like mye utbetalt i skattekutt som alle landets sykehus får i vekst i sine budsjetter neste år. Det følelseslivet skulle jeg gjerne hatt et innblikk i, for det må ha vært en spesiell stund å sitte i disse regjeringsforhandlingene og være delaktig i det. Kan helseministeren opplyse Stortinget om hvordan en sånn prioritering er mulig å gjøre? Det føles godt. Det føles godt å være i en regjering som klarer å prioritere velferd og samtidig redusere skattene for framtidens velferd. For det er nettopp det dette handler om. Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen har i våre to første budsjetter lagt til rette for en høyere vekst i pasientbehandlingen sammenlignet med hva den rød-grønne regjeringen fikk vedtatt gjennom sine åtte år. Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen klarer å satse mer på psykisk helse og rusbehandling, løfte dem som altfor lenge har sittet nederst ved det helsepolitiske bordet, og Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen klarer også å la staten ta et større ansvar kapasitet, kompetanse og kvalitet i eldreomsorgen. Dette klarer vi, og samtidig prioriterer vi å gi skatteletter som sikrer at vi også i framtiden har arbeidsplasser i Norge som skal finansiere og bære velferden for oss alle. av psykisk syke med rusproblemer må bli bedre. Når spesialisthelsetjenesten sender disse pasientene ut til kommunene, har kommunene i mange tilfeller verken ressurser, kompetanse eller egnet bolig til den enkelte som kommer ut med store, sammensatte utfordringer. Å etablere bo-containere er ikke en god løsning, men det er en konsekvens av at vi ikke har vært gode nok til å hjelpe denne pasientgruppen. Regjeringen har bevilget 400 mill. kr til lavterskeltilbud i frie midler til kommunene. Kristelig Folkeparti er opptatt av at denne gruppen ikke blir nedprioritert når kommunene nå holder på med sitt budsjettarbeid. budsjettarbeid. Mitt spørsmål til statsråden er: Hva vil han gjøre for å sikre at denne gruppen får nødvendig hjelp og god oppfølging i kommunene? I det arbeidet har jeg fått god hjelp av Kristelig Folkeparti og Venstre, i det budsjettforliket vi nå har inngått, der også bevilgningene til dette formålet er økt med 10 mill. kr, som er målrettet mot å ta vare på og videreutvikle de gode felles-teamene som er etablert mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Jeg er veldig opptatt av at disse pasientene, som har sammensatte psykiske helseproblemer og rusproblemer, ikke skal ha en framtid der de skal bo på institusjon over lang tid, men kunne flytte hjem og leve og bo godt i sine kommuner. Men da må spesialisthelsetjenesten være med ut og hjelpe kommunene, og det legger dette budsjettforliket veldig godt til rette for. Samtidig er det i forliket øremerket 100 mill. kr til rusarbeid i kommunene,

Sjukepleiarforbundet skriv at fritt behandlingsval «vil innebære et omfang av privat kommersiell tjenesteyting som vi ikke har sett i norsk helsetjeneste før». Dette er sterke ord. Mine spørsmål er: Kvifor høyrer ikkje regjeringa på høyringsinstansane i denne saka? Kva føremål har det å innføra fritt behandlingsval, og å gi private selskap tilgang til ein norsk helsemarknad, der staten betalar?

for mennesker som er rusavhengige, og mennesker med psykiske helseutfordringer. Jeg er litt overrasket over at representanten Toppe framstiller dette som pasienter som ikke har avklarte problemstillinger. Hvis en ser på realiteten, er det disse to pasientgruppene som har den høyeste andelen som henvises direkte til behandling og ikke til utredning, nettopp fordi det er veldig avklart hvilken type behandling disse pasientene har behov for. Jeg reagerer sterkt på måten man framstiller disse pasientene på. Dette er også pasienter som i veldig stor grad har veldig sterke meninger selv om hvilke behandlingstilbud de ønsker å velge. Den muligheten ønsker jeg å gi Helseministeren vet veldig godt at den diskusjonen ikke handler om synet på pasienter, men om synet på kommersielle aktørers rolle i helsevesenet vårt. Men jeg skulle spørre om noe annet, for vi har i media de siste dagene fått nye avsløringer rundt bruk av ulovlig tvang, forekomst av underernæring og pleiere som har for lite tid til eldre i norsk eldreomsorg. – vet at det ikke er hele bildet om den kommunale eldreomsorgen i Norge, men vi vet også at denne typen ting skjer. Det er ikke noe nytt, og jeg skal ikke legge skylden for det på men jeg er litt forundret over de rådene helseministeren har gitt i media i dag, der han så sterkt betoner spørsmål knyttet til kompetanse hos de ansatte, når vi vet at de som virkelig lykkes, er de som gjør noe med antallet ansatte og øker grunnbemanningen, eller stopper stoppeklokkene i hjemmetjenestene til fordel for økt faglig skjønn og tillit. Før en kommunevalgkamp der det burde være høyt på dagsordenen, skulle jeg ønske vi fikk se en helseminister som argumenterte for flere folk og mer tillit i eldreomsorgen. Det kommer til å bli flere folk i eldreomsorgen, men det er også viktig med kompetanse. Det er ikke riktig at det ikke er en sammenheng mellom kompetanse og kvalitet – tvert imot. Det er godt dokumentert at det er en nøye sammenheng mellom kompetanse og kvalitet i eldreomsorgen. Derfor satser denne regjeringen over 400 mill. øremerkede kroner til kompetansehevingstiltak i kommunene. Men jeg er i dag glad for å se i media at SV også er enig med Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen i at staten må ta et større ansvar for å sikre kapasitet, kvalitet og kompetanse i den kommunale pleie- og omsorgstjenesten. Her skiller denne regjeringen seg fra den forrige regjeringen, hvis helseminister gang på gang, når denne typen problemstillinger dukket opp, bare skyldte på kommunene.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

framtida. Jeg må si at det ga meg et godt grunnlag for å starte dette innlegget. Jeg mener at nettopp Arbeiderpartiets opplegg viser med full tyngde at man innenfor den økonomien vi har her i Norge, har mulighet for å foreta viktige prioriteringer. Det at man nå ikke begir seg inn på den skatteprofil som regjeringspartiene og også samarbeidspartiene har begitt seg inn på, gir oss et betydelig valg og også muligheter for å foreta satsing

når man ser på det budsjettforslaget som kom fra regjeringa, å anklage opposisjonen for nærmest ikke å ha satsing når det gjelder f.eks. utvikling av norsk skognæring. Vi ser i Arbeiderpartiets budsjett, som vi kommer til å stemme for, at man har valgt ikke å kutte i forskninga på det som er kanskje noen av de fremste næringene våre, altså jord, skog har ikke valgt å foreta det kuttet som regjeringa foreslo, man har valgt å øke med nærmere 40 mill. kr. Når det gjelder infrastrukturen, som er viktig bl.a. i skogbruket – havner og skogsbilveier og hva det måtte være – foretar man fra Arbeiderpartiets side en betydelig økning, en satsing på henimot 40 mill. kr, som kanskje er noe av det aller viktigste vi kan gjøre for disse næringene. samme med verdiskaping i skog, hvor man opplever kutt, mens vi foreslår en betydelig styrking. Dette er noe som det er gitt rom for nettopp fordi man foretar valg og prioritering. Man mener at det å dele ut betydelige beløp til dem som har mest fra før, ikke nødvendigvis skaper mest, og at man heller bør begi seg inn i den type aktivitet etter at man i så måte har skapt. skapt. Det som jeg med undring også ser, som man kanskje glemmer i denne debatten, særlig fra representanten Gundersens side, er at det tydeligste løftet som kom fra Høyre både i valgkampen og gjennom tidligere år, at man skal bidra til vesentlig bedre arrondering av jord- og skogbrukseiendommer og gi noe dempet skattetrykk i gevinstbeskatninga – og det står endog også i regjeringsplattformen – har man tydeligvis også i denne runden forlatt. Det

En økende og aldrende befolkning samt stadig større muligheter innen medisinsk behandling gjør det viktigere enn noen gang å tilpasse helsetjenesten til fremtidens befolknings- og sykdomsbilde. Det er en utfordring at enkelte med stort behov for hjelp ikke får den hjelpen de trenger. NRK har gått igjennom rapporter fra flere deler av helsetjenesten, utarbeidet gjennom de siste årene. Dommen er – som Lysbakken var inne på – klar: Innen helse og omsorg er det mye å ta tak i. Regjeringen kom ikke til dekket bord. Tvert imot var det å se på helsetjenesten med nye øyne en viktig årsak til at folket kastet den rød-grønne regjeringen i fjor. Dagsrevyens innslag i går kveld var en god bestilling og viste godt hvilke arbeidsoppgaver som står foran oss helsepolitikere, og hvor vi må satse. Vårt budsjett vil redusere ventetiden for pasientene. Kapasiteten øker, og kvaliteten Det bevilges mer til raskere behandling og forebygging av psykiske helseutfordringer og bedre tilbud til rusavhengige. Pasientene og deres behov må settes i sentrum for utvikling og endring av helsetjenesten. Det er behov for å styrke og modernisere helse- og omsorgstjenesten i kommunen og sikre en bedre samordning av helsetilbudet. Omsorgen for eldre og pleietrengende må bygges videre ut for å gi alle som trenger det, et tilbud som innebærer kvalitet og aktivitet. Vi vil ta i bruk alle gode krefter for å sikre pasientene helsetjenester av høy kvalitet, med mer valgfrihet og større mangfold i tilbudet. Et eksempel er ordningen som gjelder pakkeforløp for kreft, som kommer fra januar neste år. Den skal sikre at folk ikke forsvinner i systemet, at de vet hva som er neste skritt, og at de får god behandling raskere. Det er ikke mer penger budsjettpost for budsjettpost som sikrer helsevesenet inn i fremtiden, men en helhetlig politikk som ser systemet i sammenheng, som setter pasienten i sentrum. Systemet har mange forsvarere her i salen, men vi er ikke valgt for å forsvare systemet. Vi er valgt for å forvalte det – aller helst også forbedre det. Vi har større ambisjoner enn bare å bygge videre på dagens system. Vi vil bygge nytt og bedre. Det hevdes fra enkelte hold at helsevesenet fungerer bra, bare man tilfører mer penger. Men med begrensede personalressurser og et stigende antall innbyggere – og Vi må finne nye og bedre løsninger som gjør at våre samlede ressurser virker best mulig sammen. I trontalen, som er regjeringens kortnotat over neste års prioriteringer og vektlegginger, varslet regjeringen at oljen ikke lenger skal være motoren i norsk økonomi. Dette er et svært viktig signal, av mange grunner. Oljen har gjort oss rike, men også sårbare. Hovedgrunnen til vår velferdsvekst de siste 40 årene finner vi nettopp i olje- og gasseksporten. Norsk leverandørindustri er i verdensklasse. Den har hjulpet godt med tanke på den massive verdiskapingen som vi har fått. Samtidig er Den har hjulpet godt med tanke på den massive verdiskapingen som vi har fått. Samtidig er vi blitt sårbare overfor det vi nå står overfor. Når oljeprisen har falt med 20 pst. siden i sommer, betyr det permitteringer og oppsigelser. Resultatet av torsdagens OPEC-toppmøte var heller ikke oppløftende. Dette vil prege hverdagen til folk i hele landet, og – som finansministeren var inne på tidligere i dag vi vil også merke det i norsk økonomi. Norge er olje- og gassnasjonen, men vi er også fornybarnasjonen, med vannkraft i bøtter og spann. Vi er også storleverandør av fisk til hele verden. Ut fra våre naturressurser kan vi også ta en ledende rolle innenfor bioøkonomien. Vi har ressursene, vi har kompetansen, og vi har penger på bok. Vi har en ypperlig kyst der vi kan produsere alger, det blå gullet i bioøkonomien vi vet bare ikke omfanget ennå. Dyrking av tare er også i tråd med regjeringens langtidsplan for forskning, som omhandler hav, klima og miljø. Landet vårt gror igjen, bokstavelig talt. Det tas ut mindre trevirke enn tilveksten er sammensatt, men vi kan gjøre noe. Vi kan begynne med å plante mer skog, selv om det høres rart ut. Vi kan bruke mer tømmer. Vi kan forske på bruksområder. Vi kan utvikle markedet, bl.a. gjennom å øke kravet til innblanding av biodrivstoff i bensin og diesel. Og vi kan endre avgiftene, slik at tømmeret vinner i konkurransen mot andre, forurensende Dette er ting som Venstre og Kristelig Folkeparti – sammen med regjeringspartiene – fikk på plass i forhandlingene om dagens budsjett. Det skjer også imponerende forskning og utviklingsarbeid når det gjelder fornybare ressurser i Norge. Vi er blant verdenseliten, og det må vi ta vare på. Vi skal ikke ha oljen som hovedmotor i norsk økonomi. Jeg mener at vi trenger en ny bioøkonomistrategi i dette landet, en strategi som regjeringen kan utarbeide i samarbeid med næringslivet og organisasjonene. Sammen kan de meisle ut de overordnede – og også de konkrete – forslagene om hvordan bioøkonomien kan bli motoren i norsk økonomi. Mitt mål er at når vi neste år står i denne sal og debatterer budsjettet for 2016, debatterer vi også virkemidler for hvordan bioøkonomien kan ta Norge videre framover.

Det er likevel mange likheter mellom oss. Sosiokulturelt er vi ganske like, og når det gjelder levealder, er vi helt like. Nokså lik er også andelen brutto nasjonalprodukt som vi bruker på helse, begge land er omtrent på OECDs snitt på 9,3 pst. Jeg må si jeg ble veldig imponert over Australia, som har gjort helse til sin største industri og eksportvare. Samtidig bygger det seg opp innen olje og gass, og i dag er det 45 norske bedrifter som er representert i Vi bør gå den andre veien og veksle inn deler av olje- og gassformuen i helseindustri og helseinnovasjon, bl.a. ved å få australske bedrifter til Norge, men ikke minst ved å utvikle et helseuniversitet i verdensklasse, få fram helseforskere i verdensklasse, etablere et innovasjonssenter innen helse og bli enda bedre på helseutdanning og rekruttering. Med det omforente budsjettet her i dag tar vi noen viktige skritt på veien til å utvikle en ny Vi skal møte veksten i den norske sektoren fram mot 2040. Ikke minst vokser det fram et stort behov og store markeder for helsetjenester og teknologi i verden, med en befolkning på vei mot 9 milliarder mennesker. Samarbeid internasjonalt vil bli en av Norges viktigste strategier de neste årene når det kommer til helse. Dette budsjettet leverer en betydelig satsing på såkornfond. Bevilgningene innebærer to nye såkornfond på Basert på en 50–50-fordeling mellom offentlig og privat kapital betyr det en kapitaltilførsel på mer enn 600 mill. kr. Satsingen er et stort skritt framover for å bygge nytt kunnskapsbasert næringsliv, deriblant innenfor helse. Venstre la i fjor fram et forslag til helsebyggordning for å bidra til å gjøre en langsiktig utviklingsfase noe smidigere gjennom skatte- og avgiftsincentiver. Vi hilser også velkommen en debatt om å åpne for knyttet til medisinsk forskning i sykehusene, ikke bare ved universitetene. Venstre vil være en pådriver for å legge til rette for at gründer og kapital skal finne hverandre, og for å finne organisasjonsformer innenfor helsesektoren som skaper både tjenester og mer knoppskyting. En gryende vekstsektor innen den australske helseindustrien er e-helse og telemedisin. Her kan Norge ta en tetposisjon globalt sammen med dem og våre naboland. Venstre har ambisjon om at vi i Norge skal ta i bruk både telemedisin og velferdsteknologi i stor skala for å gi pasienter og hjemmeboende bedre tjenester og økt trygghet. Vi er derfor veldig glad for at vi fikk gjennomslag i forhandlingene for et stort nasjonalt prosjekt innen velferdsteknologi rettet mot hjemmeboende kronikere. Med dette kan vi få viktige erfaringer for å ta i bruk ny velferdsteknologi i stor skala. Fram mot nye kommuner og en ny primæromsorg er dette en viktig investering.

Det gjør de med bakgrunn i kommuneproposisjonen og de endringene som er kommet i 2014. Da er det dessverre sånn at det er ingen store endringer i dagens budsjett som vil bedre situasjonen noe vesentlig for disse kommunene og fylkene. Dette vil ikke minst mitt hjemfylke, Nordland, merke. Som kjent er det et av de fylkene som kommer meget dårlig ut med regjeringens politikk. Selv etter en økning på 60 mill. kr. til fylkeskommunene i forliket, til fylkeskommunene i forliket, kommer de særdeles dårlig ut med de nye kostnadsnøklene. Nordland kommer dårlig ut, og man må også leve med usikkerheten for årene 2016–2019, som de også er nødt til å budsjettere for i disse dager, fordi de ikke vet. Den nye fordelingsnøkkelen rammer Nordland og Sogn og Fjordane ekstra hardt. Kuttene i regionale utviklingsmidler husker vi gikk hardest ut over Nordland, med Når man i tillegg ikke vil kompensere for manglende skattesvikt, blir det store utfordringer for kommunene. En annen stor kostnadsøkning for fylkeskommunene er økte kostnader til ferge og hurtigbåter. Vi ser at ved nye anbudsrunder øker kostnadene opp til 40–50 pst., som de ikke blir kompensert for. Arbeiderpartiet vil utsette innføringen av de nye kostnadsnøklene, da disse rammer enkelte fylker urimelig hardt. Arbeiderpartiet har også foreslått å øke bevilgningene til kommuner og fylker med 3,4 kr. Og sist, men ikke minst, vil vi kompensere for manglende skatteinngang i 2014, som nå nærmer seg 3 mrd. kr. Dette vil ikke regjeringen, og viser til at KS mener det er et bra budsjett, og at det ikke er behov for kompensasjon for skattesvikten. Er det slik, eller er det kanskje slik at flertallet i KS styres av regjeringens syn og ikke av medlemskommunenes syn? Som tidligere ordfører i en distriktskommune vet jeg at dette vil smerte mange som sliter med årets drift og ikke minst arbeidet med budsjettet for 2015. En god kommuneøkonomi er avgjørende for å gi gode velferdstilbud, men her ser vi at regjeringen prioriterer skattekutt framfor økt velferd. Regjeringen viser manglende vilje til å satse på kommunene. For eksempel ville min hjemkommune, Hemnes, fått 2 mill. kr mer med vårt budsjett.

Regjeringen har lagt fram et budsjett som ruster Norge for årene framover, og som løser viktige utfordringer i dag. For at Norge inkludert Nordland fortsatt skal være et av verdens beste land å bo i, er det viktig at vi fortsetter å sikre trygge arbeidsplasser. Vi har i dag en særnorsk kostnadsutfordring som svekker norskeide arbeidsplasser i internasjonal konkurranse. Derfor gjør vi det mer lønnsomt å investere i norske arbeidsplasser ved å redusere formuesskatten. Nordland er Norges tredje eller fjerde største eksportfylke. Også dagens nyhetsbilde fra NRK Nordland forteller om en gledelig utvikling bl.a. for havbruksnæringen med bakgrunn i lav kronekurs på grunn av lavere oljepris. Dette viser at verdensbildet også påvirker Nordland. Men når jeg er i kontakt med innbyggere og næringsliv i Nordland, er det én gjennomgående tilbakemelding: Sats på samferdsel. Derfor er jeg veldig glad for og fornøyd med regjeringens store satsing på noe av det viktigste for eksportfylket Nordland, nemlig samferdsel. Regjeringen sørger med sitt budsjettforslag for en raskere bygging av vei og bane. Bare for Nordlands del utgjør denne direkteinvesteringen 142,3 mill. kr til fylkesveier. Det gleder meg at vi med denne satsingen kan bli «plaget» med veiarbeid flere steder i vårt langstrakte fylke. Jeg er også godt fornøyd med at regjeringen beholder og styrker ordningen med rentekompensasjon for fylkene, som de rød-grønne ønsket å fjerne. E6 Helgeland nord leveres, og her reduserer vi bompengesatsen, som dermed gir en lavere regning både til næringsliv og til folk flest – dette i tillegg til mange andre gode For første gang siden fylkeskommunene overtok ansvaret for tidligere riksveier i 2010, stanser vi veksten i vedlikeholdsetterslepet på vei, som vokste under den rød-grønne regjeringen. Satsingen gir innbyggerne økt trafikksikkerhet og framkommelighet, og det gir næringslivet mer forutsigbarhet og framkommelighet for varene sine. Jeg kan heller ikke la være å kommentere

rask og rettssikker straffesaksbehandling og strafferettslige reaksjoner som sender helt klare signaler om at uønsket atferd ikke tolereres. Vold mot barn er et stort samfunnsproblem. Regjeringen jobber aktivt med flere gode tiltak som viser at problemet tas på alvor. Ett av tiltakene, Statens Barnehus, har fått økt sitt budsjett til 90 mill. kr for

som ikke sliter med å få endene til å møtes, men som har jobb og gode muligheter, skal få enda mer. Derfor er det ganske opprørende at regjeringen velger som den gjør. De tror at flere skal komme i jobb ved at færre får hjelp til å komme i jobb når de kutter i tiltakene, f.eks. når man kutter i overgangsstønaden for enslige forsørgere sånn at de ikke skal kunne kvalifisere seg i tre år. Ett år er nok, sa statsministeren her i spørretimen for noen uker siden. Det sier vi ikke til noen andre som starter noe utdanningsløp i dette landet. Vi vet at man må ha kvalifisering for å kunne få jobb, og særlig hvis man alene skal kunne forsørge seg sjøl og ungene sine. Dette er helt motsatt av det vi bør gjøre.

at vi bruker penger på forebygging, på f.eks. helse. Der bruker vi omtrent like mye – på frukt og grønt og mat til skolebarna – som regjeringen og samarbeidspartnerne bruker på taxfree alkohol til de voksne. Jeg vet veldig godt hva det er som er best: forebyggende helsearbeid. Vi har diskutert øremerking, og jeg er veldig opptatt av at skolehelsetjenesten. Nå var akkurat helseministeren på talerstolen og sa at han hadde trygghet for at de skal få den hjelpen de har krav på, og at man derfor øremerker. Ja, akkurat. Det er derfor SV vil øremerke pengene til skolehelsetjenesten, for når vi ikke gjør det, blir det ikke skolehelsetjeneste. Det kan like gjerne bli

men det endelige resultatet er så visst til å leve med også for Fremskrittspartiet. Vi har grundig satt vårt fotavtrykk på budsjettet landet skal styres etter det kommende året. Valget i fjor viste at folk ønsker en ny kurs, en ny retning, og ikke mer rød-grønn trenering fra en sliten rød-grønn regjering. Nå er Høyre og Fremskrittspartiet på god vei til å levere det velgerne ba om. Det er betryggende å se at store og tunge områder som samferdsel, helse og justis er vinnerne i budsjettet. Dette er områder som Fremskrittspartiet har kjempet for i alle år, og hvor vi nå får levert, nettopp fordi vi sitter i regjering. For meg som kommer fra Buskerud, er det en glede å se samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vise sin handlekraft gjennom å få fart på prosessen med ny E16 til Hole og Ringeriksbanen mellom Sandvika og Hønefoss, noe som vil gjøre ringeriksregionen enda mer attraktiv både å bo i og å virke i. Det vil føre til nyetableringer og nye arbeidsplasser, folks eiendommer vil bli mer verdt når reisetiden til Oslo blir redusert, og hele regionen vil få et løft. Dette viser at infrastruktur, det være seg veier eller kollektivtransport, bygger landet. For første gang går vedlikeholdsetterslepet på jernbane tilbake, og takket være dette budsjettet blir det også mer og bedre veier landet over, som skal gi en deilig lukt av nylagt asfalt over hele vårt langstrakte land. Sett gjennom Buskerud-brillene er det gledelig at den nye regjeringen også øker farten for å få realisert en ny kryssing over Oslofjorden, sikrer prøvedrift og trolig også permanent gjenåpning av Steinberg stasjon i Nedre Eiker, har funnet planleggingsmidler til ny rv. 35 mellom Hokksund og Åmot, og har ambisjoner for å løse utfordringer knyttet til rv. 23 i Røyken og Lier, E134 forbi Kongsberg og også har funnet midler til planlegging av prosjektet rv. 7 Hardangervidda. For Buskeruds del kommer også tildeling av midler til Modum Bad og flere rehabiliteringsvirksomheter, og også 5 mill. kr gjennom forhåndstilsagn om spillemidler til verdens største hoppbakke, skiflyvningsbakken i Vikersund, som La meg avslutningsvis si at mye arbeid gjenstår, men at det er betryggende å kunne slå fast at regjeringen er på riktig vei. Det leveres gode løsninger på løpende bånd, og i bunnen for det meste ligger det megetsigende ordet «handlekraft». Det er hva denne regjeringen viser og i fremtiden skal huskes for, nemlig at den er handlekraftig og får ting til å skje, gjennom politikk som bringer landet vårt fremover.

at vi klarer å fortsette omstillinga for å nå lavutslippssamfunnet, det samfunnet der det lønner seg å velge grønt, og der det koster å forurense, et samfunn som tar sosialt ansvar, både for verdens fattigste og for dem som faller utenfor i Norge, gjennom tiltak for å hjelpe enda flere inn i arbeidslivet eller forhindre at de faller ut.

og enda flere barnehageplasser, slik at en kan velge selv. Det er en tydelig prioritering av kunnskap og høyere utdanning, og det er en sterk satsing på de yngste elevene gjennom økt lærertetthet. På Sørlandet, som blir kalt den glemte landsdel, er det en tydelig satsing på E18 Tvedestrand–Arendal, som kommer i 2015/2016, og det er en satsing på rv. 9 og også på Ved UiA er det kommet nye stipendiatstillinger – sammen med universitetene i Stavanger og Nordland, som jo er de nye. På justisbudsjettet løfter en det viktige aspektet med trygghet for sårbare grupper. Det er en rekordstor satsing på politiet. Men Kristelig Folkeparti er ekstra stolt av at vi har fått inn midler til kampen mot menneskehandel – eller slaveri, som det egentlig er. I verden i dag er det kanskje så mange som 30 millioner mennesker som lever i slaveri, det er mer enn noen gang. I Norge vet vi at det er noen tusen, og vi har sett store overskrifter rundt Lime-saken, med arbeidslivskriminalitet, og vi vet at det også er mange som jobber som sexslaver. Nå skal det etableres fem grupper, eller grupper, eller grupper med etterforskere, jurister, i de fem største politidistriktene eller byene, som skal jobbe grundig med å etterforske mer menneskehandel. Vi har også fått gjennomslag for enda mer satsing på vold i nære relasjoner, noe som er et alvorlig samfunnsproblem – det koster samfunnet kanskje så mye som 6 mrd. kr årlig, viser anslag, og så mange som 100 000 barn kan være direkte eller indirekte rammet. Budsjettet for neste år for f.eks. barnehusene økes fra 60 mill. kr til 90 mill. kr. Det er en tydelig satsing på en gruppe som trenger vår Så langt i debatten er nok det meste blitt sagt om hva vi mener om dagens budsjettforslag, og i all beskjedenhet mener jeg at Arbeiderpartiets budsjettforslag er bedre for det norske folk enn budsjettet til regjeringen og dens støttespillere. Jeg påstår dette, for jeg mener at det sosialdemokratiske verdisyn trumfer verdiliberalismen som ligger i bunnen hos de blå-blå partiene. Som distriktsrepresentant vet jeg at denne påstanden holder, fordi jeg ser at fellesskapstanken som vi alle er avhengig av, settes i spill på bekostning av å dyrke de få. Representanten Martin Kolberg beskrev det så utrolig godt i sitt innlegg tidligere i kveld. Mange har med glimt i øyet beskrevet Finnmark som de tre t-ers fylke. En god venn av meg definerte de tre t-ene som tipping, trygd og tilskudd. Mange vil kanskje si at det er noe i det, men sannheten er at gjennom de siste åtte årene har den rød-grønne politikken bidratt til at de tre t-ene i dag står uten innhold. I likhet med i resten av landet ble det skapt mange nye arbeidsplasser også i Finnmark, hvorav de fleste ble skapt innenfor privat sektor under den forrige regjeringen. En av de viktigste oppgavene til det offentlige som det offentlige skal ivareta, er bl.a. innenfor næringspolitikk, og det er å legge til rette for aktivitet. I det bildet handler det om så mye mer enn bare å fokusere på formuesskatt.

Som et av mange tiltak i regjeringens iver for å forandre Norge tok de bort vel 40 mill. kr fra regionale utviklingsmidler for Finnmarks del, med den begrunnelsen at man ville bruke dem på vei. Realiteten er at i Finnmark fylkeskommune gikk kun 20 mill. kr til det formålet, resten ble borte, trolig som et bidrag til å finansiere skattelette. Når representantene fra Høyre forsvarer en slik omprioritering, blir det noe kvalmt over deres løfter om å skape vekst over hele landet.

Landbruket er en svært viktig næring for distriktene, også i Finnmark. Jeg har også lyst til å gi tilbakemelding til landbruksministeren i forbindelse med reintallsreduksjonen: Ta godt vare på dem som allerede har gjort jobben, de fortjener bedre enn å måtte begynne den på nytt.

Svaret frå posisjonen har blitt kontant tilbakevist frå regjeringa og samarbeidspartia si side med at dette handlar om å gje næringslivet gode rammevilkår og bevare og skape nye, trygge arbeidsplassar. I mitt heimfylke, Telemark, hadde NRK eit oppslag no i november med overskrifta «Norske investorer svikter industrien». Ingen norske investorar har vore villige til å investere i ny magnesiumfabrikk på Herøya i Porsgrunn, men magnesiumfabrikken er no nær ved å ha finansiert oppstart av første fase ved hjelp av utanlandske investorar. Ein potensiell norsk investor uttala då til NRK at ein av grunnane til at norske investorar sit på gjerdet, er så lenge me har den særnorske ekstraskatten på norske arbeidsplassar, då er det ikkje attraktivt å investere. Dette handlar òg i I distrikta er det ofte små familieeigde bedrifter. Mange plassar er dei hjørnesteinsbedrifter, der det ikkje er like lett å skaffe anna verksemd. For ei stund sidan fekk eg ein mail frå ei slik bedrift, eit familiedrive hotell i Vrådal i Vest-Telemark med 40 årsverk. Hotelleigaren skriv at som eigar av ein mellomstor bedrift i Utkant-Noreg er han og familien blant dei mange tusen som føler denne skatten som ei ekstremt stor belastning. Han skriv at det han betalar i formuesskatt, skulle han gjerne beheldt for å framskaffe eit anna resultat og ikkje minst brukt midlane til investeringar og produktutvikling. Vidare skriv han at han opplever det som konkurransevridande at det i nabokommunen er ein turistdestinasjon med utanlandske eigarar, som i alle år har sloppe å betale denne skatten. Han spør om det er rettferdig – og er det ikkje slik at me ønskjer å stimulere til norsk og gjerne lokalt eigarskap?

Når det gjelder den sosiale profilen på familieområdet, vil jeg nevne forlikets endringer på barnetillegg, overgangsstønad og skatt, den økte engangsstønaden, at flere familier med lave inntekter får lavere foreldrebetaling i barnehagene, maksprisøkningen er utsatt, tilbudet om gratis kjernetid i barnehage for fire- og femåringer i husstander med lav inntekt utvides, og at 42 er satt av til gratis barnehage for barn som bor i asylmottak. Kristelig Folkeparti er glad for at norske familier styrkes ved at familievernets budsjetter økes kraftig. Flere får mulighet til å delta på samlivskurs og foreldrekurs, og ideelle familie- og barnesentre som Aglo, Vilde, Sebbelow, Nanna-Marie og Solstrand reddes fra nedleggelse.

Budsjettet til fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker økes med 10 mill. kr, og det settes av mer midler til rekruttering av fosterhjem. Forliket innebærer også 2 mill. kr mer til økt støtte til ferietiltak for vanskeligstilte barn og 2 mill. kr til tilskudd til organisasjoner på barnevernsområdet, altså Forandringsfabrikken. Kristelig Folkepartis alternative budsjett rommer så mye bra på familieområdet og ellers. Det er jo det som er vårt primære standpunkt, og som vi selvfølgelig i tiden framover kommer til å arbeide mer med. Jeg håper at regjeringen også tar med seg Kristelig Folkepartis alternative budsjett når de nå skal i gang med arbeidet med budsjettet for 2016, for der ligger det veldig mange gode prioriteringer på de områdene som jeg nå har nevnt. Min hovedkonklusjon vil være at Folkeparti er glad for at budsjettet for 2015 etter forliket har en bedre sosial profil, også på familieområdet.

ikke systemet og et maktapparat. For å få til det er det behov for nytenkning, og man må sette inn ressurser til dem som trenger det mest. Man må ta noen nye grep, for etter hvert har det vokst fram et todelt helsevesen der de som har økonomiske ressurser og en arbeidsgiver som kan betale for en, har mulighet til å kjøpe seg ut av køer. Under den rød-grønne regjeringen vokste køene innen rus og psykiatri, og det er nettopp denne pasientgruppen vi vil prioritere opp. Det er de som sitter nederst ved det helsepolitiske bordet. For å få det til er det nettopp det nye grepet, reformen for fritt behandlingsvalg, som innføres. Den skal redusere ventetider, øke valgfrihet og stimulere Den skal mobilisere ledig kapasitet hos ideelle, private og offentlige sykehus. Arbeiderpartiet kaller reformen for fritt behandlingsvalg for en prestisjereform. Vi kaller det reformen som setter pasienten i sentrum. Arbeiderpartiet er så bundet av ideologi at de ikke klarer å se at nye reformer vil gagne pasientene. Fritt behandlingsvalg vil først og fremst styrke pasientens rettigheter. Det har Høyre,

Regjeringen sørger neste år for en høyere vekst i pasientbehandling sammenlignet med tidligere år. Arbeiderpartiet prøver å gi et annet inntrykk. Det er feil. Det legges til rette for en pasientvekst på om lag 2,15 pst. Helseforetakene får også et økt handlingsrom til å inngå leieavtaler til utstyr og bygg. Foretakene kan nå lease nytt medisinsk-teknisk utstyr som bidrar til bedret pasientbehandling og ressursbruk. Det hevdes fra de rød-grønne at reduksjon i den særnorske formuesskatten kunne ha vært brukt på sykehus. Man må ha to tanker i hodet samtidig i et budsjett. Den ene tanken er å øke velferden, den andre samtidig å gi næringslivet bedre rammebetingelser. Penger må tjenes før de kan brukes. Slik kan man på sikt styrke sykehusøkonomien enda mer.

Så ble det riktignok tatt noen grep av Kristelig Folkeparti og Venstre som har rettet opp i noen av de groveste utslagene i regjeringens forslag, men hovedgrepet ligger fast. Det har vi fått bekreftet. Det er store skattekutt til de aller rikeste her i landet, som dominerende enkeltsak. Dette budsjettforslaget trekker Norge i feil retning og tar ikke høyde for de store utfordringene som vi ser komme de nærmeste årene.

Kommunestyrene Norge over får nå lagt på bordet kuttforslag og forslag om innføring av eller økning av eiendomsskatt. Dette gjør de ikke fordi de synes det er veldig gøy å innføre eiendomsskatt eller å kutte i tjenestetilbudet, men rett og slett fordi det er nødvendig for å holde kommunen økonomisk flytende, på samme tid som regjeringen altså bevilger milliarder av kroner i skattelette til Norges aller rikeste. Så må kommunene ta en skattesmell på ca. 3 mrd. kr, for der har ikke regjeringen funnet midler til å hjelpe. Så statsråd Sanner bør straks slutte med å fortelle usannheter om Arbeiderpartiet. Han bør heller ha ryggrad til å stå opp for egen politikk, selv om den er aldri så dårlig. Kommunene i Østfold ville f.eks. fått om lag 130 mill. kr mer om Disse pengene hadde gått rett i velferdsproduksjonen ute i kommunene der folk faktisk bor. De hadde sluppet å ta skattesmellen med Arbeiderpartiets forslag. Det er det som er fakta, og det burde også statsråd Sanner være redelig nok til å akseptere. Arbeiderpartiet vil at Norge skal gå i en annen retning enn den som regjeringen nå foreslår. Vi vil at Norge skal gå i en retning hvor fellesskapet prioriteres, og hvor felles løft for å sikre og bygge

jeg er taleskriver for Arbeiderpartiets stortingsgruppe i dag, for jeg må med hånda på hjertet si at det er langt mellom lyspunktene. I debatten i dag diskuteres likhet og større ulikheter. Det er ganske merkelig at man ikke kan vektlegge satsing på skole og bedre kvalitet i helsetjenestene og si at det vil skape større likhet og mindre forskjeller. Det er en retorisk øvelse jeg ikke klarer å henge med på. Vi diskuterer næringspolitikk og utvikling av næringslivet. Det er merkelig at man ikke ser at en storstilt satsing på samferdselsinvesteringer og veivedlikehold hjelper næringslivet, skaper næringsutvikling og øker verdiskapingen. Det er også en retorisk øvelse jeg ikke helt henger med på. Skatteletter for å øke konkurransekraften til norske arbeidsplasser ligger i budsjettet, og her må jeg få lov til å stoppe opp, for her har det tatt helt av i Nord-Norge. Filosof og stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes jeg få lov til å stoppe opp, for her har det tatt helt av i Nord-Norge. Filosof og stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes svingte seg til de store høyder tidligere i høst, da det ble kjent at selskapet Hurtigruten ASA skulle selges til engelske investorer. Da tordnet han i nettavisen Nord24: «Når eierskapet flyttes ut av landet, til en investorgruppe i skatteparadiset City i London, er det stor grunn til bekymring langs kysten for at dette kan gjøre ryggraden for kystfolket til et spekulasjonsobjekt.» Det kan jo være grunn til å være bekymret når man plutselig får nye eiere i et så sentralt selskap som Hurtigruten ASA. Hurtigruten er et stort lokomotiv for reiselivet i landsdelen og langs kysten. Den er et lokomotiv som har hjulpet små aktører til å lære seg å tenke på både marked og kvalitet og til å utvikle gode reiselivsprodukter. Gjennom vintersatsingen har den vært en viktig aktør for nordlysturismen og vinterturismen som har kommet nå. Men det merkelige med inngangen til Torgeir Knag Fylkesnes, er at utenlandske eiere eiere vil man ikke ha, og da må staten inn og kjøpe. Hvis vi er så bekymret for utenlandsk eierskap, bør vi sette oss ned og se på skattesystemet vi har i Norge. Hurtigruten ble verdsatt til 2,94 mrd. kr. Det er et selskap som ikke har tjent penger de siste ti årene, og det har tapt 1,4 mrd. kr. Likevel er det sånn at hvis norske interessenter skulle gått inn og kjøpt det selskapet, ville de hvert år ha fått en formuesskatteregning fra staten på 29,5 mill. kr. Da blir det litt merkelig at vi har røde politikere fra landsdelen som springer rundt og sier at man er kapitalfattig ditt og kapitalfattig datt. Vel, å gjøre noe med skattesystemet er den første måten å tilføre kapital på og sørge for et sunt, norsk eierskap i Norge.

mellom skole og arbeidsliv, rekruttering av yrkesfaglærere og flere læreplasser. Jeg hørte innlegget til kunnskapsministeren tidligere. Han var svært offensiv i retorikken. Da tenkte jeg at de gangene jeg hører ham såpass offensiv i retorikken, er det fordi han egentlig er på defensiven. Jeg skulle ønske han brukte all den energien på yrkesfagene. Kunnskapsministeren kalte budsjettet historisk. Jeg tror han har rett. Jeg tror det er første gang, i hvert fall på mange, mange år, at en kunnskapsminister og en regjering legger fram et budsjett med kutt til yrkesfag. Når man legger sammen alle reduksjoner og påplussinger, kommer man fram til at regjeringa til neste år vil bruke mindre penger på yrkesfag enn det man gjør i år. Likevel snakkes det om et yrkesfagløft. I det samme budsjett der den store satsinga er skattekutt om et yrkesfagløft. I det samme budsjett der den store satsinga er skattekutt og man bruker hundre ganger mer på skattekutt enn til skole, snakkes det om et løft. Det er bare i Høyre og Fremskrittspartiets retorikk at kutt blir til løft, at mindre blir til mer, at stillstand blir til framgang. I virkelighetens verden fins det nesten ikke spor av et yrkesfagløft i statsbudsjettet. I virkelighetens verden er ikke kutt det samme som satsing. Heldigvis reddes kunnskapsministeren i land av gjennom en økning i lærlingtilskuddet. Men det er likevel ingen grunn til å heise flagget. Jeg vet at det er flere enn Arbeiderpartiet som etterlyser oppfølginga av stortingsmeldinga om yrkesfag. I regjeringas lærerløft omtales yrkesfag en eneste gang, og det er når det slås fast at frafallet på yrkesfag er et alvorlig problem. Arbeiderpartiet vil satse på fagarbeideren og på yrkesfag. Vi vil øke støtta for å skaffe flere læreplasser, så elevene får fullført utdanninga. Vi vil gi skolene oppdatert utstyr på fagutdanninga. Vi mener yrkesfaglærerne også fortjener oppmerksomhet og vil gi dem kompetanseløft. Og ikke minst: Vi vil at elevene skal møte et anstendig og trygt arbeidsliv når de er ferdig utdannet. Vi kan gjøre det fordi vi prioriterer skole foran skattekutt, og vi gjør det fordi det regjeringa sjøl mener er et alvorlig problem, burde følges opp av offensiv satsing, ikke bare av offensiv retorikk. Regjeringen har lagt frem et budsjettforslag, og senere et budsjettforlik, som løser viktige utfordringer i dag, og som gjør Norge mer robust for fremtiden. Flere har i løpet av denne debatten vært inne på den makroøkonomiske situasjonen og flere anslag som er preget av usikkerhet og endring, som bl.a. den fallende oljeprisen og mindre vekstimpulser fra petroleumssektoren inn i norsk økonomi. Nylig hadde OPEC sitt møte, og det at de ikke klarte å samle seg om noen regulatoriske tiltak, gjør jo at vi må forvente at oljeprisen kanskje vil være vedvarende lav over en periode. Dette gjør at vi trenger et budsjett som stimulerer til omstilling. Regjeringens forslag til statsbudsjett, med de endringer som ligger i budsjettforliket med Kristelig Folkeparti og Venstre, mener vi er godt tilpasset norsk økonomi og de utfordringene Norge Avtalen om statsbudsjettet for 2015 viderefører og forsterker enigheten fra Nydalen, og alle de fire partiene har fått satt sitt preg på budsjettet. Det er et budsjett som vil styrke norsk konkurransekraft og verdiskaping, et budsjett som vil forsterke det sosiale sikkerhetsnettet, bygge opp under arbeidslinjen samt forsterke klimaforliket. Det har blitt sagt fra talerstolen flere ganger i dag at dette er det beste miljøbudsjettet noensinne, og for første gang vil utslipp fra transportsektoren forventes å gå ned. Vi satser på viktige områder som kunnskap, helse, samferdsel og tiltak for å trygge arbeidsplasser. Høyre er opptatt av å holde orden i norsk økonomi. Det er viktig for å sikre arbeidsplasser og sikre verdiskaping, selve grunnlaget for velferden vår. Den store forskjellen i samfunnet mellom mennesker går mellom dem som er i jobb, og dem som er utenfor arbeidsmarkedet. Derfor er det viktig å tilrettelegge for trygge arbeidsplasser og nye arbeidsplasser. Skatt er en viktig del av rammebetingelsene. Høyre er opptatt av at vi skal ha et fornuftig og konkurransedyktig skattenivå, som stimulerer til arbeid, sparing og investering. Vi er også opptatt av at norske bedriftseiere og investorer skal ha like betingelser som utenlandske, når de investerer i norske arbeidsplasser. Derfor har bl.a. regjeringens reduksjoner i formuesskatt vært viktige. Vi ser ingen grunn til at utenlandske investorer, som f.eks. britiske aktører, kinesiske aktører eller andre, skal ha bedre betingelser enn norske eiere. Derfor er jeg glad for at vi også i dette budsjettet har funnet rom for å gjøre lettelser i formuesskatten, både ved å heve bunnfradraget og ved å redusere satsen.

og i Arbeiderpartiet mener vi at vi burde avvente Scheel-utvalgets innstilling, som kunne gi svar på hva som virkelig er vekstfremmende skatteomlegging. I Arbeiderpartiets budsjett legger vi til rette for vekst og nye arbeidsplasser i hele landet gjennom en aktiv næringspolitikk. Vi ser at regjeringen forlater den aktive næringspolitikken ved å innføre næringsnøytrale og geografinøytrale ordninger. Et distriktsfiendtlig kutt er at regjeringen i år kutter i de regionale utviklingsmidlene, noe som vil ramme lokal verdiskaping og arbeidsplasser rundt om i landet. Jeg mener at det ikke bare er den omtalte plastposeavgiften som ikke er konsekvensutredet i dette budsjettet, og jeg vil i denne sammenheng nevne økning i grensen for avgiftsfri netthandel. Både NHO og flere andre aktører kritiserte dette sterkt i høringen, som en næringsfiendtlig politikk som satte flere tusen arbeidsplasser i fare. Et annet eksempel er regjeringens forslag om ikke å delta i Copernicus-programmet. Også her merket vi under høringen flere uttrykke sterk bekymring for at Norge trekker seg ut, da viktige forskningsmiljøer blir berørt

Hovedprioriteringen i utvalgets innstilling var Mechatronics Innovation Lab, et senter for utvikling, testing, prioritering og markedsføring av nye innovative teknologiske løsninger, som er en mangelvare her i landet. Det er derfor skuffende at regjeringen, heller ikke gjennom budsjettforliket, fant å innpasse en oppstartsbevilgning her. Jeg håper at vi kan få på plass dette og

Vi foreslår et kraftig løft for fagutdanningen og styrker innsatsen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. I motsetning til regjeringen, som kutter over hele fjøla på distriktspolitiske virkemidler, har vi en ambisjon om å bidra til vekst i hele landet. Der regjeringen åpenbart tror at syke mennesker på mirakuløst vis blir friskere hvis de blir fattige, så har vi bedre løsninger. Vi legger fram en bred satsing på folkehelse og en kraftig satsing på sykehus. I motsetning til regjeringen vet vi at mye av velferden vår skapes i kommunene. Nå leser vi hver eneste dag om kommuner som kutter i velferd. To tredjedeler av landets ordførere og rådmenn sier at det økonomiske handlingsrommet i 2015 blir dårligere neste år enn i år. Dessverre er regjeringen mer opptatt av å snakke opp sin egen politikk enn å lytte til dem som beskriver virkeligheten i Kommune-Norge. Det burde i det minste blinke en varsellampe også hos høyrepartiene når Høyres egne folkevalgte er så frustrert over kommuneopplegget at de ikke ønsker å stille til gjenvalg. Nå ser vi for alvor at skattekutt betyr velferdskutt. Men regjeringen har overlatt ansvaret for smertefulle kutt i velferden til landets kommunestyremedlemmer. Og det er eldre elever og barnehagebarn som sitter igjen med regningen når regjeringen prioriterer skattefest til dem som har mest. I replikkordskiftet tidligere i dag sa statsråd Sanner at vi bare må leve med at kommunepolitikerne ikke er

men Arbeiderpartiet viser lite innsyn i og respekt for selve samfunnskontrakten. Og spesielt enkelt blir det når vi vet at vi lever i et samfunn med stor grad av tillit mellom menneskene. Arbeiderpartiet undervurderer framtidens behov nettopp fordi det har med framtiden å gjøre. Hensynet til framtidig sysselsetting og velferd blir underordnet behovet for status quo og partiets manglende vilje til å gå inn og se hvilken politikk som virker, og hvilken politikk som ikke virker. Når oljealderen er over, er det greit å ha penger på bok. Men det er ikke nok. Hvilke næringer som er lønnsomme når den tid kommer, er det umulig å ha en formening om. Men én ting er sikkert: Kunnskap må vi ha, og uten kunnskap kommer vi ikke langt. Det er derfor denne regjeringen satser så tungt på etterutdanning av lærere, på forskning, på skolen. Vi trenger også å satse på helse. Unødvendig lange sykemeldinger er samfunnsøkonomisk dyrt. Derfor øker vi bevilgningen til sykehussektoren med 2 mrd. kr, og vi innfører fritt behandlingsvalg. Vi trenger så avgjort en infrastruktur som fungerer, skal vår økonomi fortsatt forbli en god økonomi. Derfor investerer vi så tungt i jernbane, kollektivtrafikk og vei. Når representanten Snorre Serigstad Valen sa fra denne talerstolen i dag at regjeringen ikke satser på jernbane og ikke satser på kollektivtrafikk, er det dagens politiske skrøne. Regjeringen satser meget tungt på samferdsel. Over 2 mrd. kr i økning i forhold den rød-grønne regjeringen er en stor satsing. Og når regjeringen går inn for at staten skal ta 50 pst. av utgiftene til kollektivtransporten i byene, er det langt mer enn det Snorre Serigstad Valen, SV og de rød-grønne klarte å få til da de var i regjering. Helt til slutt: Det er slutt på de tider da samferdselsprosjektene var salderingspost i budsjettbehandlingen i de sene nattetimer. Nå er infrastrukturfondet kommet opp i 70 betydelig årlig avkastning av det som skal pløyes inn i samferdselsinvesteringer for å ha en forutsigbar portefølje til utvikling av prosjekter for Statens vegvesen, Jernbaneverket

Kunnskaps-Norge er så mangfoldig. Statsråd Røe Isaksen virket nærmest fornærmet i replikkordskiftet over at noen våget å kritisere hans budsjettforslag, at noen turte å etterlyse Høyres yrkesfagløft, og at noen påpekte ensidig satsing på etter- og videreutdanning og dermed liten satsing på skolen for øvrig. Det må han nesten venne seg til dersom regjeringen fortsatt skal legge fram slike budsjetter. budsjetter. Etter- og videreutdanning øker kraftig og har et enstemmig storting i ryggen. Men når ministeren så til de grader velger å satse alt på ett kort, må han regne med kritikk. For alt det andre som må til, blir da nedprioritert: tidlig innsats, lærertetthet, yrkesfag, tiltak mot frafall, En bred tilnærming til kompetanse og utdanning er grunnleggende om vi skal nå våre ambisiøse mål. Eller for å sitere hva en av våre dyktige forskere, Jørn Rattsø sa sist fredag i anledning Kunnskapsdepartementets 200-årsjubileum, da han skulle forklare Skole-Norges suksess: «Det er bredden og mengden som bærer samfunnsutviklingen, ikke en smal elite.» Så noen ord om noe som får litt liten oppmerksomhet, enda det er regjeringens hovedsatsing. Jeg vil snakke om dem som utdanner læreren. Universitets- og høyskolesektoren har hovedansvaret for denne oppgaven. Det satses på internasjonal forskning i dette budsjettet, på næringslivsforskning og på eliteforskning. Men de som er satt til å utdanne/etterutdanne og videreutdanne læreren, får ikke noe særlig mer. Lærerutdanningene har vært igjennom to store reformer de siste Ny 5-årig masterutdanning skal innføres i 2017. Tusenvis av lærere går på etter- og videreutdanning, og nye fagkrav for å kunne undervise vil øke behovet ytterligere. Forskningen skal styrkes, også på 1ærerutdanningen, flere skal forske og publisere mer, og NB: De skal undervise mindre. Alle disse institusjonene får i liten grad økt grunnbevilgningen sin i dette budsjettet, så de kan ansette flere folk. Noen vil faktisk gå i minus. Dessuten pågår det en strukturreform som vil medføre betydelig omstilling for mange institusjoner landet rundt. I Arbeiderpartiets alternative budsjett finnes en øremerking av 90 mill. kr til å styrke utdanningskvaliteten, ikke minst i lærerutdanningen og profesjonsfagene. I budsjettet som blir vedtatt her i dag, finnes det ingen slik

fattigdom. Jeg er glad for at regjeringen har sett dette og foreslår en betydelig økning på 290 mill. kr til næringsutvikling, innrettet bl.a. til Norfund. Men i vår raskt omskiftelige verden opplever land dessverre også store tilbakeslag. Vi ser i dag fire humanitære kriser på nivå 3, det høyeste nivået definert av FN. I Syria, Irak, Den sentralafrikanske republikk og det langvarige kriser hvor hjelpearbeidet har betydelig underfinansiering. Akutte kriser som ebola-epidemien har rammet Vest-Afrika brutalt. Med dette budsjettet viser regjeringen at den tar disse krisene på alvor. Som en av de største humanitære giverne til Syria og nabolandene bidrar Norge med over 1 mrd. kr i år, i tillegg til bidraget til den internasjonale koalisjonen mot ISIL i Irak. Med den foreslåtte økningen på 424 mill. kr til humanitær innsats, nesten en halv milliard, legger regjeringen opp til en mer effektiv håndtering av eksisterende og fremtidige kriser. Bistandsbudsjettet er historisk høyt – det var det før forliket, og det ble ytterligere styrket etter forliket. Det utgjør nå 1 pst. av BNI. Ved at vi konsentrerer bistanden med hensyn til både geografi, tema og innføringen av tolv fokusland, er målet å oppnå større resultater for dem vi har ment å hjelpe. Dersom verdenssamfunnet skal nå målet om å avskaffe ekstrem fattigdom, trenger man regjeringer som tar ansvar. Solberg-regjeringen har sett dette. 58 millioner av verdens barn står uten skoletilbud, og mangel på utdanning er en kilde til fattigdom og svak helse. Mens utdanningens andel av bistandsbudsjettet ble nesten halvert under de rød-grønne, er midlene til utdanning økt med over en halv milliard til 2,35 mrd. kr i dette budsjettet. Spesielt legges vekt på utdanning for jenter, barn rammet av krig og konflikt samt yrkesrettet utdanning. Det har hersket tvil om hvorvidt global helse skulle bli prioritert når satsingen på utdanning nå er så stor. Jeg er derfor glad for at regjeringen i budsjettet øker innsatsen for global helse med 150 mill. kr til 2,9 mrd. kr, i tråd med Stortingets vilje. Jeg startet med å rette søkelyset mot Sammen med fravær av krig og konflikt, tilgang til utdanning og helsevesen, danner dette grunnlaget for en bærekraftig og samstemt utviklingspolitikk. Dette budsjettet har erkjent

Senterpartiet har i sitt alternative budsjett føreslått å auke bistandsbudsjettet med om lag 1,2 mrd. kr utover regjeringa sitt opphavelege forslag, og me føreslår å auke støtta til naudhjelp og humanitær bistand med 500 mill. kr. Enkelte har i dag kritisert Senterpartiet sitt forslag om å kutte i EØS-midlane. Senterpartiet meiner at Noregs betalingar til EØS-midlar ikkje står i høve i utviklinga i løyvingane til norsk bistand. perioden 2009–2014 fekk Polen over 50 gonger så mykje i EØS-midlar som t.d. Sierra Leone tok i mot i norske bistandsmidlar mellom 2009 og 2013. I Sierra Leone lever store delar av innbyggjarane i absolutt fattigdom. Det same er ikkje tilfellet i Polen. Polen fekk meir i EØS-midlar for perioden 2009–2014 enn det 80 mottakarland til saman fekk i norsk bistand frå 2009 EØS-midlane er nytta til mange ulike, til dels kuriøse føremål. Maritimt museum i Gdansk, oppussing av kyrkjeklokke i Budapest og underjordisk søppelhentingssystem i Sevilla er fint, men Noreg kan motverke fattigdom meir effektivt på andre måtar enn gjennom å gi løyvingar til slike prosjekt. Blant anna viste europameldinga at Noregs utbetaling av EØS-midlar går til støtte til kulturarv og miljøprosjekt, og ein set spørsmålsteikn ved om – og eventuelt i kor stor grad – det tener føremålet om utjamning i levekår. Riksrevisjonen skriv i sin rapport frå 2013 at det er usikkert i kor stor grad det kan dokumenterast at dei norske EØS-midlane bidreg til økonomisk og sosial utjamning. Det same spørsmålet stiller Senterpartiet. Me ser fram til å få innsyn i fordeling av midlane – så langt har det vore uråd å få til. Leiaren i kommunalkomiteen, Helge André Njåstad, meinte i sitt innlegg at mine spådommar om kommuneøkonomien med ei blå-blå regjering er gjorde til skamme

Nei, det skal vere visst at kommunane ikkje får pengar til absolutt alt med denne regjeringa og deira støtteparti, som Njåstad sa, dei får nett det me forventa: krav til kutt og nedskjering for å gi plass til skattelette til dei som har mest. Og dei distrikta der leiaren i kommunalkomiteen burde kjenne forholda godt, får verkeleg svi, i god tradisjon frå Høgre og Framstegspartiet og med Kristeleg Folkeparti og Venstre som bremseklossar som protesterer for all verda, men

eller som den legendariske jazzsangeren Billie Holiday uttrykte det i en av sine mest kjente sanger: «Them that’s got shall get. Them that’s not shall lose». Billies bitre erfaringer er det heldigvis få av oss som har opplevd. Men den såkalte Matteus-effekten – som den kjente jazzballaden refererer til – dreier seg om at de som er rike, de som har, skal få mer, mens de som har mindre å klare seg med, må regne med å bli enda dårligere stilt. Det er dette samfunnet vi nå begynner å se konturene av – et samfunn som folk her i landet ikke ønsker. Det er faktisk bare 13 pst. av befolkninga som mener at dette er et budsjett som tar Norge i riktig retning. Og for min landsdel er regjeringas opplegg dårlig nytt. Det ene er kommuneopplegget, som helt klart flytter ressurser fra regioner med utfordrende geografi og spredt befolkning til mer folkerike strøk. Det betyr f.eks. at det sluses nesten 370 mill. kr fra de nordnorske fylkene og til de tettest befolkede regionene i sør. Vi har også sett at regjeringas innretning på kuttene i formuesskatt vil gi mer til dem som har mest fra før. De virkelig store formuene i Norge er konsentrert på enkelte utvalgte postadresser i hovedstadsregionen – og det er her skattelettelsene

men i årets budsjett går man motsatt vei: Man svekker sektoren med en langt lavere vekst enn det man har lovt, og overfører ressurser fra offentlige sykehus til private kommersielle aktører gjennom såkalt fritt behandlingsvalg. Det er elendig politikk, ikke minst for de delene av landet hvor gode offentlige sykehus er helt avgjørende for å kunne gi

De ga 3,3 mill. kr til Forskerfabrikken. Pengene skal brukes til to prosjekter, ett i Mosjøen og ett i Farsund, der femårige barnehagebarn får smake forskeroppgaver og eksperimentering med god veiledning. Det skal også brukes midler til kurs og etterutdanning av personalet. Jeg er enig med kommunalsjef Tore Haus i Farsund kommune i at det er flott når næringslivet vil bidra til Kunnskapsløftet i skole og barnehage.

ja faktisk også for gjennomføring av høyere utdanning. Mange elever og studenter strever med disse fagene, og derfor har regjeringa også varslet at det i 2015 vil bli lansert en ny realfagsstrategi, som skal bidra til å heve det generelle kompetansenivået i realfag. Vi ser også at vi trenger flere lærere med fordypning i realfag. Det tar denne regjeringa fatt i, med – ja nettopp – en historisk satsing på etter- og videreutdanning. Totalt er det foreslått å bevilge 1 035,6 mill. kr til videreutdanning for lærere. I 2013 brukte den forrige regjeringa 340 mill. kr. Denne regjeringa har altså økt bevilgningen med hele 695 mill. kr bare det siste året. Jeg er glad for at de fire samarbeidspartiene står sammen om å prioritere skole, utdanning og forskning og viser klar vilje til å prioritere tiltak som fremmer kunnskap og kompetanseutvikling. Slik ruster vi Norge for framtida – til nytte for den enkelte og til nytte

ein verkeleg folkedugnad for å gjere dei rike enda litt rikare. Går det som regjeringa ser føre seg, skal våre jamlege bidrag på kr 1,50 per pose kvar gong vi handlar, gjere at summen blir 1 250 000 000 kr, eller 1,25 mrd. kr, ved slutten av året. Ei krone her og ei krone der har då blitt til noko som monnar, slik som med resten av statsbudsjettet:

Men ved hjelp av spleising får vi med dette statsbudsjettet anledning til å gje ei stor gåve som vi sender til dei i samfunnet vårt som sit best i det. Poseavgifta vil rundt rekna dekkje ein tredel av formuesskattekuttet i budsjettforliket, det er det same som den delen av kuttet som går til dei 0,1 pst. rikaste. Det inkluderer dei som rett og slett ikkje får utgiftene til å

fordi det var så viktig for regjeringspartia å bruke dei store pengane på dei store formuane. Ord som «spleiselag» og «dugnad» har god klang i den norske folkesjela. Det handlar om å stille opp, ta i eit tak når det trengst. Det er t.d. slik mange vil seie at vi bygde landet etter krigen. Dugnad er noko vi gjer for å gjere samfunnet betre for kvarandre, for å halde liv i skulekorpset eller for å gjere leikeplassen litt koselegare for ungane – for ikkje å snakke om verdas største dugnad: den årlege

Samtidig har jeg fulgt opposisjonen og særlig Arbeiderpartiet med stor undring i høstens debatter og i dagens debatt, særlig gjelder dette Arbeiderpartiets kjærlighetserklæring til de store byene. Det er ikke måte på hva som nå skal gjøres av storbysatsing. Men hva gjorde egentlig Arbeiderpartiet for de store byene da de selv satt i regjering? Sannheten er at Arbeiderpartiet etterlot seg et stort udekket behov for bl.a. midler til kollektivtransport i storbyområdene. Sannheten er at Arbeiderpartiet etterlot seg et etterslep i boligbyggingen. Arbeiderpartiet gjorde lite i posisjon, men kommer med store løfter i opposisjon. Luftige løfter er nøyaktig hva de store byene ikke trenger. La meg bruke kollektivsatsing som eksempel. Denne regjering legger opp til en stor satsing på kollektivtransport og jernbane. En grønn byutvikling kommer som følge av konkret politikk som følges opp over flere år. Når Arbeiderpartiet nå plutselig lover penger til en rekke prosjekter uten at de sier noe om når de vil gjennomføre dem, framstår det som gode ønsker. Da hjelper det lite å legge 1 mrd. kr på bordet. Da de regjerte, stemte Arbeiderpartiet ned et forslag om at regjeringen skulle delta med 50 pst. finansiering av store kollektivløft i byene. Nå forventer de at vi skal tro dem på at de ønsker å bidra med 70 pst., når de i sin tid stemte ned 50 pst. Vi satser på å vise i praksis hva vi ønsker, også når vi er i posisjon. Derfor har vi nå gått inn for en statlig finansiering av nettopp 50 pst. til kollektivsatsing i storbyene. Det er ingen tvil om at i de store byene vil man også kunne finne større sosiale forskjeller. Noen sosiale forskjeller kan utjevnes gjennom både skole og arbeid, men noen sosiale utfordringer må det jobbes med på flere plan samtidig. Derfor mener jeg at noen av de beste tiltakene denne regjeringen og samarbeidspartiene gjør, er nettopp for dem som ikke har den sterkeste stemmen, nemlig barna. Vi vet at i en storby kan en slik stemme fort bli helt borte. Derfor er jeg glad for at vi styrker tiltak mot barnefattigdom, styrker det kommunale barnevernet og styrker det forebyggende arbeidet blant unge. Nå ser jeg fram til å sette i gang arbeidet med å iverksette planene, og det denne regjeringen lover, vil den også

han om det. Kva er så fasiten for fylket mitt, med Høgre og Framstegspartiet i regjering? Sogn og Fjordane skal i løpet av ein femårsperiode kutta om lag 250 mill. kr dersom Høgre og Framstegspartiet hadde fått viljen sin i fylkeskommunen. For å setja dette kuttet i perspektiv: Kuttar vi i vegvedlikehaldsinvesteringane, halverer